jeg på vegne av Trine Skei Grande, Iselin Nybø og meg selv fremme representantforslag om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget. Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag. representantforslag. Eg vil på vegner av stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen og meg sjølv fremja eit representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordninga. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16. Presidenten ber om at det blir ro i salen og vil gjerne påpeke at det er litt mye skravling når folk går ut. Det er forstyrrende. Det får henlegges til dere kommer ut i vandrehallen. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver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

vedtatt. Denne lovsaken er en samling av små og store saker som er oppfølging av budsjettvedtak fra sist høst, samt endringer av mindre politisk betydning. Det er særlig to lovendringer det er politisk uenighet knyttet til, og som jeg kommer til å kommentere. Den ene handler om leksehjelp, den andre om utdeling av gratis frukt og Det har over tid blitt innført leksehjelp gjennom SFO på mange skoler. Den forrige regjeringen lovfestet rett til leksehjelp på 1.–4. trinn, slik at alle fikk tilbudet, uavhengig av hvilken skole de gikk på. Ordningen er blitt evaluert av forskere, og de kan vise til at skolene som innførte ordningen i 2010, og som ikke hadde det før, har hatt en mer positiv utvikling i nasjonale prøver enn andre skoler. Det bør derfor ikke være tvil om at leksehjelp har en positiv effekt og er et tilbud som bør videreutvikles. Det er derfor viktig å understreke at denne lovendringen ikke må forstås dit hen at tilbudet som sådan svekkes. Det er enstemmighet om å gi kommunene større frihet i hvordan de utformer leksehjelpstilbudet, til hvilket årstrinn leksehjelpen gis, og hvordan den i praksis organiseres sammen med resten av skolehverdagen. Men en samlet komité advarer også kommunene mot å svekke tilbudet generelt. Leksehjelp er positivt for elevenes læring. Tilbudet bør utvikles og styrkes slik at det oppleves som en reell og viktig støtte for den enkelte elev.

Konsekvensene av denne lovendringen bør følges nøye opp av skolemyndighetene, og fra Arbeiderpartiets side forventer vi økte bevilgninger, slik at innsatsen rettet mot de yngste ikke svekkes for mye nå når også eldre elever vil kunne få leksehjelp. Det bør også forskes mer på lekser, leksehjelp og den betydningen dette har for barn og unges læring. Så til en annen sak: I denne lovproposisjonen fjernes ungdomsskoleelevenes rett til gratis frukt og grønt hver dag. Det beklager vi i Arbeiderpartiet. Skolematdiskusjonen har ridd norsk skoledebatt i flere år nå. Mye kan sies om den, og det skal jeg la være. Men ett poeng mener jeg er vesentlig, og det er det faktum at forskningsfunn og dokumentasjon settes helt til side og ignoreres fullstendig av flertallet. Det store bildet er som følger: Altfor mange ungdommer har et slett kosthold. Det svekker deres skoleprestasjoner og deres helse. Fedme og usunt kosthold kombinert med altfor liten fysisk aktivitet truer folkehelsa og er i ferd med å gi oss kortere levealder. Det er en klar sammenheng mellom disse trendene og folks sosiale og økonomiske bakgrunn. En forskningsundersøkelse kan dokumentere at det er nettopp barn med foreldre som har lav inntekt, som endret kostholdet sitt mest etter at barna fikk frukt og grønt på skolen. Utdeling av frukt og grønt hadde akkurat den effekt vi ønsket: å stimulere til sunnere mat. Forskning viser nemlig at det er fullt mulig å gjøre noe med dette, om man er konkret, som med gratis frukt og grønt. Men det hjelper lite å gi ut generell helseinformasjon eller å vise til foreldrenes ansvar. I sine merknader påstår Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at utdeling av frukt og grønt er et lite treffsikkert virkemiddel, og viser til en undersøkelse. Til det har jeg følgende kommentar: Ungdommene som var med i denne undersøkelsen det vises til i innstillingen, hadde nok spist enda mindre frukt om det ikke ble delt ut på skolen. Derimot: Dokumentasjonen av at politikernes pekefinger og prat om foreldreansvar skal ha noen merkbar effekt, venter jeg på i spenning. Sannheten er at Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet mener forebyggende helsearbeid er et privat ansvar, og at de ikke er villige til å bruke penger på noe som treffer alle, på en måte som monner og som virker. Argumentet om at pengene i stedet skal gå til læringsfremmende tiltak, høres fint ut. Men det hjelper lite med selv de dyktigste lærerne om elevene ikke er opplagt og sliter med lavt blodsukker. Så å si alle arbeidsgivere i dette landet har forstått dette. Derfor finnes det kantiner med subsidiert mat de fleste steder. De gjør ikke dette av ren og skjær godhet, men fordi de mener det øker produktiviteten og trivselen. Det finnes sågar arbeidsgivere på dette huset som gir frukt og grønt gratis til egne ansatte. Men barn og unge, som har generelt dårligere kosthold og er i dårligere form enn tidligere, klarer vi ikke å ha en helhetlig tilnærming til når vi skal legge til rette for at de skal lære mest mulig. Jeg må si at jeg synes dette er mer enn underlig. Dette vedtaket gjør at vi går Arbeiderpartiet støtter derfor ikke lovendringen om å oppheve plikten til gratis frukt og grønt i skolen. Til slutt vil jeg nevne en sak jeg er glad for at nå vil bli en realitet, nemlig at alle som har bestått fag- og yrkesopplæring, får en rett til påbygging til generell studiekompetanse. Dette er et godt tiltak som vil føre til mindre frafall i videregående skole. Dette er videregående skole. Dette er en lovproposisjon som innebærer mange viktige endringer som gjør skolen bedre på mange områder – for de aller mest sårbare elevene vi har i skolen, det bidrar til å redusere frafallet i yrkesfag og til å øke kunnskapen i skolen generelt. Et av de viktigste grepene som gjøres, er å tilpasse leksehjelpsordningen slik at kommunene får større frihet til å sette inn dette viktige tiltaket når de mener det passer best. Det er gledelig at komiteen enstemmig støtter dette nå, men det er verdt å minne om at i de foregående årene, under et annet flertall, var dette øremerket for 1.–4. trinn. trinn. Det var en dårlig ordning, for elevene er forskjellige, og elevene har forskjellige behov. Det er slik at mange foreldre lett kan hjelpe sine barn med leksene i 1.–4. trinn, hvor det handler om å lære enkel lesing, skriving og regning, men at det blir mer krevende – selv for foreldre med utdanning – å hjelpe til med matematikken eller naturfagleksene når elevene Det er også slik at flere medier den siste tiden har trukket frem at flere og flere foreldre kjøper privat leksehjelp. Det er naturligvis ikke noe nytt at en del foreldre er engasjert i sine egne barns skolegang, og at de gjør det som de mener er riktig for sine barn; det er heller ikke noe å være spesielt bekymret over. Men dette tiltaket kan jo bidra til at en del av dem som ikke har den adgangen, nå får den hjelpen de trenger i det skoleløpet de er i. Det andre som er svært gledelig i denne saken, er at man nå gir rett til påbygg også for dem som har fullført fag- og yrkesopplæringen. På denne måten trenger man ikke lenger å avslutte yrkesfag etter to år dersom man ønsker studiekompetanse. Slik ordningen er i dag, blir jo påbygg i Vg3 for mange en slags Halvparten klarer ikke å bestå fordi det stilles svært høye faglige krav til dem som skal igjennom. Det fører også til at frafallet generelt øker, og det gjør at vi mister mange flinke fagarbeidere som vi vet vi kommer til å trenge flere av i årene som kommer. Nå slipper elevene å bekymre seg for å miste retten, og de kan fullføre sin yrkesfaglige retning først, før de eventuelt tar At denne retten også kommer uten noen aldersgrense, er svært positivt. En mindre sak som det ikke er stor uenighet om – som saksordføreren var inne på – men som er viktig for dem det gjelder, er forslaget om å ta bort kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om ekstra tid i videregående opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring. I dag er det slik at PP-tjenesten må gjøre en vurdering før man eventuelt får dette tiltaket. Det er dobbeltarbeid, og det er unødvendig å ta elevene igjennom dette. Derfor er det også stor støtte til dette forslaget fra høringsinstansene, og jeg mener at det på en dag som denne – da vi skal debattere mange ting som det har vært uenighet om i komiteen – også er verdt å merke seg at det gjøres noen grep som er svært viktige for noen få elever, men det er desto viktigere for dem det angår.

til sine elever også med dette vedtaket; de kan til og med gjøre det gjennom en subsidiert ordning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Men sannheten er at du trenger ikke å være mot frukt for å mene at det er andre ting som er viktigere enn å dele ut frukt i skolen. I løpet av de foregående årene innførte man en lovfestet rett til frukt, men man gjorde det ikke f.eks. for lærerens rett til etter- og videreutdanning, man gjorde ikke disse grepene innen leksehjelp som vi nå gjør. Av og til må man prioritere, og i valget mellom lærer og pærer, så velger flertallet læreren. Først vil jeg takke saksordføreren for å ha redegjort for saken. De fleste lovendringsforslagene er

læreren. Først vil jeg takke saksordføreren for å ha redegjort for saken. De fleste lovendringsforslagene er det bred enighet om, men jeg vil kommentere noen av de endringene som foreslås. For Fremskrittspartiet er skolegang for alle viktig, og i saken foreslås det å innføre en rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 18 år som søker om opphold i landet. Det er i forslaget lagt vekt på å finne en balanse mellom hensynet til den enkeltes behov for opplæring og andre viktige samfunnshensyn, slik som innvandringsregulerende hensyn. Jeg vil understreke at forslaget kun omfatter dem som oppholder seg lovlig i landet, og at retten til skolegang avsluttes umiddelbart ved eventuelt endelig vedtak om avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Mange elever går ut av yrkesfagsskoler etter halvgått løp for å ta studiekompetanse, og ca. halvparten av disse består ikke eksamen. I dag skal vi endelig vedta å lovfeste rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Retten er uten tidsbegrensning. Vi mener dette er et viktig incentiv, som vil gjøre at langt flere fullfører yrkesutdanningen. yrkesutdanningen. Oppheving av plikten til gratis frukt og grønnsaker for dem som går i ungdomsskolen, er det mange og delte meninger om. Noen holder fram hvor viktig tilbudet er, mens andre igjen påpeker at dette har gitt skolene utfordringer knyttet til logistikk og bemanning. Flere påpeker også at det synes noe merkelig at tilbudet kun gjelder på Fremskrittspartiet er opptatt av at kvaliteten i skolen må bli bedre, og vi ønsker å prioritere læringsfremmende tiltak i grunnopplæringen. Vi vil påpeke at utfordringene som norsk skole står overfor, ikke løses ved å pålegge kommunene å betale for frukt på skolen, men ved å legge vekt på kvalitet, oppfølging og gode lærere. Derfor satser flertallet på å øke ressursene til videre- og etterutdanning av lærere. av lærere. En ting det er viktig å minne om, er at skolen skal legge vekt på å fremme elevers fysiske og psykiske helse, og i dette ligger det også å legge til rette for tid og samling rundt måltider og å styrke elevenes bevissthet omkring kosthold og helse. Jeg vil understreke at Fremskrittspartiet er for et sunt kosthold, som innbefatter frukt og grønt i skolen, og derfor vil jeg også peke på muligheten som skolene har jeg også peke på muligheten som skolene har til å opprette abonnementsordning på frukt og grønt etter samme modell som skolemelk. Endelig reverseres ordningen med leksehjelp, som det i lang tid har vært reist sterk kritikk mot. Her vil jeg særlig henvise til NOVA og NIFUs sluttrapport i evalueringen av leksehjelp, der det kommer fram at leksehjelpen i liten eller ingen grad innfridde målene om å gi elevene støtte til læringsarbeidet, følelsen av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. Reformen innfridde heller ikke den langsiktige politiske målsettingen om å medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i opplæringen. Et annet hovedfunn i rapporten er at leksehjelpen i liten grad bidro til å endre de systematiske forskjellene i elevers skoleresultater som knytter seg til kjønn, sosioøkonomisk familiebakgrunn og innvandringsbakgrunn. Fremskrittspartiet har hele tiden vært imot tvungen leksehjelp til elever i 1.–4. klasse, som de rød-grønne innførte. Vi er derfor, sammen med med de aller fleste skoleeierne, fornøyd med at det lokale selvstyret skal avgjøre hvor leksehjelpen settes inn. For meg er det viktig å understreke at både leksehjelp og tidlig innsats er viktig, uansett hvilket skoletrinn elevene er på, men for å få utbytte av leksehjelp er det avgjørende at skoleeier selv kan fordele ressursene knyttet til dette slik det er mest hensiktsmessig på den enkelte skole. Vi støtter departementets vurderinger om at skolene selv skal ha frihet til å rette leksehjelpen inn mot enkelte elever, eller på tvers av trinn. På denne måten vil skoleeier kunne målrette innsatsen der det er størst behov.

behov. Det var gode intensjoner som lå bak innføringen av leksehjelp i skolen, og dette er et viktig tilbud til mange elever. Men evalueringer som er gjort av leksehjelpen, bl.a. av forskere ved NOVA og NIFU, tegner ikke noe entydig bilde av leksehjelpens effekt. De skolene som økte omfanget av leksehjelp i forbindelse med reformen, kan vise til bedre resultatutvikling over tid. Samtidig har de sosiale forskjellene i skoleresultatene ved disse skolene økt – stikk i strid med leksehjelpens intensjon om å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. Forskerne har ingen klare svar på hvorfor det er slik, og når vi har få entydige svar, blir det desto viktigere å lytte til dem som jobber med dette i praksis, og som vet hvor skoen trykker ved den enkelte skole. Vi støtter derfor regjeringens forslag. Mange skoleeiere og skoleledere ønsker å kunne organisere leksehjelpen annerledes enn i dag; de ønsker mer leksehjelp til de eldre elevene, for det er der de mener at behovet er størst. Samtidig som det er flott at de som har behov for det, får hjelp med leksene på skolen, mener Kristelig Folkeparti at hjemmearbeid også er viktig for skole–hjem-samarbeidet. Lekser gir foreldre en mulighet til å følge med på det barna driver med i de ulike fagene på skolen, hva de mestrer, og hva de trenger å øve mer på. Vi vet at engasjerte foreldre, som involverer seg i barnas læring, er en uvurderlig ressurs for barna. Interessen og engasjementet er verdifullt i seg selv, uavhengig av foreldrenes faglige evner og kompetanse. Etter Kristelig Folkepartis syn bør foreldre som engasjerer seg, være en sentral målsetting for skole–hjem-samarbeidet i norske skole, kan lekser og hjemmearbeid være et godt verktøy. Over til skolefrukt: Kristelig Folkeparti ser betydningen av at barn og unge har frukt og grønnsaker som en del av sitt daglige kosthold. Det er en klar sammenheng mellom inntak av sunn og næringsrik mat og evnen til læring og konsentrasjon. Vi ser det derfor som en viktig oppgave for skolen – i samarbeid med hjemmet – å bidra til at alle elever får i seg sunn og næringsrik mat i løpet av skoledagen, at de spiser frokost, og at de får med seg matpakke hjemmefra. Ved noen skoler kan det også være riktig prioritering å tilby elevene gratis frukt og grønnsaker. Ved andre skoler vil det å bruke disse pengene på andre lærefremmende tiltak. Vi støtter derfor regjeringens forslag om å la skoleeier og den enkelte skole foreta disse vurderingene selv og mener at pengene som i dag er øremerket skolefrukt, ideelt sett burde kunne disponeres mest mulig direkte av skoleeierne og skolene. Så til forslaget om rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fagbrev: Dette er et godt forslag, som jeg tror vil bidra til både å redusere frafallet og gjøre utdanningssystemet mer fleksibelt. Jeg tror forslaget vil øke tilgangen på kvalifiserte fagarbeidere og gi flere yrkesutøvere som har høgskole- og universitetsutdanning kombinert med yrkeserfaring og fagbrev. Det vet vi at næringslivet og industrien ønsker seg mer av. forslaget om å gi rett til opplæring for ungdom mellom 16 og 18 år som søker om oppholdstillatelse, merker Kristelig Folkeparti seg at Barneombudet, Røde Kors og Redd Barna har uttrykt bekymring for at forslaget ikke gjelder ungdom uten lovlig opphold i Norge. Redd Barna anbefaler at alle barn gis rett til videregående opplæring, uavhengig av oppholdsstatus, dersom det er sannsynlig med et opphold i Norge på mer enn tre måneder. I proposisjonen framgår det videre at noen høringsinstanser har kommentert at dersom det ikke blir gitt oppholdstillatelse, bør retten til opplæring gjelde fram til utløpet av den utreisefristen som blir fastsatt av utlendingsmyndighetene. Kristelig Folkeparti deler disse bekymringene og har som prinsipielt utgangspunkt at det enkelte barns behov for opplæring bør gå foran såkalte innvandringsregulerende hensyn. Kristelig Folkeparti støtter for øvrig regjeringens forslag i proposisjonen. Jeg er

proposisjonen. Jeg er faktisk superglad i dag, og jeg vil begynne med den superglade saken, og det er at det med vedtaket når det gjelder påbygging, endelig er fastslått i lov at elever som har avlagt fagbrev, har rett til påbygging. Hvorfor dette er klokt, har mange før meg redegjort for, men det er en sak som mange av oss har jobbet for i mange år. Jeg vil minne Stortinget om vedtaket som ble gjort 20. juni i fjor: Da fastslo Stortinget enstemmig at denne retten skulle innføres, så nå har bare lovarbeidet gjenstått. I tillegg til rett til påbygging, ble det også gjort en rekke andre tiltak for å bedre og utvikle en mer fleksibel yrkesfagutdanning i fjor. Dette er første levering på Stortingets vedtak, slik jeg ser det. Jeg synes nok kanskje at det går litt smått, ikke minst når det gjelder å innføre vekslingsmodellen med økonomiske midler, men i dag synes jeg vi i hvert fall skal glede oss over at vi har gitt en gruppe elever en utvidet rett til utdanning. Det blir ett år ekstra for dem som vil. Dette betyr at elevene nå ikke trenger å skynde seg og hoppe av fagutdanninga for å få med seg studiespesialiserende innenfor de tre årene de har ungdomsrett til. Dette bør også bety at fylkeskommunen kan strupe sine tilbud om studiespesialisering for påbygging som Vg3-tilbud, og vi ønsker færrest mulig inn i det skoleåret, ettersom vi ser at over halvparten av dem som prøver seg, stryker. Det er en tragedie som vi nå har lagt til rette for å avverge. Jeg vil gjerne si det igjen fra Stortingets talerstol: Norge trenger flere fagarbeidere. Det blir ikke noe arbeid for arkitekten, hvis han ikke har noen til å bygge husene. Så til det jeg er litt oppgitt over: Dette er en annen viktig merkedag, ettersom flertallet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, i dag kan smykke seg med å ha fjernet retten elevene har hatt til gratis frukt og grønt i ungdomsskolen. Man tar fra de små og gir til de store. Det virker litt fattigslig og litt gjerrig. Vi vet at vi lever i en tid da elever blir tyngre og tyngre og mer og mer inaktive, og vi vet at mange ungdommer ikke har med seg matpakke på skolen. Man kan gjerne vifte med den moralske pekefingeren og mene at dette får jammen foreldrene ta seg av, men det handler altså om et eple. Å gi elevene tilbud om frukt i skolen er etter Senterpartiets syn det første steget på veien til å innføre et skolemåltid. Jeg har besøkt flere skoler som tilbyr skolemat. Noen av de beste eksemplene jeg har sett, er fra Rogaland. På Ogna skole fikk alle, mer enn 200 elever, servert enkel og god mat til en kostpris på 8 kr per dag. Man trenger altså ikke fancy løsninger, men man trenger å tenke Jeg håper fortsatt at flertallspartiene etter hvert vil se at det er fornuftig å innføre skolemat som en helt naturlig del av skolehverdagen. I Europa er det nå bare Norge og Albania som ikke tilbyr mat i skolen. At vi da tar fra elevene i ungdomsskolen det ene eplet de kanskje fikk den dagen, er utrolig gnikent, synes jeg. Til slutt: Vi gjør nå endringer i leksehjelpsordninga. Senterpartiet ønsket i utgangspunktet at leksehjelpsordninga skulle startet lenger oppe i så vi støtter dette forslaget. Det er helt sikkert mange som nyter godt av hjelp i 1. klasse, men det er nok særlig fra 4.–5. klasse at foreldrene vil få større utfordringer med å hjelpe sine håpefulle. Ved innføringa av ordninga ble jeg sterkt angrepet av de nåværende regjeringspartiene fordi tilbudet ikke skulle utføres av pedagogisk personale – noe jeg oppriktig mener er unødvendig så lenge det gjelder de laveste trinnene. Det har også representanten Henrik Asheim på en god måte nettopp sagt. Nå derimot kan skolene sette inn leksehjelpen der de mener den vil være mest effektfull, men nå kan skolene sette inn leksehjelpen der de mener den vil være mest effektfull, men nå nevnes ikke pedagoger med ett eneste ord. Jeg har lyst å sitere fra Høyre og Fremskrittspartiets egen merknad fra innstillinga da den rød-grønn regjeringa innførte leksehjelp: «Disse medlemmer mener dette viser at regjeringen ikke er opptatt av å sikre kvaliteten i tilbudet og vil vise til at regjeringen her er på kollisjonskurs med en rekke av høringsinstansene. Disse medlemmer mener at opplegget for den lovfestede leksehjelpen får mer karakter av oppbevaring når det ikke skal bemannes med kvalifiserte lærere.» Det sier vel i grunnen det meste. Flasketuten peker tilbake på regjeringspartiene. Det som er mest alvorlig, er at vi nå innfører en ordning som kan tilfalle helt andre elevtrinn enn dem vi til nå har sett. Da forventer jeg at regjeringa følger opp seg sjøl og sine tidligere standpunkt og faktisk bevilger penger til leksehjelp bemannet av pedagoger, i neste års statsbudsjett. statsbudsjett. I likhet med representanten Tyvand fra Kristelig Folkeparti, har også vi i Venstre merket oss at flere aktører har uttrykt bekymring for opplæringen til ungdommene mellom 16 og 18 år som ikke har oppholdstillatelse. I Venstre har vi som et prinsipielt utgangspunkt at den enkeltes behov for opplæring må gå foran såkalte innvandringsregulerende hensyn. Men vi støtter forslaget slik det ligger i innstillingen nå. Når det gjelder leksehjelp, er det vår oppfatning at allerede da den rød-grønne regjeringen innførte obligatorisk leksehjelp på de laveste trinnene, var reaksjonene ute i skolene ganske Vi fikk mange tilbakemeldinger fra frustrerte lærere, frustrerte rektorer og frustrerte foreldre. For det første hadde mange skoler allerede et godt fungerende tilbud om leksehjelp. De hadde tilpasset den de lokale forholdene på den enkelte skolen med hensyn til både hvilke klassetrinn leksehjelpen ble tilbudt på og det rent praktiske rundt gjennomføringen. Mange plasser hadde de også et godt samarbeid mellom skolene og frivillige aktører som sto for selve leksehjelpen.

barna med leksene lenger. Det å ha hjemmelekser i de laveste trinnene var det mange skoler som påpekte som viktig, og at poenget var at det ble gjort hjemme, nettopp for å styrke skole–hjem-samarbeidet. Ikke minst – som flere har vært inne på – ble det kritisert at det ble lagt opp til at leksehjelpen, som da ble obligatorisk, skulle utføres av ikke-pedagogisk personale. Gleden oppfattet vi var stor da regjeringspartiene ble enige med Kristelig Folkeparti og Venstre i budsjettet om at leksehjelpen nå skulle endres, og at skolene selv skulle få styre over de aktuelle midlene. Nå som vi får denne endringen på plass, kan skolene selv vurdere hvor leksehjelpen skal settes inn. Det er de som kjenner hvor skoen trykker, og det er de som vet hvilke elever som vil ha best utbytte av en slik leksehjelp. Jeg er helt sikker på at når vi gir skolene den tilliten, så vil de vise seg den tilliten verdig og kunne få mye mer ut av de midlene enn om alt skal detaljstyres her fra Stortinget. Det er ikke tvil om at et variert og sunt kosthold er viktig, både for konsentrasjonen og for folkehelsen generelt. generelt. Venstre har heller aldri vært imot frukt og grønt i skolen. Det vi har vært kritiske til, er at penger skal bindes opp til frukt og grønt på den måten som de rød-grønne gjorde det da de innførte en lovfestet ordning med frukt og grønt. I dag, etter dette vedtaket, står skolene fritt til å bruke deler av skolebudsjettet sitt til skolefrukt, hvis de anser det for å være et viktig tiltak som fremmer læring. Og mange skoler prioriterer i dag å bruke penger på skolemat. Vi hørte nettopp representanten Tingelstad Wøien fra Senterpartiet som snakket om Rogaland som et godt eksempel i så måte. Det som nå skjer, er at de pengene som før var lovfestet til skolefrukt, blir brukt til kompetansefremmende tiltak, som videre- og etterutdanning av lærere. Ideelt sett skulle vi i Venstre ønske at pengene ble værende i skolen til fri benyttelse, slik at skolene selv kunne disponere dem fritt. Men det er ikke tvil om at det også er behov for kompetansefremmende tiltak i skolen. Vi er derfor fornøyd med den omprioriteringen som nå gjøres, for vi mener at dette gir et godt uttrykk for det nye flertallets prioriteringer i skolen. Det er skolen. Det er mange viktige tema i denne saka som har blitt tatt opp, men det er spesielt eitt som det er verdt å diskutere, og som SV også reagerer på, nemleg frukt og grønt i skulen. Den raud-grøne regjeringa innførte gratis skulefrukt i 2007. Alle elevar ved ungdomstrinnet, nærmare 300 000, har tatt del i ordninga. Målet er å gje barn og unge kosthaldsvanar som styrker læringsutbyttet i skulen. Det er altså ikkje slik at frukt og grønt i skulen ikkje handlar om læring. Det er ein myte Høgre har gjort alt ein kan for å byggje opp under. Det er viktigare å satse på lærarane enn på eple, har vore Høgres refreng. Lat oss satse på det som er viktig – ikkje på bananar!

ein klar samanheng mellom læring og ernæring. Kosthaldet i barndommen har konsekvensar for born sine skuleprestasjonar. Ei amerikansk undersøking viser at mangel på frukost kan gå ut over læringsevna og har innverknad på klassemiljøet. Born som kastar innpå mykje søt, feit og gjennomarbeidd mat, typisk «junk food», risikerer dårlegare resultat på IQ-testar enn born som et sunt, ifølgje studiar. Forsøk med skulemat i Noreg viser også positiv læringseffekt. skulefrukostprosjektet. Ein studie av skulematprosjektet ved Hundsund ungdomsskule viste at elevane har fått eit auka forbruk av fisk og grønsaker, er lenger mette enn tidlegare og opplever betre læringsmiljø og dermed også betre frukt og grønt var for SV eit bidrag til sunnare kosthald i skulen. Eigentleg ville vi gå mykje lenger. Målet vårt er sunt og gratis skulemåltid for alle elevar. Gratis frukt og grønt var ein start. No tar vi eit stort steg tilbake. Regjeringskameratane tar skulefrukta frå elevane. Eg synest det er småleg og kunnskapslaust, og det skjer ei veke etter at helseminister Bent Høie lanserte ei ekspertgruppe som skal gje han råd om folkehelse. Då dette blei framlagt, sa Bent Høie: «Formålet er å foreslå og sette i gang konkrete tiltak som kan bedre kostholdet.» Vidare sa han: «Jeg tror at de fleste forbrukere ønsker å spise sunnere mat. Men det er vanskelig for hver enkelt av oss å ta slike valg hver eneste dag.» Uka etter

Å fjerne frukt og grønt-ordninga er dårleg for læringsarbeidet og dårleg for folkehelsearbeidet. Ordninga kosta i overkant av 200 mill. kr – eit beløp regjeringa i staden har valt å bruke på taxfree og båtmotorar. Dei flyttar pengar frå frukt til sprit, og taparane er norske elevar.
Men

Det vil gi skolene fleksibilitet og mulighet til å tilby leksehjelp på de trinnene der de vurderer behovet størst, og – kanskje enda viktigere – leksehjelpen kan også rettes inn mot noen elevgrupper på trinnet, eller på tvers av trinn, så lenge skolen tilbyr det totale antallet timer til leksehjelp som skal gis. Det er veldig bra at de tidligere regjeringspartiene – som innførte pålagte ordningen – nå har ombestemt seg. Det er jeg veldig glad for. Jeg mener også at dette viser en ideologisk forskjell mellom det nye flertallet kontra det gamle, hvor det nye flertallet er opptatt av gode ordninger, men også mener at man må ha tillit til kommunene og tillit til skolene til at de kan skjøtte dette på en god og skikkelig måte. måte. Grunnskole og videregående opplæring er en grunnleggende og viktig velferdsytelse i det norske samfunnet. Regjeringen foreslår derfor at ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og som søker opphold i landet, skal få rett til slik opplæring. Regjeringen mener at tilgang til opplæring er et viktig tiltak for denne gruppen med ungdom. Disse har, som annen ungdom, behov for både utdannelse og noe nyttig å fylle dagene med. For dem som senere får opphold, er opplæring av stor betydning for å sikre raskere integrering og overgangen til videre utdanning og arbeidsliv. Retten til opplæring skal, ifølge forslaget, gjelde når det er sannsynlig at ungdommen skal være i landet i mer enn tre måneder. Videre skal retten gjelde frem til vedkommende er 18 år, men ungdom som fyller 18 år i løpet av et skoleår, skal få rett til å fullføre skoleåret de har begynt

Jeg har til nå ikke sett noe forskning som tyder på noe annet enn det. Det er heller ikke sånn at det offentlige ikke har et ansvar – et medansvar – også for folkehelsen. Det har man, og det jobber denne regjeringen med. Spørsmålet her dreier seg jo om prioritering. Hva er viktigst å prioritere i skolen? Det kan vel heller ikke være noen overraskelse at dette forslaget kommer fra Dette var vi klare og tydelige på i valgkampen, og nå, som i andre saker, gjør vi det vi sa vi skulle gjøre. Det betyr naturligvis ikke at skolefruktordningene blir borte. Det er en annen støtteordning som man kan få noe støtte fra, og skolene og kommunene kan selvfølgelig også prioritere dette selv hvis de ønsker det. Men vi har isteden valgt å bruke disse pengene på andre ting som vi mener – forskningsbelagt også – har enda bedre effekt for å gi elevene mer læring, herunder å sette i gang tidenes største etter- og videreutdanningsløft. Når det gjelder rett til påbygging til generell studiekompetanse, deler jeg det synet alle i salen har gitt uttrykk for, nemlig at dette er en veldig god nyhet. Det var et budsjett Stortinget vedtok enstemmig. Det lå midler inne både i tilleggsproposisjonen som vi la frem, og i budsjettet fra den forrige regjeringen. Jeg mener at dette er et veldig viktig bidrag for å sikre at færre ser behovet for å søke seg bort og ut, for å få frem at det å ta et fagbrev ikke bare er én vei til lengre utdannelse, men at det også kan være en viktig og god vei til lengre utdannelse, som vi har fått beskjed i denne sal om å kalle det. Jeg må også nevne at vekslingsmodellen er i dag en realitet. Forsøket med vekslingsmodell, hvor man også får statlige penger, har fått – etter hva jeg husker – 12 mill. kr ekstra i år. Jeg har lyst til å knytte noen ord til en av de siste tingene, nemlig politiattest ved tilsetting i folkehøyskole. Man skal være varsom når man krever politiattest på nye steder. Dette forslaget gir folkehøyskolene hjemmel til at styret kan kreve politiattest, og det gir en likebehandling med andre deler av systemet som er fornuftig. Det åpnes for replikkordskifte. Mitt spørsmål handler om leksehjelp, og replikkordskifte. Mitt spørsmål handler om leksehjelp, og det handler om at Fremskrittspartiet og Høyre brukte ganske sterke ord om den forrige regjeringens leksehjelpordning. De sa bl.a. at leksehjelpen vil få mer karakter av oppbevaring når den ikke blir bemannet av kvalifiserte lærere, det vil altså si når ikke Stortinget lovpålegger bemanning av kvalifiserte lærere. Alle kommuner kunne jo absolutt bruke kvalifiserte lærere hvis de ville. Statsråden sier i sitt innlegg at man nå viser at man har tillit til skolene og kommunene. Hadde ikke Høyre og Fremskrittspartiet tillit til skolene og kommunene i forrige periode?
Høyre og Fremskrittspartiet har alltid hatt tillit til skolene og kommunene. Svaret på spørsmålet mener jeg må være at når synden først har kommet inn i verden, må man forholde seg til det, i den betydning at når leksehjelpordningen først er innført, sånn som den ble innført av de rød-grønne, med de budsjettmidlene som er stilt til rådighet for det,

tror jeg, forrige gang Høyre og Fremskrittspartiet skrev disse merknadene, og i veldig krasse ordelag også i debatten kritiserte den daværende regjeringa for ikke å sette inn pedagoger på 1.– 4. trinn, noe vi da mente ikke var nødvendig. Hvis vi skulle hatt det fra 5. trinn og oppover, mente vi det var nødvendig. Jeg lurer nå på om Høyre og Fremskrittspartiet ikke lenger er opptatt av den kvaliteten som de påberopte seg i forrige periode? periode? Vi er veldig opptatt av, og kommer til å fortsette å være opptatt av, kvaliteten i opplæringen. Det gjennomsyrer både disse forslagene og alle andre forslag som kommer fra regjeringen, både med hensyn til etter- og videreutdanning og andre forslag som er viktige. Når det gjelder dette, mener jeg at dagens ordning, og den som Stortinget har bestemt seg for å gå for nå, er mye bedre enn den forrige ordningen, nettopp fordi det gir en mulighet for skolene til å sette inn leksehjelp slik de vil. Det blir altså ikke noen endring verken i bevilgningen eller i hvor mange timer leksehjelp man har, men skolen har mulighet f.eks. til å samle elever på tvers av trinn, til å målrette leksehjelpen i større grad, og – som Senterpartiets representant også sa – til å sette den inn i de klassetrinn hvor man mener det er nødvendig.

jeg hatt problemer med å undervise min sønn i 10. klasse i matematikk, og det tror jeg kanskje det er mange andre som også ville hatt. Skal vi da kunne godta at den leksehjelpen utføres av en elevassistent, som kan være tilbudet, eller vil vi ønske at den skal utføres av en pedagog? Det fordrer også flere midler, som statsråden har vært inne på, og jeg forventer at statsråden kan komme tilbake til det hvis denne leksehjelpen skal ha den hensikten som regjeringa påberoper seg at den skal ha.

men vi foreslår nå først og fremst en ordning som er mer fleksibel for skolen, som ivaretar det veldig mange i Skole-Norge har sagt, nemlig om man ikke kan få lov til å bruke disse pengene der hvor man mener det er mest fornuftig, der man lokalt på sin skole ser at trykket er størst og behovet er størst. Det gjør nå regjeringen. Det har vi lagt frem. Så får vi eventuelt komme tilbake til de andre problemstillingene rundt ordningen ved senere korsvei. Statsråden og flere av representantene var inne på dette med ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har oppholdstillatelse. Flere aktører, bl.a. Barneombudet, Røde Kors og Redd Barna, har uttrykt bekymring for at man kutter ut opplæringen for disse ungdommene. Jeg tenker at opplæring er veldig viktig for alle ungdommer, enten det er folk som har oppholdstillatelse i Norge, eller som skal sendes ut. Opplæring er aldri bortkastet. Det er noe du kan få bruk for, enten du skal fortsette livet ditt i Norge, eller om du skal reise hjem til et annet land og fortsette livet ditt der. Mitt spørsmål til statsråden er: Deler han ikke bekymringen som Barneombudet, Røde Kors og Redd Barna her har gitt uttrykk for? Deler han ikke bekymringen for at det kan bli en litt vel brå slutt på den opplæringen? Jeg mener at det forslaget som regjeringen legger frem nå, og som Stortinget slutter seg til, ivaretar hensynet til de internasjonale forpliktelsene som vi har. Jeg mener at det på en god måte balanserer bli en litt vel brå slutt på den opplæringen? Jeg mener at det forslaget som regjeringen legger frem nå, og som Stortinget slutter seg til, ivaretar hensynet til de internasjonale forpliktelsene som vi har. Jeg mener at det på en god måte balanserer innvandringsregulerende hensyn – altså behovet for at vi skal ha en streng innvandringspolitikk, som er konsekvent, og som begrenser hvem som skal komme inn, og som er konsekvent også når det gjelder når man skal reise ut – med hensynet til de ungdommene det gjelder. Det vi foreslår i dag, balanserer det på en god måte, og man knytter

å bruke assistenter til å hjelpe unger helt opp til 13-årsalderen med lekser nå. Statsråden sier at det koster penger – det var ikke mer i budsjettet. Det kostet også penger før valget, men det er et spørsmål om hva man velger. Før valget sa Høyre at man ikke skulle bruke flere oljepenger. Etter valget tok man 4 mrd. kr ut, men ikke én krone av dem gikk til utdanning, fordi satsingen på etter- og videreutdanning og ble betalt av kulturskoletimen og av frukt og grønt. Mine spørsmål er: Hvorfor er det slik at de rikeste, som har fått to av de fire milliardene i skattekutt, får det fra oljefondet, mens elevene må betale for satsingen i skolen selv? Er det å satse på utdanning og å gjøre det man sa før valget? Fordi regjeringen prioriterer. Jeg er glad for at Trond Giske, som veldig ofte påpeker at det ikke er vanskelig å satse på f.eks. etter- og videreutdanning, fordi man brukte flere oljepenger, også anerkjenner at det er noen klare prioriteringer i dette budsjettet. Prioriteringer er aldri enkelt. Frukt og grønt-ordningen var populær. Det var mange som likte den. Kulturskoletimen var også en ordning som var populær, som mange likte. Men vi hadde en klar og tydelig prioritering, som vi var helt åpne om og konsekvente på også i valgkampen. Det var at vi skal prioritere det som er viktigst for at elevene skal lære mer. mer. Det viktigste for at elevene skal lære mer, er ikke frukt og grønt-ordningen. Det er heller ikke kulturskoletimen, men det er å styrke kunnskapen i skolen, først og fremst gjennom å styrke læreren. Vi har gjort det vi sa i valgkampen og fulgt opp det bl.a. gjennom denne saken. Det er

så det har vel en viss sammenheng. Mitt poeng med å formulere det på en forskjønnende måte, var rett og slett å si at vi må ta utgangspunkt i ordningene som de er i dag. Jeg mener leksehjelpordningen er en fornuftig ordning. Det mener nå også et bredt flertall på Stortinget. Det gjør det lettere for skolen å gjøre akkurat det mange i skolen har bedt oss om å gjøre. Så vil jeg stå for – både nå og i budsjettet – de prioriteringene vi har gjort. Skulle jeg ønske at vi til enhver tid ikke behøvde å prioritere? Ja, det tror jeg ikke det er noen politikere i denne sal som ikke skulle ønske. Men jeg, regjeringen og stortingsflertallet mener at det viktigste i skolen er å styrke læreren, at elevene skal lære mer, å få på plass en skikkelig realfagstrategi, og å sikre at ikke så mange elever som i dag går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. På den listen havner frukt og grønt dessverre langt ned, mens andre tiltak havner høyere opp. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid

handsaminga av folkehelsemeldinga i fjor slutta ein samla komité seg til følgjande mål for folkehelsearbeidet i Noreg: Noreg skal vera blant dei tre landa i verda med høgast levealder, befolkninga skal oppleva fleire leveår med god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjellar, og vi skal skapa eit samfunn som fremjar helse i heile befolkninga. Ein samla komité slutta seg til at vi i Noreg skal redusera førekomsten av dei fire store folkesjukdomane, som er hjarte- og karsjukdomar, diabetes, kroniske lungesjukdomar og kreft, med 25 pst. innan 2025, i tråd med det Verdens helseorganisasjon òg anbefaler. Kosthald er eit Dessverre fekk vi eit regjeringsskifte, og den manglande folkehelsepolitikken som vi no ser på fleire felt, betyr at vi kan gløyma desse viktige målsettingane. Eitt antifolkehelsetiltak er det som vi behandlar i dag, å oppheva plikta til å gi gratis frukt og grønt i skulen. Det vart innført av den raud-grøne regjeringa. Det var populært, og det har effekt. Det skal ein ta vekk. Det vert argumentert med at det er foreldra sitt ansvar at barn har med mat på skulen. Men ærleg talt: Kven av foreldra er det som føler seg trua av sitt foreldreansvar om ungen får ein gratis appelsin på skulen kvar dag? Det vert sagt at det er eit lite treffsikkert tiltak. Men kva tiltak kan vera meir treffsikkert enn det å servera barn og unge frukt og grønt kvar dag? Er eit nasjonalt senter eit meir treffsikkert tiltak? Det vert sagt at dei skal prioritera læringsfremjande tiltak. Alt i politikk er ei prioritering. Dersom vi

Eg ser at representanten Asheim sa at han er for frukt, og at det framleis skal vera ei subsidiert ordning. Det er veldig bra. Den ordninga som no vert, vert ei subsidiert ordning, men dei som følgjer med og ser på erfaringa med ho, veit at den ordninga har vorte sterkt kritisert fordi ho aukar sosiale helseforskjellar. Korleis kan eit storting akseptera ei slik ordning når vi elles snakkar så fint om tiltak for å redusera sosiale helseforskjellar. Til slutt: Kristeleg Folkeparti og Venstre har i sine merknader skrive at skulane sjølve skal prioritera desse tiltaka. Ja, det er eit fromt ønske. Poenget er at ein ikkje berre fjernar plikta, men òg pengane vert fjerna. Eg trur ikkje at Kristeleg Folkeparti og Venstre faktisk trur på det dei sjølve skriv i sine eigne merknader. Noen ord til om frukt og grønt i skolen. Representanten Asheim sa i sitt innlegg at det var viktig med frukt og grønt i skolen, men at det er også etter- og videreutdanning for lærere. Det er det denne regjeringa har prioritert. Eller som representanten sa: Vi har prioritert lærere foran pærer. pærer. Representanten Asheim har rett i at det handler om prioriteringer, men sannheten er jo at denne regjeringa har prioritert skattelettelser, som flere har vært inne på før meg, foran bl.a. frukt og grønt i skolen. Vi er alle enige i at etter- og videreutdanning for lærere er viktig. Vi er glad for at regjeringa følger opp det arbeidet som ble startet i forrige periode. Vi er alle enige i at det er viktig med gode lærere som kan faget sitt, og som er gode til å lære fra seg. men de er altså med på regjeringas reise i denne saken. Det hjelper lite hvor god læreren er, hvis ungene ikke er motivert for å motta den læringa som faktisk blir gitt. Så jeg vil bare understreke: Jeg er enig med representantene Knag Fylkesnes, Giske og Toppe, som tok dette opp. Prioriteringer som gjøres i et budsjett, handler om hele budsjettet. Det handler ikke om ett budsjettkapittel. Sannheten er jo at prioriteringene som denne regjeringa gjør, er ikke å prioritere f.eks. frukt og grønt, men det er skatte- og avgiftslettelser som er det

viktigste. I denne saken gjøres en rekke små endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven, som alle har det til felles at de skal bidra til å gjøre norsk skole enda bedre. Regjeringens klare ambisjoner om å realisere kunnskapsnasjonen handler om å prioritere det viktigste. Det aller viktigste for kvaliteten i norsk skole er læreren. læreren. Derfor satser regjeringen stort på lærerne, både når det gjelder etter- og videreutdanning og når det gjelder lærerutdanning og mulige karriereveier for lærere. To av de endringene vi gjør i dag, handler om å oppheve statlige føringer på hvordan skoleeier – kommunen eller fylkeskommunen – organiserer skolehverdagen. Vi har i mange år hatt en debatt om frukt og grønt i skolen, og i dag tar vi igjen debatten i fullt monn her i stortingssalen. Jeg føler meg helt trygg på at kommunene selv skal bestemme om de vil tilby frukt på skolen eller ikke. Jeg synes det er feil å bruke lovverket til å påby skoler å kjøpe inn frukt til sine elever. Det er ikke noe galt i å servere frukt og grønt, men at staten skal legge føringer på dette, mener jeg er feil. Jeg synes det er viktig at staten prioriterer det som er dens aller viktigste oppgave, nemlig å sørge for kvalitet i skolen gjennom å stille høye krav til innholdet og selve opplæringen. Når Knag Fylkesnes sier at prioritering er viktig, og han vil prioritere begge deler, kaller ikke jeg det å prioritere. Når det gjelder leksehjelp, gjør vi nå endringer ved å oppheve den statlige føringen som innebar at leksehjelpen ble pålagt kun fra første til fjerde trinn. Det viser seg jo i evalueringen av denne ordningen at leksehjelpen i liten grad innfridde målene med ordningen. Reformen innfridde heller ikke den politiske målsettingen om å medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i opplæringen. Det ser faktisk ut til at elever med lavest sosioøkonomisk bakgrunn resultatmessig har gått noe tilbake, mens andre elever har gått frem. Kunnskapsgrunnlaget for å beholde denne føringen er mildt sagt svakt, og derfor er det med god grunn vi fjerner disse føringene og lar skoleeier selv bestemme hvordan leksehjelpsordningen, som jeg mener er et gode, skal organiseres lokalt. Én av regjeringens viktigste oppgaver er å realisere kunnskapssamfunnet, og da gjelder det å holde riktig kurs og evne å prioritere. Jeg mener vi nå skritt for skritt styrker skolen og skolens muligheter til å være den kunnskapsinstitusjonen vi vil at skolen skal være. Vi prioriterer andre tiltak som styrker skolen mer enn frukt – enkelt og greit. Vi lar det også være opp til skoleeier å organisere leksehjelpen der den har størst effekt. Jeg er glad for at vi i dag endrer opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven, sånn at vi får bedre kvalitet i og større fleksibilitet for skolene. Jeg følte meg kallet til å ta ordet ettersom jeg ble nevnt av to medrepresentanter. Prioriteringer er noe som Arbeiderpartiet i det minste har et forhold til når de sitter i regjering. Noe av det siste Arbeiderpartiet gjorde før de gikk ut av regjering etter valget, var å legge frem sitt eget statsbudsjett sammen med SV og Senterpartiet, og i det budsjettet prioriterte de i alle fall. Der prioriterte de

Jeg tror ingen slutter å lære av å spise frukt, men jeg tror man lærer mer av en god og etter- og videreutdannet lærer. Derfor økte regjeringen bevilgningene til dette i budsjettet, og de økes ytterligere i revidert nasjonalbudsjett. 3 500 lærere får etter- og videreutdanning med denne regjeringens politikk. Da blir spørsmålet som vi som politikere må stille oss: Når foreldre går på Rimi, finner de da hyllemeter med etter- og videreutdannete lærere? Svaret på det er nei. Men de finner masse frukt. Spørsmålet blir da igjen: Hva er det vi som politikere skal prioritere å gjøre? Vi vet hva det rød-grønne flertallet prioriterte i sitt forslag til statsbudsjett for i år, og vi vet hva det nye flertallet prioriterte. Jeg er veldig stolt, jeg, av at vi har en regjering som prioriterer læreren foran frukt- og grøntordningen. Det er verdt å minne om at da de rød-grønne partiene hadde flertall og la frem sitt siste statsbudsjett før de måtte gå av, prioriterte de 0 kr til etter- og videreutdanning av lærere, men 200 mill. kr til frukt og grønt.

grønt. Jeg vil komme med følgende kommentarer – og da tar jeg utgangspunkt i det første innlegget til Henrik Asheim, hvor han snakket om at Høyre velger lærere framfor pærer: Vi gjør ikke dette for fruktdyrkerne, har jeg lyst til å påpeke, vi gjør det for eleven. Vi velger eleven. Men i tillegg klarer vi i vårt alternative budsjett å ha med etter- og videreutdanning til lærere – og frukt og grønt. og grønt. Så har jeg lyst til å si følgende også, med henblikk på at både statsråden og representanten Asheim tar opp at vi nærmest er i sjokk: Vi er ikke i sjokk. Dette er en helt normal politisk debatt, hvor det er en helt normal politisk uenighet. Høyre må tåle at de får kritikk for noe som ikke er forskningsbasert. Det er ikke kunnskapsbasert, det standpunktet de står for. Og det blir et pussig skjær over statsråd Høies initiativ når det gjelder folkehelse, som representanten fra SV pekte på. Jeg synes at det som kommer fram i debatten, er et slags ensidig kunnskapssyn. At læreren underviser godt i matematikk – selvfølgelig er det vesentlig. Selvfølgelig må vi ha godt utdannete lærere som har kompetanse i sitt fag, som har didaktisk utdanning, som klarer å formidle faget sitt. Men det er jo ikke bare det som må være på plass i en skole. Vi må ha skolebygg med sunn luft, vi må ha lekemiljø og arealer rundt skolen, sånn at barn kan utfolde seg på andre måter, vi må ha sånn at barn kan utfolde seg på andre måter, vi må ha gymsaler, vi må ha skolekjøkken, vi må ha rammer rundt skolen, og elevene må ha elevdemokrati – vi skal ha mange andre gode ting rundt skolen, og mat er faktisk ganske viktig. Hvis en er utslitt, hvis en ikke har spist, lærer en dårlig, og en kan ha verdens beste mattelærer, men min påstand er at det er ikke sikkert det går inn. Det ensidige fokuset på at det eneste som teller,

tillegg. Jeg vil også understreke at det er ingen, i hvert fall ikke i de rød-grønne opposisjonspartiene, som får sjokk over at Høyre kutter i skolebudsjettene. Det kan være at noen av velgerne til Høyre ikke helt så den komme, men vi var nok veldig forberedt på at det ville skje. Jeg tror vi ser avtegningen av hvordan debatten de neste tre årene kommer til å være. Det gjør at man later som at skolebudsjettet er en gitt størrelse, og at vi innenfor den gitte størrelsen er nødt til å velge mellom det viktigste og det som er litt mindre viktig. Hvorfor skal man f.eks. ha gratis skolebøker i barneskolen? Det er ting man kan gå og kjøpe – kanskje i framtiden også på Rema – mens etterutdannete lærere må vi sørge for over skolebudsjettene. Det er ikke nødvendig å tenke sånn. Man kan f.eks. tenke at det er viktigere å bruke 2 mrd. kr ekstra på skole enn 2 mrd. kr – helt nøyaktig – på skattekutt for dem som tjener mer enn 1 mill. kr i Norge. Av 4 mrd. kr som ble brukt fra oljefondet, gikk 0 av 10 kr til satsing på utdanning. All satsing på utdanning ble betalt av kutt i tilbud for elever i skolen. etterutdannete lærere er viktigere for læring enn frukt og grønt. Om det er viktigere for folkehelsen, er et annet spørsmål, så det gjelder også å se noen sammenhenger i politikken. Hvis kunnskapsministeren og helseministeren snakket sammen, kan det godt hende at det ville vise seg å være et veldig lønnsomt investeringsobjekt å sørge for gunstig og godt kosthold for elever. Men det er også sånn som betaler hovedbyrden for lønninger for lærere og for tilrettelegging for læring. Der brukte den rød-grønne regjeringen over 70 mrd. kr mer i de åtte årene vi satt – også i statsbudsjettet for 2014 var det en solid økning. Nå er det slik at i 2015 vil kommunene sitte med ubetalte regninger, også på kunnskapsministerens budsjett – nemlig til barnehageplasser som ikke blir

medfører en kjempesatsing for norsk skole, samtidig som man sørger for at de som betaler skolebudsjettene, ikke har penger til å følge opp de fine ordene – vel, da har man prioritert feil. Det er ikke slik at kunnskapsbudsjettet er gitt. Vi kan velge å satse på skole og utdanning framfor andre områder, f.eks. milliarder i skattekutt – hvis vi vil. Det vil de rød-grønne. Det
Neste taler er

For Høyre og regjeringen har det vært veldig viktig å se helheten i politikken. Det er ingen tvil om at både skattelettelser – som sikrer at næringslivet har gode rammevilkår – at vi har med oss at vi kommer til å mangle 20 000 lærere innen 2020, og at syv av ti i Utdanningsforbundet ønsker en etter- og videreutdanningsreform og et løft,

blir en del av normalen og ikke en del av noe ekstraordinært. Det er det denne regjeringen nå jobber inn mot, nemlig et skikkelig, solid etter- og videreutdanningsløft som skal bli en del av skolehverdagen, som skal hjelpe alle lærere som i dag føler at de har behov for påfyll, til å få den muligheten. Før vi foretok dette løftet,

500 lærere mulighet til å ta videreutdanning. Vi har innført en stipendordning som gjør det mulig for noen av de 4 000 som fikk godkjent videreutdanning, å få et stipend. Vi har lagt til 50 mill. kr, som muliggjør at man kan utvide kapasiteten når det gjelder videreutdanning i Norge, og som gjør at vi framover kan satse videre. Dette var forhold som ikke var på plass da vi tiltrådte. plass da vi tiltrådte. Jeg synes det er noe rart at vi står her og diskuterer prioriteringer og at læreren er det viktigste, når det viser seg at alle som hadde makt i denne salen de siste åtte år før oss, ikke har prioritert læreren – som er det viktigste. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

på.» Komiteen har, tross sin korte levetid, flere ganger allerede tverrpolitisk slått fast at lærere med høy faglig, pedagogisk kompetanse er avgjørende i utviklingen av en god skole, selv om debatten i denne sal tirsdag viste noen små nyanser av hva som er riktig kompetanse, hvor. Det dette representantforslaget til syvende og sist dette representantforslaget til syvende og sist handler om, er kompetanse – de lærerkreftene som i dag fungerer og virker i norske klasserom hver eneste dag. Som det kommer fram av representantforslaget, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det er ca. 9 400 tilsatte i norsk skole – 3,3 pst. av lærerårsverkene – som Samme undersøkelse viser at i overkant av halvparten av disse har videregående utdanning eller lavere. De resterende har universitets- og høyskoleutdanning, men ikke Tallet er høyt, men vi skal ikke henge oss for mye opp i tall og prosenter. Vi vet at dette tallet er sammensatt av en rekke ulike faktorer – vikariater, studenter som er under utdanning, pedagogisk støttepersonale osv. Det er ikke noe poeng i å forklare tallet så mye at vi overskygger det faktum at det i norsk skole for ofte gis undervisning av lærere uten formell kompetanse. kompetanse. Det vil være stort behov for kvalifiserte lærere i årene som kommer. Dette representantforslaget går rett inn til kjernen når vi snakker om å sikre framtidens lærerkompetanse. Det handler om å videreutvikle kompetansen hos dem som allerede har et ben innenfor, hos dem som allerede har valgt skolen som arbeidsplass, men som mangler noe av Det er behov for bedre kunnskap om hvilken formell bakgrunn denne gruppen skoleansatte har. Derfor er det bra at departementet har satt i gang et arbeid med å kartlegge grunnskolelærernes kompetanse og grad av faglig fordypning. En slik kartlegging er helt nødvendig for å få vite hvilke innsatsfaktorer som må iverksettes for at lærerne skal få den kompetansen som kreves. Når en slik kartlegging er klar, er det viktig at vi tilpasser innsatsen, eksempelvis gjennom å tilpasse etter- og videreutdanningstilbudet, slik at vi får flere lærere med riktig kompetanse. Til syvende og sist er det skoleeier som har ansvaret for den daglige driften av skolen, for ansettelser og for å legge til rette for kompetanseheving. De har et ansvar for å sørge for at den arbeidsstyrken som de har, er i tråd med krav og behov i skolen. Vi har nylig innført kompetansekrav når det gjelder undervisning i skolen. Det må være et overordnet mål at ansatte i undervisningsstillinger gis gode muligheter til å tilegne seg formell kompetanse, i tråd med disse Over halvparten av lærerne som mangler formell undervisningskompetanse, har universitets- og høyskoleutdanning. Det er derfor naturlig og nødvendig å se på hvilke muligheter andre yrkesgrupper og fagpersoner har til å få undervisningskompetanse i skolen. Tilbud om PPU-utdanning og tilrettelegging her bør spesielt vurderes. Statsråden påpeker i sitt brev til komiteen at det er knyttet noen kapasitetsutfordringer til det å nå målet om å sikre alle lærere tilfredsstillende faglig fordypning på kort sikt. Dette er ikke vanskelig å forstå. På tross av dette er det likevel nødvendig at man fra Stortingets side tydelig stadfester dette målet.

innstilling. Venstre har i denne saken fremmet et representantforslag om at regjeringen skal legge frem en egen sak om et særskilt kompetanseløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse for de trinnene de underviser på. Det er ingen tvil om at gode og kvalifiserte lærere er en forutsetning for en god skole. Når vi vet at det er et stort antall ikke-kvalifiserte lærere det er mange som mangler kvalifikasjoner i faget de underviser i, og det er mange som mangler pedagogisk utdanning – er det viktig at vi gjør noe med situasjonen. Et av regjeringens viktigste prosjekter er nettopp å realisere kunnskapsnasjonen. Det betyr at utdanning og forskning har høy prioritet. Det tror jeg alle som er opptatt av kunnskap, har at lærersatsingen til regjeringen er et viktig ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten i skolen. Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen foreslått flere tiltak for å styrke lærerutdanningene og attraktiviteten til læreryrket. Regjeringen planlegger å dimensjonere videreutdanningssystemet slik at dette målet kan oppnås for alle lærere på lengre sikt. Regjeringen vil også gjøre om masterutdanning. I tillegg varsles det et særskilt krafttak innenfor matematikk, slik at en del av videreutdanningen prioriteres til matematikkfaget. I statsbudsjettet for 2014 ble første fase av opptrappingen av satsingen på videreutdanning gjennomført med en vesentlig økning i bevilgningen, og vi ser at satsingen kommer til å bli ytterligere styrket i revidert nasjonalbudsjett. Det brukes nå over 600 mill. kr til videreutdanning for lærere og skoleledere i grunnopplæringen. grunnopplæringen. Vi opplever at rekordmange lærere vil begynne på videreutdanning høsten 2014. Totalt kan 3 550 lærere få videreutdanning i løpet av dette året. Jeg støtter forslagsstillernes konklusjon om at det er nødvendig med et kompetanseløft for lærere. Jeg ser derimot ikke noe behov for å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak så lenge regjeringen jobber så bredt med disse spørsmålene og involverer Stortinget på egnet måte underveis. Regjeringen er godt i gang med å legge til rette for kompetanseutvikling for lærere. Vi ser at lærerne etterspør kompetanseutvikling i langt større grad enn tidligere, og vi ser også at kommunene følger opp. Den aller viktigste innsatsfaktoren for en god skole er læreren, og jeg er glad for at regjeringen prioriterer en storstilt satsing nettopp på læreren. Etter knapt ett år på Stortinget har vi fått mange konkrete bevis på det. Fremskrittspartiet er

det. Fremskrittspartiet er glad for at det er tverrpolitisk enighet om behovet for å styrke kompetansen i skolen. Vi støtter derfor intensjonen i representantforslaget, som inneholder veldig mye klokt, og som ikke minst gir en god beskrivelse av dagens situasjon og behov i Skole-Norge. Kompetansebygging og gode lærere er viktig. I noen år nå har vi hatt Foreløpige rapporter kan imidlertid tyde på at GNIST-kampanjen har hatt begrenset effekt. Det er derfor gledelig at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen nå intensiverer arbeidet med å rekruttere flere lærere på flere plan, sånn at man ikke er låst til ett enkelt prosjekt. Det er viktig å tenke fordomsfritt på dette området og se forbi gamle ideologiske skillelinjer. Vi må forholde oss til virkeligheten og prioritere det aller viktigste: kunnskapsoppbygging og satsing på læreren. I skolepolitikken har regjeringen store og ikke minst realistiske ambisjoner. Tiltak som f.eks. strenge normer for lærertetthet vet vi har lite å si for kvaliteten på utdanningen, og ikke minst vet vi at det ikke er gjennomførbart i virkelighetens verden, noe faktagrunnlaget for dette forslaget tydelig viser. I dag regner man med at ca. 9 400 tilsatte i norsk grunnskole – ca. 3,3 pst. av lærerårsverkene – mangler formell undervisningskompetanse. Det er med andre ord en betydelig utfordring vi står overfor. Departementet har satt i gang et arbeid med å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lærernes kompetanse og grad av faglig fordypning i grunnskolen. En sånn kartlegging er nødvendig for å vite hva som må til

og hvordan disse skal oppnå undervisningskompetanse. Tilbud om PPU-utdanninger, som saksordføreren også var inne på, og tilretteleggingen her bør spesielt vurderes. I det arbeidet må det legges opp til fleksible og ubyråkratiske ordninger med store muligheter for lokal tilpasning der samarbeid med næringslivet, mentorordninger og realkompetanse blir sentrale faktorer. Det er et enormt ansvar som ligger på lærerkreftene i norsk skole.

Vi må rekruttere gode folk til lærerutdanningene, men minst like viktig er det å ta vare på dem som allerede jobber i skolen, og sørge for at de får utviklingsmuligheter og får utnyttet sitt potensial best mulig. Aristoteles sa at det fremste kjennetegnet på at man har ekte kunnskap, er evnen til å lære bort. Det er kjernen i lærergjerningen, både fagkompetanse Med en fortsatt intensiv satsing på lærerkreftene i skolen, effektiv utnyttelse av kompetansen og en satsing på videre utvikling av undervisningspersonalets evner, både faglig og pedagogisk, ligger Norge godt an til å havne der vi hører hjemme, i verdenstoppen. Fremskrittspartiet støtter derfor intensjonen i forslaget om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte
om et særskilt kompetanseløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse for de trinnene de underviser på. Det er

på. Skolen trenger gode lærere, og heldigvis har vi tusenvis av gode lærere i norsk skole som gjør en kjempejobb for barna våre hver eneste dag. Men vi trenger enda flere, og vi må sørge for at de som jobber i skolen, har den faglige og pedagogiske kompetansen som kreves. For å få til det må vi sørge for at vi har en at vi lykkes med å rekruttere de rette kandidatene inn til denne utdanningen og inn til læreryrket, og at de som i dag er ansatt i skolen uten å ha formell undervisningskompetanse, får muligheten til å skaffe seg det. Vi vet at halvparten av de lærerne som mangler formell undervisningskompetanse, har annen universitets- og høgskoleutdanning. Mange av dem har helt sikkert også annen verdifull kompetanse og andre erfaringer fra arbeidsliv, fra næringsliv, som utgjør et verdifullt bidrag til skolen. Det mener jeg er bra. Jeg er helt sikker på at en ingeniør, en økonom eller en med en helt annen faglig bakgrunn kan ha mye positivt å bidra med inn i norsk skole, og jeg mener at det er viktig å se på hvordan disse menneskene som har lyst til å jobbe i skolen, kan få den formelle kompetansen som trengs. Jeg mener vi må se nærmere på PPU-utdanningene og vurdere spesielle tilrettelegginger, slik at vi kan gi flere gode krefter en vei inn til klasserommet. Men vi trenger mer kunnskap og mer informasjon om hvem disse som er ansatt i skolen uten formell er. Det kommer fram av svarbrevet fra statsråden til komiteen at departementet har satt i gang et arbeid med å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lærernes kompetanse og grad av faglig fordypning i grunnskolen. Det er bra. Jeg støtter altså intensjonen i Venstres forslag fullt ut – det er det min opplevelse at alle partier gjør – men vi vet at departementet allerede jobber med denne tematikken. Det er jeg glad for, og jeg mener at det er naturlig at vi i dag ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på en egnet måte om et særskilt kompetanseløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på. Så må jeg bare kommentere helt kort noe representanten Sivert Bjørnstad sa. Han sa at strenge normer for lærertetthet ikke hever kvaliteten i undervisningen. Det er jeg uenig i. Jeg mener at økt lærertetthet vil gjøre det lettere for læreren å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Det vil heve kvaliteten. Det er det også forskningsmessig belegg for å si. Vi vet at økt lærertetthet er positivt for de svakeste elevene, for elever med en annen etnisk bakgrunn og for elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Det er disse elevene vi finner igjen i spesialundervisningen, og det er disse elevene vi finner igjen i frafallsstatistikken. Derfor ville en satsing på økt lærertetthet, og da spesielt på de laveste klassetrinnene, vært en treffsikker måte å løse de store utfordringene i skolen på.
Neste taler er

Det er de seinere årene satt i verk en rekke tiltak for å øke både status og kompetanse hos de lærerne som allerede er utdannet og for å trekke til seg nye. I 2008 startet den rød-grønne regjeringa opp med GNIST-kampanjen, som skulle øke antall kvalifiserte førstegangssøkere til lærerutdanninga med 50 pst. Det var en målsetting. Det lyktes vi faktisk med på tross av hva man kan få inntrykk av

men det sier meg også at en kampanje som GNIST ikke bare må virke en kort periode – dette er faktisk noe som må skje kontinuerlig. Vi kommer alltid til å trenge kompetente lærere – herfra til evigheten! Dessverre har det vært sånn at læreryrket, og for så vidt andre velferdsyrker, har hatt lav status. Alle har en mening om læreren, fordi alle har vært Alle har hatt en god lærer, og alle har hatt en dårlig lærer. En god lærer er ikke nødvendigvis det samme som en som har hatt 1 i alle fag. I læreryrket er det mer som teller, akkurat som innenfor andre fag, som f.eks. helse- og omsorgsfag. Læreryrket har hatt lavere status de seinere tiårene bl.a. på bakgrunn av endringer i arbeidsmarkedet og en sterk oljedrevet økonomi, og fordi det offentlige ikke har hatt evne til å følge det private næringslivets lønnsvekst. Status følger gjerne lønn, men ikke alltid. Så til de mange som på tross av at de ikke er utdannet til det, jobber i skolen. Ca. 9 000 tilsatte i skolen har ikke undervisningskompetanse, står det i innstillinga. Det er anslag basert på SSB-statistikk. Det anslås om lag 1 640 årsverk – tallet kommer fra GSI. Hvor mange det eksakt gjelder er mindre viktig, som representanten Bjørnstad var inne på, enn det faktum at det er veldig mange. Likevel er det viktig å være klar over at ikke alle disse 1 600 årsverkene er lærerstillinger, som gjelder tilsatte som ikke er i gang med eller som ikke har planer om utdanning. Jeg har lest «Strategisk kompetanseutviklingsplan for pedagogisk arbeid i Oppland fylkeskommune 2014–2018» for å få liten en idé om hva som rører seg lokalt. Dette er en plan for en fylkeskommune med 13 videregående skoler, en stor fagskole, to folkehøgskoler og regionale karrieresentre. Det var interessant lesning. Fylkeskommunen beskriver sjølsagt rammer og mål, men den beskriver også hver skole, hvor mange som mangler undervisningskompetanse, det være seg fag, PPU eller faglærerutdanning, på hvert enkelt studiested, hvor mange av dem som er i gang med studier, hvor mange som er uten formell kompetanse, som er elevassistenter osv. Jeg leste planen for en fylkeskommune, så jeg antar at dette vil variere noe for en kommune med hensyn til kompetansebehov. Men jeg forventer at alle kommuner og fylkeskommuner har kompetanseutviklingsplaner for sine ansatte, både for dem med og dem uten formell utdanning. Jeg regner med at det er disse planene statsråden gjerne vil ha innsyn i for bedre å gi svar på hvilke innsatsfaktorer som nå må settes inn. Det står at resultatet av den kartlegginga vil foreligge våren 2014, så jeg håper at vi får et innblikk i dette allerede i dag, for jeg føler i grunnen at det er sommer bare en kommer utenfor døra her. Så tror jeg vi kan slå fast én ting: Desentralisert og nettbasert og videobasert lærerutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning vil det være behov for. Vi snakker om folk som er tilsatt i distrikter i landet, og som etter alle solmerker vil ta utdanning på deltid. Da må undervisninga legges til rette på en fleksibel måte. Jeg ser fram til at statsråden kommer til Stortinget med en plan for hvordan han tenker å gjøre dette.

Derfor er ansatte med god faglig og pedagogisk utdannelse selve grunnsteinen i skolen i dag. Jeg tror det er bred enighet om lærerens nøkkelrolle i den gode undervisningen, og at det derfor bør være bekymringsfullt når tallene viser at hele 9 400 ansatte i norsk skole i dag mangler undervisningskompetanse. Det er klart at den formelle kompetansen de tilsatte som mangler undervisningskompetanse, har, varierer, men det er sannsynlig at en betydelig andel av disse kun har videregående opplæring eller lavere og uten pedagogikk, som flere har vært inne på. Dette gir rom for ettertanke. Men det er viktig å understreke at også de som jobber i skolen i dag som såkalte ikke-kvalifiserte lærere, gjør en god jobb, og de er viktige bidragsytere til elevenes læring. Dette er folk som har valgt å jobbe i skolen fordi de liker å jobbe med barn og unge, fordi de trives med å være en del av en opplæringssituasjon, og de er viktige for norsk skole også framover – særlig sett i lys av den forventede mangelen på lærerkrefter vi kommer til å ha de kommende Sånn som vi i Venstre ser det, er det nødvendig å igangsette ytterligere tiltak for å sikre at lærere som underviser i norsk skole, faktisk har den undervisningskompetansen for trinnene de underviser på. Noen ansatte, særlig de med høyere og lavere universitets- og høgskoleutdanning, men uten pedagogikk, vil sannsynligvis ikke ha behov for særlig omfattende kompetanseheving, mens ansatte som har videregående opplæring eller lavere og uten pedagogikk, må ha betydelig mer utdanning. Under alle omstendigheter må det gjøres et systematisk arbeid for å sikre at alle elever i norsk skole innen rimelig tid får undervisning av lærere som er faglig kvalifisert for det. Dette er en av Venstres hovedprioriteringer å få begynt på i denne stortingsperioden. Vi er derfor glad for at et flertall i komiteen støtter vårt forslag om at regjeringen skal legge fram en sak om et særskilt kompetanseløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på. Jeg hadde håpet at det var en samlet komité som kunne stille seg bak dette forslaget, men jeg tar til etterretning at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti støtter intensjonen og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med et særskilt løft for disse det her gjelder. Det legger jeg til grunn at kunnskapsministeren følger opp ved første anledning. Helt til slutt vil jeg takke saksordføreren for godt samarbeid og godt utført jobb.
Neste taler er
Røe Isaksen
godt utført jobb. Det er veldig bra at Stortinget diskuterer med dette som utgangspunkt. Det betyr at vi alle sammen er enige om at nøkkelen for å få en enda bedre skole er å løfte læreren. Det er jo veldig mange Hver eneste dag er det flinke lærere som går til jobb, som lærer barn å knekke lesekoden, lærer dem å regne ut sitt første mattestykke, lærer dem om historie, lærer dem om samfunnsfag og lærer dem praktiske ferdigheter. Og nettopp fordi det er så mange flinke lærere, og fordi forskningen er så entydig på at læreren er nøkkelen til en enda bedre skole, vet vi at det å investere i å gjøre gode lærere enda bedre er viktig. viktig. Ifølge OECD er Norge blant landene som bruker aller mest penger på grunnskole og videregående opplæring. Nasjonal statistikk viser at lærertettheten i grunnskolen har vært svært stabil over lang tid. Samtidig viser internasjonale undersøkelser at resultatene til norske elever ikke er i verdenstoppen. Med andre ord er det ikke direkte samsvar mellom ressursene vi har til rådighet, og resultatene vi får ut.

Tilgjengelige kunnskapsoversikter tegner likevel et bilde: De beste lærerne behersker faget sitt godt, de har altså formell kompetanse, de skaper et positivt klima i klasserommet, og de varierer undervisningen ut fra elevenes behov. Jeg deler representantene fra Venstres bekymring over det store antallet ikke-kvalifiserte lærere i norsk skole. Dette antallet ønsker vi å redusere, bl.a. gjennom tidenes Ifølge nasjonal statistikk fra GSI har andelen årsverk til undervisningspersonale uten godkjent utdanning i grunnskolen variert relativt mye siden starten av 1990-tallet, med to topper rundt 2000 og 2010. I de siste årene har andelen ligget rundt 3 til 4 pst. av alle årsverk til undervisning. Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen dessuten foreslått flere tiltak for å styrke lærerutdanningene og attraktiviteten til læreryrket.

på lengre sikt. Det vil vi gjøre i nær dialog med både universitets- og høyskolesektoren, skoleeierne og lærerorganisasjonene. Kapasiteten i universitets- og høgskolesektoren for videreutdanning av lærere er per i dag – selv med regjeringens store satsing – ikke tilstrekkelig for å realisere målet om faglig fordypning i basisfagene for alle lærere på kort sikt, men universitetene og høgskolene har vist vilje til å bidra til økt kapasitet i den første fasen. Man har bygget ut tilbudet betydelig. Det er sannsynligvis heller ikke mulig for skoleeierne å gjennomføre et kompetanseløft med et slikt volum på kortere sikt, ettersom videreutdanning forutsetter tilstrekkelig tilgang på lærervikarer. Derfor må vi sammen med skoleeiere planlegge for hvordan vi best mulig kan utnytte kapasiteten i videreutdanningstilbudet over tid, samtidig som vikarbehovet ikke går ut over kvaliteten på I statsbudsjettet for 2014 ble første fase av opptrappingen av satsingen på videreutdanning gjennomført med en vesentlig økning i bevilgningen. Satsingen ble ytterligere styrket i revidert nasjonalbudsjett. Det benyttes nå over 600 mill. kr til videreutdanning for lærere og skoleledere i grunnopplæringen, og satsingen har åpenbart truffet et behov både hos lærere og skoleeiere. Rekordmange lærere vil begynne på videreutdanning høsten 2014. Totalt kan 3 550 lærere få videreutdanning i 2014. Den videre satsingen på videreutdanning må bygge på et godt kunnskapsgrunnlag som departementet nå er i ferd med å hente inn. Jeg støtter forslagstillernes konklusjon om at det er nødvendig med et kompetanseløft for lærerne og vil si at regjeringen allerede er i gang. Det blir replikkordskifte. Statsråden sa i sitt innlegg at han hadde tenkt å skjerpe kravene til

som f.eks. mat og helse eller formgivingsfag, der mitt inntrykk er at undervisninga i dag i stor grad utføres av ikke-kvalifiserte – det vil altså si dem som ikke har en faglig utdannelse? Det bekymrer meg veldig. For det andre: Ser ikke statsråden at dette vil bidra til at det kommer enda flere i kategorien «ikke-kvalifiserte» når kravene blir skjerpet for dem som allerede er i skolen i dag? noe om hvordan han tenker å møte den utfordringa? Det korte svaret er at dette vil vi komme tilbake til Stortinget med. Men jeg kan knytte noen betraktninger til spørsmålet. Nå kom det kompetansekrav – altså fordypningskrav i undervisningsfagene. Hvis man skal utvide de fordypningskravene, er det klart at det på kort sikt vil bety at færre fyller kravene altså at flere ikke fyller kravene. Derfor er det helt avgjørende at man samtidig bygger opp et videreutdanningssystem som gjør at man på sikt kan se at kravene blir fylt. Det mener jeg er den fornuftige måten å gjøre det på. Man må bygge ut systemet for å for å gi videreutdanning, samtidig som kravene da kan skjerpes inn. Når det gjelder de praktisk-estetiske fagene, er det jo ikke kompetansekrav knyttet til dem på samme måte. Men jeg har lyst til å markedsføre at etter- og videreutdanningsløftet også gjelder for praktisk-estetiske fag. Satsen som staten tar, er også der økt til 60 pst., så staten tar en større del av regningen for dem som vil ta videreutdanning innenfor praktisk-estetiske fag. Mitt spørsmål handler om ressursbruken i etter- og videreutdanning for dem som allerede er

Det kan f.eks. være assistenter, eller det kan være noen som har høyere utdannelse, men som ikke har tatt pedagogikken. I løpet av de siste årene har det ikke vært satset konkret og direkte inn mot denne gruppen. Mange av dem har jo en arbeidsplass på skolen allerede, ønsker det og det er sannsynligvis lettere å rekruttere dem inn til læreryrket enn å hente folk utenfra. Det mener jeg vi skal adressere. En nøkkel er selvfølgelig da å ha mer fleksibel PPU, sånn at f.eks. de som har en fagmaster i bunn, kan kombinere det å være i skolen med å ta pedagogikken. Statsråden gjentar noe han har sagt i denne salen flere ganger tidligere, nemlig at det er dårlig samsvar mellom hvor mye ressurser vi bruker på lærere i

større del av ressursene i skolen, parallelt med at gruppestørrelsen i norsk skole stadig blir større. Mitt spørsmål er om statsråden deler min og Kristelig Folkepartis bekymring for denne utviklingen, og om ikke nettopp økt lærertetthet i den ordinære undervisningen – og da spesielt i de laveste klassetrinnene – kunne bidratt til å snu denne utviklingen og sørge for at vi faktisk får mer igjen for de ressursene vi bruker i skolen.

peker i retning av – forskning gir på sånne spørsmål sjelden en helt klar fasit – er at det å ha flere lærere i seg selv har liten effekt, hvis ikke man også endrer undervisningsmetodene og det pedagogiske opplegget. Dessuten er det veldig dyrt. Det betyr at det regjeringen har prioritert først, er å si at videreutdanning bygger lag på skolen – å bygge opp en masterutdanning. Men jeg er – for å ta det tredje punktet – helt enig med representanten i at det er et problem som problem som vi må adressere, at veldig mye ressurser går til spesialundervisningen som mange steder sannsynligvis kunne vært brukt til å styrke den ordinære undervisningen. Takk til statsråden for svaret. Det er helt riktig at forskningen ikke kan dokumentere at det vil ha noen effekt dersom man bare øker antall lærere eller reduserer antall elever per lærer uten å endre undervisningen.

akkurat de samme elevene som vi i dag finner igjen i spesialundervisningen og i frafallsstatistikken. Er ikke dette da et veldig treffsikkert virkemiddel for å hjelpe disse elevene? Hvis man gjør omorganiseringer på en skole, eller hvis man benytter seg av den ordningen som flertallet på Stortinget, inkludert regjeringen, har videreført, hvor det kom 600 ekstra lærerårsverk fra staten som er fordelt rundt i kommunene på bestemte skoler, og får bedre undervisning gjennom det, er det veldig bra. Jeg synes vi skal trekke lærdommer når det prosjektet er ferdig, når den statlige finansieringen i utgangspunktet skal gå ut, og se hvorvidt det har fungert. Så er spørsmålet treffsikkert. Det man også må gjøre på dette området, er å prioritere hva som er viktigst. viktigst. Jeg mener det er veldig viktig med flere lærere – som sagt: Lærerrekrutteringen må vi fortsette med. Hvis staten skulle brukt sine midler først og fremst på et løft for antall lærere inn i skolen, sånn som de bl.a. har vært opptatt av i Sverige, er det veldig mye som tyder på at det er et dårligere samsvar mellom pengene man bruker på det og resultatet man får igjen, sammenliknet med å satse på f.eks. videreutdanning, kompetanse, lagbygging i skolen og fordypning.

hva vil statsråden konkret gjøre for å øke deres kompetanse, og når kan vi forvente at statsråden kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette? Jeg kan forsikre representanten og forslagsstillerne om at vi ikke har begynt å jobbe med dette nå, i går, eller i forrige uke, fordi det kommer et forslag til vedtak i Stortinget – dette er vi i gang med. Det er en grunn til at undersøkelsen er bestilt, og jeg har også sagt klart og tydelig at dette vil vi komme tilbake til Stortinget med, politikk og planer. Videreutdanningssatsingen vår er en del av det, men det vil også komme mer som dreier seg bl.a. om kompetanse. Hvis man bare har videregående skole, har man ikke formell undervisningskompetanse, så det er to spørsmål her. Det ene gjelder dem som ikke har formell undervisningskompetanse, altså ikke lærerutdanning, og det andre gjelder dem som har lærerutdanning, men som ikke har f.eks. fordypning i norskfaget selv om de underviser i norsk, eller fordypning i matematikkfaget selv om de underviser i matematikk. Begge deler mener jeg vi skal gjøre noe med. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Representanten Tone Merete Sønsterud

Den videre presiseringen av at dette skal skje innenfor dagens timetall, er det Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som står bak. Så vil jeg få lov til takke komiteen for samarbeidet i denne saken, og Senterpartiet for et godt initiativ, selv om vi heller ikke denne gangen ser ut til å greie å samle oss om et felles forslag som kan sikre minimum 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen. Slik jeg oppfatter komiteen, er dette et mål som samtlige partier stiller seg bak, men som så mange ganger før, når forslag om fysisk aktivitet i skolen har vært debattert og behandlet i Stortinget, stanser enigheten ved de gode intensjonene. Det skjedde under behandlingen av Fremskrittspartiets forslag høsten 2012, Kristelig Folkepartis forslag våren 2013, og folkehelsemeldingen, også den våren 2013. Nå har vi en ny mulighet. Stortinget kan nå samle seg om et vedtak som kan ta saken et skritt videre. Tiden er kommet for å gå fra ord til handling. Jeg vil derfor oppfordre alle partier til å gå en ny runde med seg selv og bidra til å sikre flertall for ett av de to forslagene som foreligger i innstillingen fra komiteen. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Helsedirektoratet har regnet ut at personer som er fysisk aktive, i gjennomsnitt vinner åtte kvalitetsjusterte leveår i et livsløpsperspektiv sammenliknet med personer som er inaktive. Med unntak av de helt yngste barna er det fysiske aktivitetsnivået i Norge i dag urovekkende lavt. Det er særlig hverdagsaktiviteten knyttet til daglige rutiner som har gått ned. Allerede fra 6–9-årsalderen blir aktivitetsnivået redusert. Aktiviteten synker gjennom hele oppveksten, og bare én av fem voksne oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet, og da snakker vi om 30 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet. Kristelig Folkeparti har tatt opp denne saken flere ganger i Stortinget de siste årene. I Dokument 8:23 S for 2012–2013 fremmet vi ti konkrete forslag til tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Det var bl.a. forslag om å innføre én times fysisk aktivitet hver dag i skolen, om å styrke svømmeundervisningen og om en handlingsplan for rehabilitering og nybygg av svømmeanlegg. Den 19. mars 2013 valgte stortingsflertallet å vedlegge alle forslagene til protokollen. Mange av de samme forslagene ble drøftet på nytt i forbindelse med Stortingets behandling av folkehelsemeldingen våren 2013. Utfallet da ble at regjeringen ville «vurdere hvordan skoledagen kan organiseres slik at elevene sikres minst én time fysisk aktivitet hver dag». Det var fortsatt relativt uforpliktende, og lite har skjedd med den saken siden. Jeg vil derfor gjenta min oppfordring til alle partier i denne salen om å bidra til å ta denne saken det lille steget videre fra ord til handling. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet foreslår følgende: «Stortinget ber regjeringa fremje forslag til innføring av ei ordning som sikrar elevar på 1.–10. trinn minst ein time fysisk aktivitet kvar dag, innanfor dagens timetal.» Arbeiderpartiet og SV foreslår: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan man kan innføre én time daglig fysisk aktivitet for elever fra 1.–10. trinn.» Vi i Kristelig Folkeparti stemmer primært for vårt eget forslag, og subsidiært for Arbeiderpartiet og SVs forslag. Jeg håper at Stortinget vil sikre flertall for et av dem. Jeg fremmer med dette

Så for oss er dette en viktig sak. Som saksordføreren sa, er det ikke første gang vi ser dette forslaget i denne sal, og jeg har i den forbindelse, og med stor interesse, lest tidligere saker, forslag, innstillinger, merknader og debatter. Den siste gangen dette ble behandlet, var i forbindelse med stortingsmeldinga som bar navnet På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen. La oss ta et lite tilbakeblikk. I innstillinga til nevnte stortingsmelding kan vi bl.a. lese – og jeg minner om at dette ble skrevet for bare et år nye tiltak i skolen skal forankres i forskningsbasert kunnskap om hva som fungerer, og innføring av mer fysisk aktivitet i skolehverdagen er nettopp det.» Det ble videre sagt at forskning og internasjonale funn viser hvordan læring og trening henger sammen, og at økt fysisk aktivitet blant elevene fremmer bedre læring. det er viktig å trekke inn problemet med bråk og uro i klasserommet. Det ble vist til internasjonale undersøkelser som viste at Norge lå svært dårlig an når det kom til effektiv tidsutnyttelse av undervisningstimene, og at elever og lærere rapporterer om for mye tid brukt til å forsøke å holde ro og orden, og det ble vist til eksperimenter som viste med klarhet at fysisk aktivitet hver dag ga mer ro og Vi kan lese i merknader at opplæringsloven § 9a om elevenes psykososiale miljø brytes i for stor grad i dag, og det var store bekymringer over de høye mobbetallene i norsk skole. Igjen ble det vist til både nasjonal og internasjonal forskning, som viser at fysisk aktivitet og trening generelt sett gir en mestringsfølelse og fører til en styrking av selvfølelsen, som igjen har vist seg å innvirke positivt når det kommer til forebygging av mobbing. mobbing. Så ble følgende forslag fremmet: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag om fra høsten 2014 å innføre én time fysisk aktivitet hver dag for elever i grunnskolen, med en tilsvarende økning av rammetimetallet.» Var dette merknader og forslag fra oss i Arbeiderpartiet? Nei, dette er bare noen av de argumentene – og jeg mener det er gode argumenter – som ble ført i pennen av Fremskrittspartiet som begrunnelse for forslaget jeg refererte til. Den gangen, for nesten på dagen ett år siden, sa Fremskrittspartiet følgende i debatten: Hvorfor stemmer ikke regjeringa for dette forslaget? Er det fordi regjeringa ikke ønsker mer fysisk aktivitet? Er det fordi det er Fremskrittspartiet som fremmer forslaget? Videre ble det sagt at det er skremmende at regjeringa går imot forslaget, og: «Det er skremmende fordi det med tydelighet viser at regjeringa ikke har skrupler når det gjelder å ha fagre løfter til velgerne, men ikke gjennomfører det når det kommer til stykket. Det er skremmende fordi man aktivt velger å sette ideologi foran praksis, at de setter ideologiske standpunkt og rir kjepphester framfor faktisk å føre tiltak som er til det beste for elevene. Det er skremmende fordi barns læring og trivsel i skolen blir gjort mindre viktig enn å vinne politisk gunst for velgerne.» Og til slutt, bare for å understreke det hele, ble det sagt: «For oss i Fremskrittspartiet er elevene viktigere enn politisk strategi og spill. For oss er læring viktigere enn ideologi.» Dette er bare et lite utdrag av kraftsalvene som kom fra Fremskrittspartiet i forrige periode. Derfor må det være lov å spørre Fremskrittspartiet i dag: Hvorfor stemmer de ikke for forslaget fra Senterpartiet? Det er jo likt det forslaget de selv fremmet våren 2013. I henhold til Fremskrittspartiets egen retorikk, må jeg spørre: Er det ikke lenger læring som er det viktigste for dem? Og ettersom det var så skremmende den gangen da den rød-grønne regjeringa ikke støttet forslaget fra Fremskrittspartiet, bør de vel være vettskremte i dag. I regjeringserklæringsdebatten understreket statsminister Erna Solberg følgende: «Vi ser frem til en periode hvor Stortinget forsterkes som politisk verksted, og vi ser frem til ordskiftene som følger med. Da regner vi med at man gjør som man sier, nemlig stemmer for det man er for og passer på å være i god dialog om at det ikke bare blir politisk spill». Det var altså på vegne av Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa, og da regner jeg med at Fremskrittspartiet ikke lenger er for det de den gangen var for. Det står bare ikke til troende. Til slutt fremmer jeg på vegne av Arbeiderpartiet og SV vårt forslag i denne saken.

Norge og andre vestlige land ganske så betydelig når det kommer til medisinske framskritt, som har hatt stor betydning for helse, men de har også bidratt til at vi løser oppgaver og utfordringer i samfunnet i dag på helt andre måter. har jeg latt meg friste av å se på en robotgressklipper, for det er jo så kjekt – og det finnes andre roboter som løser huslige sysler for oss alle sammen. Vi tar buss når vi skal komme oss imellom, for busstilbudet er blitt bedre. Det er heller ikke uvanlig at vi kjører ungene på trening. Det er ingen tvil om at denne velferdsutviklingen som vi alle sammen har sett på som et gode i samfunnet, samfunnet, også har bydd på noen utfordringer når vi samtidig vet at all forskning sier at minimum 60 minutter fysisk aktivitet er et gode for å sikre en god folkehelse. Det kan by på utfordringer å være i god aktivitet i 60 minutter, med passe høy puls, i dagens samfunn på Nå er ikke poenget mitt å si at vi ikke skal løfte fram teknologisk utvikling fortsatt, for det er det absolutt ingen tvil om at vi er nødt til å hilse velkommen hvis vi skal bidra til økt helse og økt utvikling i samfunnet vårt. Men vi må også være varsom med å tro at skolen alene kan være den arenaen som som vi føler behov for å finne god framdrift på i samfunnet. Derfor er det viktigere at vi har et helhetlig perspektiv også på hvordan fysisk aktivitet kan sikres for våre unge, oppvoksende generasjoner, sånn at vi bygger et godt fundament når de skal forme sine liv og ta sine valg. Vi må legge til rette for god utbygging av idrettsfasiliteter, sånn at de som ønsker det, og har et behov for det, kan velge å starte med idrettsaktiviteter, uten at det er lange ventelister for å komme inn på en idrettshall. Vi må legge til rette for at vi som samfunn bygger opp gode holdninger, og til det kreves det kunnskap. Derfor er det ingen tvil om at

at vi ser at helse ikke bare er fysisk helse, men også psykisk helse. Det henger ofte sammen, og det er ofte en sammensatt problemstilling. Når vi i dag diskuterer fysisk aktivitet i skolen, er det også verdt å legge merke til at denne regjeringen tar psykisk helse på største alvor. Jeg vil berømme f.eks. den ekstra satsingen på 100 som er med på å styrke psykologiske tjenester ute i Kommune-Norge, og som er rettet inn mot – først og fremst, kanskje – barn og ungdommer, og forebyggingen som gjøres for denne aldersgruppen. Dette er med på å bygge hele mennesker – som tar kloke, gode valg, og som er med på å bygge sin egen helse, både fysisk og psykisk, i framtiden. La det avslutningsvis bare være sagt:

som nødvendigvis er fasiten. Landet er langt, landet har forskjellige forutsetninger. Jeg vil anta at det på vinterstid i Båtsfjord – hvis det er utfordringer med idrettsanlegg og fasiliteter – ikke er like enkelt å ha fysisk aktivitet der som i andre deler av landet. Det er det viktig at man tar hensyn til i det videre arbeidet.

I en studie fra Malmö högskola i Sverige fulgte man to skoleklasser gjennom hele grunnutdanningen – den ene klassen hadde idrett hver dag, mens den andre hadde idrett to timer i uken. Den gruppen som hadde mest fysisk aktivitet, hadde en mye bedre motorisk utvikling og bedre skoleprestasjoner. Særlig så en at dette hadde en gunstig effekt Fremskrittspartiet vil understreke det positive utbyttet som fysisk aktivitet gir på både kort og lang sikt. Dette var også grunnen til at Fremskrittspartiet tidligere fremmet et eget forslag om fysisk aktivitet på skolen, et forslag som innebar å utvide skoledagen med én time. Men i dag ser vi at det allerede er mange skoler som faktisk klarer å ha en time daglig med fysisk aktivitet, noe jeg skal komme tilbake til senere i innlegget mitt. Med bakgrunn i det og det at det er store kostnader ved å utvide skoledagen med en ekstra time, er vi ikke lenger for å utvide skoledagen med for å ivareta fysisk aktivitet. Når det er sagt, synes vi det er verdt å merke seg at alle partier er opptatt av å sikre fysisk aktivitet, selv om man går ulike veier for å nå målet. Vi synes at det er sterkt bekymringsfullt at helseplager knyttet til inaktivitet og fedme er sterkt økende. Dagens 15-åringer er mer stillesittende enn og barn og unges tid brukt på fysisk aktivitet er drastisk redusert. Testresultater i kroppsøvingsfaget i skolen og i Forsvaret viser nedgang i den fysiske yteevnen, både for barn og for ungdom. Sammenhengen mellom inaktivitet og dårlig helse er merkbar, og vi må faktisk ta ansvar for å gjøre noe med denne utviklingen. Regjeringens politiske plattform ser på fysisk aktivitet som så viktig at det omtales i eget punkt. Der sies det at regjeringen vil «legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene». Mange skoler er allerede godt i gang med daglig fysisk aktivitet. Et godt eksempel – igjen fra Rogaland – er Tastaveden skole, som høsten 2013 satte i gang et prøveprosjekt for alle elevene på 8. trinn: fysisk aktivitet hver dag og studietid to dager i uken. For å få dette til

er positive. En ser at elever får nye venner, at klassemiljøet styrkes, at læringsutbyttet økes, og at helsen blir bedre. Det finnes flere gode eksempler på at det rundt om i Skole-Norge er kreative og dyktige lærere som finner gode løsninger for daglig fysisk aktivitet. Fremskrittspartiet vil særlig understreke den muligheten som vi har i dag innenfor den ordinære skoletiden. Fleksibilitet og gjennomføringsvilje hos skoleledelse og lærere vil være en viktig faktor for å få til økt fysisk aktivitet i skolen. Vi vil også vise til Kunnskapsdepartementets samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan man best mulig kan legge til rette for at skolene sikrer elevene daglig fysisk aktivitet. aktivitet. Tidligere påpekte jeg at det var store kostnader ved å utvide skoledagen, og dermed stemmer vi imot. Det er fullt lovlig. Her må Fremskrittspartiet få lov til å snu, spesielt når vi ser at det er mange skoler som allerede i dag klarer å ivareta fysisk aktivitet med én time, noe som nettopp eksemplet fra Rogaland viste, og som ble startet opp høsten 2013, etter at Fremskrittspartiet hadde sitt forslag. Senterpartiet er opptatt av sunt kosthold og en fysisk aktiv befolkning. I
Neste taler er representanten

storsamfunnet. Derfor er det viktig at vi fokuserer på forebygging, derfor fysisk aktivitet i skolen. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge ulike sykdommer og lidelser, men også viktig for å skape en mer variert, aktiv og spennende skolehverdag. Fysisk aktivitet i skolen – eller FYSAK, som dette forslaget gjelder – er ikke noe nytt i norsk skole. Det er mange som har drevet med FYSAK, lenge før de startet med det i Rogaland i 2013. 2013. Alle politiske partier vil at elevene skal bevege seg mer. Likevel drøyer vi med å pålegge skolene å la elevene være mer i bevegelse. Det er forståelig i den forstand at praktisk-estetiske fag ikke anses som basisfag, men det er trist at en ikke ser muligheten for å bruke disse fagene også for å fremme læring i andre fag. Mange skoler i mange fylker har hatt tilbud om FYSAK i mange år – Danmark har allerede innført dette og vi mener det vi gjør, ikke er godt nok. Vi mener at det må tilfalle alle skoler i Norge. Derfor har Senterpartiet foreslått at vi nå må innføre en ordning som gir elevene mulighet til å ha en times fysisk aktivitet hver dag. Vi har også foreslått at dette skal skje innenfor dagens rammetimetall for å understreke at dette skal være en naturlig del av den allerede eksisterende skoledagen. Som sagt har mange skoler klart å inkludere dette i skolehverdagen allerede. allerede. Det betyr at det ikke bør være noe hokuspokus å få det til på andre skoler. Det handler om vilje og om at sentrale myndigheter sier til skolene at fysisk aktivitet er så viktig at vi ønsker at alle elever skal få mulighet til å lee på seg i løpet av dagen. I utgangspunktet er den enkleste veien til mer aktivitet for ungene å la dem gå til skolen. Det blir ofte man langt unna og trenger buss, er ikke bussen nødt til å kjøre elevene helt til døra. De kan settes av i en viss avstand fra skolen og gå en kilometer eller to. Sjølsagt er det mange strekninger som er trafikkfarlige, så det er viktig at man tar hensyn til lokale forhold. Så til folkehelsemeldinga. Der har vi alle slått fast at målet skal være at vi skal være blant de tre landene i verden med lengst med lengst levealder oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte helseulikheter skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkninga «Hele befolkninga» treffer vi i løpet av skoletida. Ungene våre oppholder seg på skolen på dagtid. Det er ikke sånn at alt skal skje i skolen, som representanten Gudmundsen sa, men jeg tar avstand fra at Høyre nå ser ut til å skyve fysisk aktivitet ut av skolens naturlige hverdag. Mange av disse ungene ønsker mer praktisk og kroppslig aktivitet i den ordinære skolehverdagen enn de har i dag. Mange ønsker seg mer gym, men slett ikke alle ønsker det. Mange føler utilstrekkelighet i gymtimene, og det kan gjøre at faget blir lite lystbetont. Rett til én time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen kan ivaretas gjennom ordinære kroppsøvingstimer eller valgfagstimer i ungdomsskolen, men det kan også ivaretas gjennom aktivitet integrert i andre fag og organiserte opplegg i friminuttene. Det kan ivaretas gjennom dans, lek, uteskole og andre ulike friluftsaktiviteter, og det kan forebygge psykiske helseplager. Jeg fatter ikke at det ikke er mulig på en skole i Båtsfjord. Jeg har fått tilbakemeldinger om at praksis med uteskole har gått tilbake etter innføringa av Kunnskapsløftet i 2006, og det er beklagelig og synd. I Aftenposten den 23. april kan vi lese at «norske barns kontakt med naturen avtar». En undersøkelse gjennomført av NINA sier at aktivitet avler aktivitet, og at voksnes rolle og innsats betyr mye for omfanget av barnas naturkontakt. Det er naturlig å anta at voksnes rolle og innsats har betydning også for fysisk aktivitet i skolen. Det er alvorlig når vi hører at bare 53 pst. av norske tiåringer kan svømme, og at norske barns svømmekunnskaper er på bunn i Norden. Det er et alvorlig brudd på kompetansemålet for 4. trinn, der det står at elevene skal være svømmedyktige. Det er et livsviktig mål, som skoleeiere og foreldre nå må ta på alvor. Og det er kommuner som får det til. Jeg vil rette en oppfordring til alle foreldre: La ungene gå til skolen, gi dem utetid uten mobil, ta dem med på badestranda, og lær dem å svømme. Alle tiltakene er lavkost, men livsviktige. La meg først få takke forslagsstillerne for å ta opp et veldig viktig tema. Fysisk aktivitet er jo viktig for oss alle, ikke minst for dem som går i skolen. Når vi vet at vi lever i et samfunn der forskjellene blir større, når helsen til dem med høy utdanning er bedre enn helsen til dem med lav utdanning, når levealderforskjellen er stor mellom dem som bor på østkanten, og dem som bor på vestkanten, er det viktig at dette temaet blir debattert. Ikke minst er det sånn, som flere har vært inne på, at vi lever i et samfunn der vi i stor grad er stillesittende. Vi oppholder oss mye inne, og den aktiviteten vi hadde før, er synkende. Fysisk aktivitet inn i skolen trenger ikke nødvendigvis bety mer gym, man kan like godt, som forrige representant nevnte, ha fysisk aktivitet i friminuttene. Ikke minst kan en lære både matte og naturfag – og sikkert norsk og historie og mange andre fag også – ute i naturen mens man driver fysisk aktivitet. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser. I Venstre deler vi intensjonen til forslagsstillerne, men vi merker oss at Kunnskapsdepartementet har startet opp et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, og vi ønsker å avvente og se hva de kommer med. Men som sagt – det er et kjempeviktig tema, og vi er veldig glade for at forslagsstillerne tar det opp til debatt.

Dei meiner dessutan at den stressreduserande effekten av fysisk aktivitet verkar positivt inn på korleis barn og unge klarer seg i skulen. Ein nyare studie viser at fysisk aktivitet i skulen gjev betre karakterar. Elevane blei delte inn i to like store grupper. Den eine gruppa hadde dagleg timeplanfastsett idrettsaktivitet ved skulen, mens den andre gruppa hadde to timar idrett og helse per Resultatet viste at gruppa som hadde dagleg fysisk aktivitet, oppnådde høgare karakterar enn dei som hadde kroppsøving to timar i veka. Vi kan spørje oss sjølve: Kva tid fungerer vi best? Er det når vi trener jamleg, eller er det når vi sit mykje i ro? Kva skal til for at våre eigne barn skal bli meir konsentrerte? For SV er målet ein meir

tanke. Eg har sagt tidlegare frå denne talarstolen at vi har ein tese i SV om at hjernen ikkje er aleine. Derfor er vi også for fysisk aktivitet i skulen, for frukt og grønt og på sikt også eit heilt måltid i skulen. Det er dei som meiner at dette ikkje er vegen å gå, at ein ikkje skal prioritere det. Målet er at elevane er konsentrerte og til stades når læraren underviser. Det er derfor også lærarane i Idrettsforbundet si lærarundersøking frå 2012 er så positive til fysisk aktivitet i skulen. Ni av ti lærarar i grunnskulen meiner at dagleg fysisk aktivitet er viktig i eit læringsmiljø som fremmar helse, trivsel og læring. 84 pst. meiner at dagleg fysisk aktivitet i skulen bidreg til at elevane får generelt betre skuleprestasjonar. 85 pst. meiner at fysisk aktivitet fremmar trivsel og prestasjonar av ti lærarar i grunnskulen meiner at elevane i grunnskulen bør ha minst éin time obligatorisk fysisk aktivitet kvar skuledag. Heldigvis er det stor einigheit i komiteen om at fysisk aktivitet er bra. I motsetning til i diskusjonen vi hadde om ernæring, samlar komiteen seg her og meiner at fysisk aktivitet er bra og noko som bør prioriterast. Ueinigheita består i om dette skal skje gjennom ein utvida skuledag eller ikkje.

lærarutdanning. Det er rett og slett fordi vi ønskjer å satse tyngre på dei yngste og tungt på utdanning. Vi trur det er veldig bra for samfunnet og veldig bra for den enkelte. Til samanlikning – og dette er veldokumentert – dersom vi ser på reduksjon av formuesskatt og arveavgift, er det svært vanskeleg for økonomar å påpeike at det har ein gunstig effekt på samfunnet. Svært få har klart å seie frå denne talarstolen at det

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom manglende videregående skolegang og helseproblemer, ruslidelser og dårligere levevilkår senere i livet. Ungdom uten videregående opplæring har dårligere helse, bruker mer rusmidler og har flere psykiske lidelser enn de som fullfører tolvårig skolegang. Å få flere til å fullføre videregående opplæring kan derfor også være et viktig folkehelsetiltak, men god helse er også viktig for å kunne fullføre. Regjeringen er opptatt av å bygge en bro mellom skole og helse. helse. I 2014 har regjeringen satt av 100 mill. kr som kommunene kan bruke til å ansette flere psykologer for å jobbe forebyggende med ungdom, i tillegg til en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Lykkes vi med våre ambisjoner, vil vi kunne skape et enda bedre læringsmiljø rundt barn og unge. Det er god dokumentasjon på at fysisk aktivitet er viktig for læring og viktig for barn og ungdoms helse. God tilrettelegging for fysisk aktivitet kan ha positiv innvirkning på læringsmiljøet, læring og skoleprestasjoner. Aktivitetsnivået blant barn og unge er også urovekkende. Det er en betydelig nedgang fra 9- til 15-årsalderen. Kun halvparten av 15-åringene er tilstrekkelig fysisk aktive. For lite fysisk aktivitet gir også økt sykdomsrisiko både i oppveksten og senere i livet. Norge har sluttet seg til WHOs mål om 25 pst. reduksjon i tidlig død innen 2025. Økt fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel for å få det til. Fra helsemyndighetene side er det anbefalt at alle barn og unge har minimum 60 minutter med fysisk aktivitet daglig. Forskningen viser at ungdom som er for stillesittende, får problemer med overvekt og livsstilssykdommer. Det er et økende problem blant barn og unge. Høsten 2009 ble det innført to uketimer fysisk aktivitet på 5.–7. trinn. Det er imidlertid fortsatt behov for mer fysisk aktivitet i skolen enn i dag. Skolen når alle barn og unge, og den kan derfor gi alle elever muligheten til fysisk aktivitet og dermed grunnlag for helse og læring. Det er viktig å starte prosessen for et mer langsiktig løp, som tar sikte på å bedre rammebetingelsene og forutsigbarheten for skolene. Det er en god investering. Så er det forskjellige måter å gjøre det på, og de forskjellige måtene å gjøre det på har også forskjellige kostnadssider. Hvis man f.eks. skulle gjøre det ved å øke antallet gymtimer, ville det selvfølgelig koste aller mest, trolig rundt Hvis man skulle økt med en ekstra uketime fysisk aktivitet – altså legge til grunn at læreren skal gjøre det, men uten å kompensere for for- og etterarbeid – vil det trolig koste rundt 2 mrd. kr. Hvis man velger å gjøre det innenfor dagens timetall, kommer selvfølgelig det dilemmaet at da må man enten ta tid fra annen undervisning eller klare det som jeg tror er det avgjørende, nemlig å ha mer fysisk aktivitet i den undervisningen som allerede er. er. Det er gode eksempler på lokale skoler og kommuner som har klart nettopp det, å kombinere fysisk aktivitet med undervisning og dermed få til en time fysisk aktivitet per dag på skolen. En satsing som både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har store forventninger til, er opprettelsen av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal bidra til å styrke barnehagenes og skolenes rolle som helsefremmende og forebyggende arenaer for barn og unge og er lagt til Høgskolen i Bergen. Rollen senteret er tiltenkt, er å være et nasjonalt ressurssenter for helsefremmende arbeid, mat- og bevegelsesglede i barnehager og skoler og for barnehage- og lærerutdanningen og For å skape varige og positive endringer er det nødvendig å bygge ned barrierene mellom barnehage, skole og helsevesenet. Senteret skal derfor gjennom sin virksomhet bidra til at man lokalt prioriterer arbeidet mer på tvers for å fremme faglig, personlig, sosial og helsemessig utvikling for barn og unge. Senteret er i år i en etableringsfase og vil ha offisiell åpning i oktober. All endring må være kunnskapsbasert. Det nasjonale senteret skal derfor bidra til å se nærmere på de erfaringene som er gjort, formidle forskningsbasert kunnskap og selvfølgelig også være en pådriver og støtte opp under barnehager og skolenes virksomhet. Senteret overtar bl.a. rådgivningstjenesten for barnehage- og skolebygg i januar 2015, noe som vil kunne styrke senterets rolle ytterligere. Det blir replikkordskifte.

statsrådens partikollega nærmest som en advarsel om at skolen ikke skal ta på seg alt – nå blir det litt for mye av det gode, vi må bremse tempoet litt her. Jeg oppfattet også at det kunne bli vanskelig å gjennomføre Fysak hvis en ikke hadde tilgang på idrettshaller, eller hvis en bor i kommuner med litt kaldt og hustrig vær. Jeg lurer på om statsråden deler oppfatninga til sin partikollega, eller om han deler den oppfatninga at f.eks. dans kan være en del av den ordinære skolehverdagen og kan gjennomføres innendørs i et vanlig klasserom. Dans er i høyeste grad fysisk aktivitet, og jeg er helt sikker på at skoler og skoleeiere finner mange lokale løsninger som ikke nødvendigvis forutsetter at man akkurat der og da hele tiden har tilgang til en gymsal. Grunnen til det er rett og slett at forslaget er ikke at man nødvendigvis skal øke antallet kroppsøvingstimer – der ligger vi allerede ganske høyt – men det er fysisk aktivitet på en annen måte. – der ligger vi allerede ganske høyt – men det er fysisk aktivitet på en annen måte. Det reiser også noen spørsmål rundt hvilken type pedagogisk kompetanse man skal ha, om man skal ha læringsmål osv. Derfor tror jeg representanten Gudmundsen har et veldig viktig poeng når han sier at her er det forskjeller, ikke nødvendigvis bare på grunn av temperatur og vær og den type ting – det er nok mulig å være fysisk aktiv også i Båtsfjord om vinteren – men det er rett og slett forskjeller på hvordan skolene kan velge å løse dette. Så det vi må gjøre, er både å sørge for at det er klart hva som er mulig, og oppmuntre til å ha mer fysisk aktivitet.

er bra. Men så kommer spørsmålet: Hvorfor har ikke statsråden gitt det råd å være med på forslagene, enten fra Arbeiderpartiet og SV eller fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet? For hele oppsangen fra statsråden er at dette er det behov for, og statsråden sa at det kan gjennomføres innenfor timetallet dersom en gjør det sånn og sånn. Så hvor stopper saken? Det er to forskjellige forslag til Stortinget som ligger her. Det ene forslaget er at man skal ha en ekstra uketime. Der er det for det første noen spørsmål knyttet til hvem skal ha disse timene. timene. Hvis man legger til grunn at man skal ha lærere der, og man ikke skal kompensere lærerne for for- og etterarbeid – nå sier jeg ikke at det er riktig å gjøre, men hvis man legger det til grunn – betyr det sannsynligvis en kostnad i størrelsesorden rundt 2 mrd. kr. Så er det mulig for skolene å lage lokale opplegg og bruke timene til fysisk aktivitet, på samme måte som ved regning som grunnleggende ferdighet. I dag er det flere skoler som integrerer det i kroppsøvingsundervisningen. På samme måte er det naturlig at man f.eks. i noen naturfagtimer er ute, og at man kanskje også, hvis man transporterer elevene til eller fra et sted i norsktimen, kan legge inn fysisk aktivitet i det faget. Det jeg tror vi må tenke litt mer på, er i hvor stor grad vi skal ha en sentral styring og en A4-løsning for alle, eller om vi skal klare å bygge det nedenfra med utgangspunkt i de lokale eksemplene som er. Representanten Per Olaf Lundteigen har bedt om en replikk til. Presidenten vil be representanten vente ut fra hvem som melder seg. Generelt sett vil presidenten bemerke at det lønner seg å tegne seg til replikk tidlig i en debatt.

Han kunne godt ha holdt dette innlegget i en sak tidligere her, men det hadde kanskje ikke passet så bra med konklusjonen. Saken er den at dette er, på samme måte som frukt og grønt, noe som koster penger. Det er ingen tvil om at etter- og videreutdanning for lærere, sannsynligvis, til og med er viktigere enn fysisk aktivitet hver dag. Likevel går det altså an å satse bredere enn bare på én ting. Mitt spørsmål er, når statsråden nå har hørt de gode argumentene fra embetsverket: Hva gjør han politisk? Vil han sørge for at det blir mulighet for fysisk aktivitet hver dag? Det koster penger, og derfor må det også sentrale tiltak til. Det er ikke bare å la det gro nedenfra, som statsråden sier så fint. På spørsmålet om han vil sørge for at det er mulig med en time fysisk aktivitet hver dag, er svaret ja. Jeg mener det fins veldig mange gode eksempler på skoler som får det

om det selvfølgelig er sånn at representanten Giske bare kjenner statsråden, som vi vet – så jeg tar den. Men jeg lover at jeg skal formidle det videre. Statsråden sa at det å fullføre skolen kan gi bedre helse, og

den positive spiralen er i ferd med å snus til en ond spiral, og det må vi være veldig oppmerksomme på. Derfor hadde jeg håpet at regjeringspartiene ville støtte ett av de to forslagene som fremmes i dag. Så har ikke jeg hørt noen andre enn statsråden snakke om A4-løsninger. Det er ikke det vi ønsker oss. Det er klart at det er lokale forskjeller. Båtsfjord har blitt trukket fram, og at det kanskje kan være vanskelig å få det til der. Men mitt spørsmål er: Mener statsråden at fordi det kan være utfordrende i noen kommuner å legge til rette for fysisk aktivitet, bør vi strekke armene i været og si at da er det ikke noe å gjøre med det? Eller bør vi, fordi det er utfordrende i noen kommuner, nettopp være påpasselige med å ta et ansvar nasjonalt og si at dette skal det satses på også der?

kommer det en rekke spørsmål som jeg mener vi må tenke litt grundig over, og det er: Hvis man skal pålegge skolene en time til fysisk aktivitet innenfor dagens rammetimetall, som Kristelig Folkeparti mener, betyr det da at man skal ta ut tid av fagene for å bruke på fysisk aktivitet, altså ta ut tid av matematikktimen, norsktimen, samfunnsfagtimen eller kanskje elevenes time, som brukes til elevråd, og bruke det til fysisk aktivitet? Eller betyr det at skolene er nødt til å bruke mer tid på å integrere fysisk aktivitet i fagene som er der allerede? allerede? Jeg tror det er veien å gå. Både gjennom dette nasjonale senteret og det samarbeidet vi nå har med helseministeren, kommer vi til å drøfte og legge frem politikk på disse områdene. Eg trur intensjonen med forslaget var meir enn at vi berre skal kome med gode råd til kommunane og

å få ei større nasjonal satsing på dette feltet. Det er litt pussig å kalle «nasjonal satsing» A4 automatisk. Vi er alle einige om satsing på etter- og vidareutdanning. Det er ikkje A4 berre fordi det er nasjonalt initiert. Mitt spørsmål er, utover at eg skjøner dette med senteret, og at ein må setje seg ned og få det til innanfor timetal osv.: Tar ministeren komiteen på alvor og verkeleg vil setje i gang nokre større tiltak knytte til fysisk aktivitet frå sitt kontor? Eller er det mindre justeringar og erfaringsutveksling han ønskjer å leggje opp til? Jeg mener ikke å si at enhver satsing nødvendigvis er en A4-løsning. Det jeg mener å si, som jeg også har sagt tidligere, er at det er noen spørsmål som knytter seg til det å ta det enten utenfor timetallet – da er det spørsmål om både lærerkompetanse, eventuelt faglig mål, og kostnad,

det virkelig på tide at det skjer noe i denne saken. Venstre får ha meg unnskyldt, men det er vanskelig å forstå hvordan det er mulig å ende opp med en så tam innstilling i en sak der Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre sier at de egentlig er helt enige. I Stortinget har vi et fast uttrykk som heter «å hilse hjem». I denne saken føler jeg behov for å snu på flisa og hilse hjemmefra. Buskerud Idrettskrets har et prosjekt, Aktiv 365 – antall dager i året – som har pågått siden 2001, og der formålet er fysisk aktivitet i skolen gjennom å utdanne ungdom som aktivitetsledere. annet har elever fra St. Hallvard videregående skole bidratt til det etter hvert kjente prosjektet «Sunne og aktive liunger» ved Sylling skole i Lier, der alle elever fra første til tiende klasse har minst én time fysisk aktivitet hver dag. Det er nok ikke tilfeldig at rektor ved skolen også er leder i Buskerud Idrettskrets. Det han trengte, var et vedtak i Lier kommune om at fysisk aktivitet skulle være et satsingsområde ikke noe mer enn det. Så var han i gang, sammen med kommuneoverlegen, folkehelsekoordinatoren, foreldrene og staben ved skolen. Skolen har kuttet i friminutt og tatt tid fra andre fag. Til gjengjeld brukes fysisk aktivitet til samfunnsfag, matte- og engelskoppgaver. Blant annet bidrar lærerne med spørsmål fra ukas pensum til aktivitetsløyper i nærmiljøet. En artig bieffekt er at også bygdas pensjonister har begynt å gå i Målet er å øke skoleprestasjonene, fordi aktive barn presterer bedre, og kosthold er også med. Elevene er fornøyde. De sier selv at de orker mer og er i bedre humør. Sylling skole hadde ingen fiks ferdig plan, men utvikler prosjektet mens de går. Som rektor selv sier, en form for omvendt Peer Gynt: «Ja, tænke det; ønske det; ville det med, – men gøre det! ikke!» I denne saken har storting og regjering altfor lenge lignet mer på Peer Gynt enn godt er for norske skoleelever. Tida er kommet til å gjøre det. Vi trenger ikke lange utredninger der ordninger skal snekres i detalj. Utredninger er gjort. Dokumentasjon og praksis finnes. Det som trengs, er en bestemmelse som kort og godt slår fast at norske unger, fra barnehage til videregående skole, skal ha minst én time fysisk aktivitet per dag. Og så må vi ha litt mer tillit til at dette klarer man å organisere lokalt. Det holder, og så er vi i gang. Egentlig kunne vi bare vedtatt et slikt lovforslag her i dag, men regjeringa trenger i hvert fall ikke bruke vinter og vår på å komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendring. Tida er overmoden. Flere skoler er i gang allerede. Nå må resten komme etter. Og jeg synes at statsråden er litt for byråkratisk i sin tilnærming.

Skal vi lykkes med mer fysisk aktivitet i norsk skole, må vi bruke lærerne som pedagoger, ikke helsearbeidere. Lærerne ønsker å bidra til barn og unges vekst og utvikling. Samtidig er lærerne i et vanskelig krysspress for å utdanne alle våre ungdommer til gangs mennesker. Poenget er at fysisk aktivitet er et pedagogisk virkemiddel, altså en god læringsfremmer. I den danske reformen om tilsvarende fysisk aktivitet i skolen hver dag brukes begrepet «understøttende læring» for det jeg kaller «fysisk aktiv læring». Ressurssterke familier beveger seg mer, spiser sunnere og lever lenger. Elever som kommer fra slike forhold, har en stor fordel av mulighetene til god læring på skolen, og dette er noe de fleste praktikere har erfart. For Senterpartiet er det viktig å organisere skolearbeidet slik at de elever som har dårligere forutsetninger hjemmefra for god læring på skolen, får et løft. Her er gratis mat og mer bevegelse i løpet av skoledagen viktige prioriteringer. Den største nytten av disse to tiltakene har ungdommer som er minst fysisk aktive. Alle partier snakker for dette, men det ligger noe uuttalt i saken og i innstillinga fra Høyre, Fremskrittspartiet og Disse elevgruppene synes ikke å være folka til disse tre partiene; jeg velger å si det så sterk. Jeg vil si det så sterkt at det som egentlig ligger under, og det er litt rart at jeg som senterpartist skal si det, er at her handler det om et klassespørsmål, hvor de klassene som ikke har de samme mulighetene som andre, ikke er folk en i praksis prioriterer. Og jeg vil be statsråden lytte til dette, for etter det innlegget som statsråden hadde, poengterte han at det nettopp var tiltak for å motvirke et slikt Forskjells-Norge som var det primære. Det som for Senterpartiet er det sentrale, er jambyrdige forhold mellom folk. Og når vi vet hva som er utviklinga, må en sette inn tiltakene der de har størst effekt. Og det er ikke tvil om at det fungerer. En slik utvikling som en nå skisserer i forslagene, bør innføres trinnvis: Først 1.–4. klasse, så 5.–7. klasse, og så neste trinn, og det må kombineres med at lærerne får en utdanning sånn at en kan gjøre en god jobb, og sånn at det blir interessant for elevene å være med. Start med de små, følg trinnene oppover – så kan vi gjøre en god jobb.
Neste taler er representanten

først og fremst fordi det bidreg til aktiv læring og hindrar fråfall, men ut frå den kunnskapen vi i dag har om dei helsemessige konsekvensane av ei stillesitjande befolkning, og for å nå den politiske målsetjinga i folkehelsemeldinga om å skapa eit samfunn som fremjar helse i heile befolkninga, slik at ein skal oppleva fleire år med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjellar. Fysisk aktivitet i Noreg er i dag eit eit klassespørsmål. Mange organisasjonar har skjønt det. Nasjonalforeininga for folkehelsa, Kreftforeininga, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeininga og Noregs Idrettsforbund har stått saman om kravet om å tydeleggjera skulen sitt folkehelseansvar gjennom eit forpliktande mål om éin time dagleg fysisk aktivitet Representanten Kent Gudmundsen sa i sitt innlegg at folkehelse ikkje er eit ansvar for skulen åleine, og at velferdsutviklinga har gitt oss helseutfordringar ved at kvardagsaktiviteten har gått ned. Det er heilt rett. Men Høgre tar feil når dei ikkje vil at skulen skal ta eit folkehelseansvar i det heile. Skulen er jo ein stor førebyggingsarena, der ein møter alle elevar, uansett bakgrunn. Så må eg seia at eg er litt lei av i debatten å bli møtt med dette nasjonale senteret for fysisk aktivitet og ernæring i skulen som eit argument for å gå vekk frå dei faktiske konkrete tiltaka som vert tilbodne elevane i skulen. I folkehelsemeldinga sa fleirtalet at ein skulle vurdera korleis skulen I folkehelsemeldinga sa fleirtalet at ein skulle vurdera korleis skulen kunne organiserast slik at elevane vart sikra minst éin time fysisk aktivitet kvar dag. No er målsetjinga i regjeringsplattforma redusert til «å leggja til rette for». Det synest eg er ein beklageleg tilbakegang, at vi får ei mindre aktiv målsetjing for dette, spesielt når vi har ei målsetjing om å redusera dei store folkesjukdomane med 25 pst. innan 2025. Forslaget kan innførast innanfor dagens timetal. Statsråden kan vera sikker på at vi ikkje her og no vil ha eit konkret svar på korleis dette skal gjerast, det kan han koma med i si sak, men målsetjinga må jo dette Stortinget kunna seia noko om. Så representanten sa at ho var veldig opptatt av å debattera sosiale helseforskjellar. Men vi må ikkje berre debattera, vi må gjera noko med det. Venstre er på vippen i denne saka og kan støtta forslaget frå oss og målsetjinga om å innføra éin time fysisk aktivitet for å redusera sosiale helseforskjellar i Noreg. Jeg vet ikke helt om jeg skjønte innlegget til representanten

de har lovet velgerne. De kan ikke engang støtte forslaget fra Arbeiderpartiet og SV hvor vi ber regjeringa komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan man kan innføre en time daglig fysisk aktivitet fra 1. til 10. trinn. Det er selvsagt lov å endre mening når man innser at de faglige argumentene ikke holder lenger og grunnlaget for en hel sak faller bort, men det er ikke det som er tilfellet her. nå med at det blir for dyrt, og jeg understreker at det er Fremskrittspartiet som sier det – i en sak som har vært så viktig for Fremskrittspartiet, sist 14. juni 2013 i denne sal. Fremskrittspartiet har råd til skattelettelser, de har råd til billigere båtmotorer, men ikke til mer fysisk aktivitet i skolen. Og de vil som sagt ikke engang støtte forslaget fra Arbeiderpartiet og SV i denne saken. Jeg gjentar det jeg sa i mitt forrige innlegg, og som jeg avsluttet med: «Det står bare ikke til troende.» Dette er

ment. Som flere representanter har vært inne på i debatten, er det allerede mange skoler som har innført daglig fysisk aktivitet innenfor den timerammen som finnes. Så er det slik at Fremskrittspartiet ikke har snudd på grunn av kostnaden. Arbeiderpartiet og Stoltenberg-regjeringen stemte i forrige periode ned forslag om å utvide skoledagen, nettopp fordi det var for kostbart – det var for dyrt,

som viste til gode resultater ved Sylling skole i Lier. Det var uten å utvide skoledagen; det var innenfor rammene i dag. Så det synes jeg absolutt vi skal legge merke til. Jeg regner også med at statsråden har lyttet til og hørt godt på alle de gode innspillene, og vurderer det i det videre arbeidet med denne saken. Dette er noe som vi alle sammen er enig i. i. Så er det alle de gode innspillene som er kommet nå. Kanskje det også kommer enda noen flere som vi ikke har hørt om, når denne debatten om det viktige temaet blir kjent. Jeg vil igjen takke representantene for å ha brakt denne debatten til salen, og så regner jeg med at vi skal få en god løsning på saken.

vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 15 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. I tillegg gis medlemmer av regjeringen 5 minutters taletid. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte med inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Presidenten antar at det er riktig, siden signalene fra komiteen skriftlig er svært tvetydige. Videre blir det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

selv om komiteen ikke står samlet bak innstillingen. Det er et komitéflertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som står bak innstillingen om at de foreslåtte endringene i privatskoleloven ikke vedtas, men det ligger altså an til at forslaget vil få flertall i Stortinget. Utgangspunktet for denne saken er at regjeringen ønsker å liberalisere privatskoleloven. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gi alle som oppfyller krav til innhold og kvalitet, en lovfestet rett til å starte private skoler med statsstøtte. Regjeringen har signalisert at departementet tar sikte på å sende et forslag til helhetlige endringer i privatskoleloven ut på høring høsten 2014 og legge disse fram for Stortinget våren 2015. Men allerede nå, før Stortinget får se endringsforslagene, ber statsråden altså om dispensasjon til å godkjenne skoler som ikke oppfyller kravene i gjeldende lovverk. For Kristelig Folkeparti er utgangspunktet i privatskolepolitikken klart. Vi mener at alle foreldre har en rett til å velge en skoletype for sine barn som er i tråd med egen religiøs, moralsk og filosofisk overbevisning. Dette er en menneskerett som er nedfelt i internasjonale konvensjoner, og som Norge har forpliktet seg på. Derfor trenger Norge friskoler som utgjør et alternativ til den offentlige skolen på disse områdene, noe som er godt ivaretatt i dagens lovverk. Derfor må slike skoler få gode økonomiske rammevilkår, slik at foreldrebetalingen kan holdes så lav som mulig, og slik at foreldreretten og muligheten til å velge en friskole blir reell for alle, ikke bare for dem med store lommebøker. Dette er en viktig sak for Kristelig Folkeparti. Men Kristelig Folkeparti ønsker ikke en massiv privatisering av norsk skole. Vi ønsker ikke en vesentlig liberalisering av privatskoleloven, og vi ønsker ikke å gi alle som oppfyller visse kvalitetskrav, en lovfestet rett til å starte skole med statsstøtte. Vi ønsker oss kort og godt ikke de endringene som regjeringen legger opp til i privatskoleloven, og derfor ønsker vi heller ikke å gi statsråden en dispensasjon til å godkjenne skoler som ikke oppfyller kravene i dagens lovverk. Jeg mener også at det vil være unaturlig å gi statsråden anledning til å godkjenne nye privatskoler før Stortinget behandler de varslede lovendringene.

Den må gjelde uansett religion eller livssyn, og den må gjelde uansett hvor i landet man bor – om man bor i en stor by, eller i en liten bygd. Derfor er det viktig for Kristelig Folkeparti at en kommune ikke skal kunne si nei og ha vetorett når en ny privatskole godkjennes. Men dersom Stortinget i dag vedtar at kunnskapsministeren skal kunne godkjenne skoler som ikke oppfyller kravene i privatskoleloven, og som ikke nødvendigvis bidrar til å oppfylle foreldreretten slik den framkommer i internasjonale konvensjoner, mener jeg det er rimelig å stille krav om at han i det minste må ha den aktuelle kommune eller fylkeskommune med på laget. Jeg er derfor glad for at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om en merknad om at godkjenning etter en eventuell dispensasjonsbestemmelse «ikke skal gis dersom den aktuelle vertskommune eller vertsfylket går imot en slik godkjenning». Arbeiderpartiet vil slå ring om den offentlige fellesskolen. Likevel kan jeg forstå mange av argumentene Høyre og

Er det fordi et ras av ideelle aktører som vil skape nyskapende skoler, absolutt må få starte før en ny privatskolelov kommer på plass? Nei, det er det ikke. Er det fordi landets lokalpolitikere nå skriker etter sårt ønskede privatskoler så raskt som mulig i sin kommune? Nei, det er det ikke. Er det fordi statsråden ikke har nok å gjøre? Det kunne det kanskje være, men det er heller ikke svaret. Ifølge departementet er hensikten å vinne erfaringer med skoler som er nyskapende. Denne begrunnelsen gir lite mening. Søknadsfristen for disse nye skolene er august 2014. De kan få godkjenning og starte opp høsten 2015. I mellomtida har en ny privatskolelov ifølge regjeringa både vært på høring og blitt vedtatt. Når Høyre og Fremskrittspartiet skal lage en ny privatskolelov, vil de altså hente erfaringer fra skoler som ennå ikke er startet. Det er som å anmelde et teaterstykke et halvår før premieren. Hvis formålet er å hente erfaring fra søknader, trenger man ikke å starte flere private skoler på et uklart grunnlag, uten klare formål, for å hente erfaringer fra nye søknader. Enten kunne man spurt i Hvordan ville dere ha søkt, og hva ville dere skrevet i søknaden dersom dere fikk søke fritt uten klare kriterier til formål? Eller man kunne lest noen av søknadene som lå inne da Bondevik II-regjeringa gikk av – søknadene om 22 000 nye private elevplasser i Norge. Hvis ingen av dem var nyskapende, har Høyre og Fremskrittspartiet et problem i denne debatten. Hvis formålet virkelig var å høste erfaring, ville man – som også Kristelig Folkeparti var inne på – først sett hvordan disse skolene i virkeligheten jobbet i praksis før man laget en lov basert på disse erfaringene. Når Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at kunnskapsministeren skal få godkjenne skoler etter eget forgodtbefinnende, er nok årsaken en helt annen. Det er ikke noe folkekrav å åpne for flere privatskoler. Tvert imot er det stor oppslutning om fellesskolen i Norge. Det er en tung jobb å endre dagens privatskolelov i en så grunnleggende retning som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker. Da må de også skaffe seg bedre argumenter. De som står klar på grensen og ivrer etter å få starte nye privatskoler i Norge, er ikke først og fremst ideelle aktører, men store kommersielle privatskolekjeder.

før en ny privatskolelov skal sendes ut på høring. Men når sceneteppet går opp, etter at regjeringa eventuelt får vedtatt sin nye privatskolelov neste år, er det ikke de ideelle skolene som først og fremst kommer til å tre fram i flomlyset. Det er de store kommersielle kjedene. De ideelle kommer til å være henvist til en plass i skyggen. Denne lille lovendringa er med på å berede grunnen for den store endringa som kommer neste år. år. Det er ikke Skole-Norges behov som tvinger fram denne dispensasjonsadgangen. Arbeiderpartiet er kritisk til den og vil stemme imot. Dette er først og fremst markedsføring. Lovendringa vi behandler i dag, gjør i prinsippet dagens privatskolelov overflødig hvis man skal ta det helt ut. I stedet for en privatskolelov med klare kriterier for å starte private skoler, kunne vi nøyd oss med én paragraf, som kunne
Neste taler er representanten

La meg derfor begynne med å minne om at alle partiene på Stortinget er for alternativer til den offentlige skolen – både de rent kommersielle privatskolene, som ikke får statsstøtte, og som det koster 40 000–50 000 kr å gå på, og de statsstøttede friskolene. Alle disse skal få drive, det er det enstemmighet om i Stortinget. Dette har vi også sett i praktisk politikk de siste åtte årene. Stoltenberg II-regjeringen godkjente over 10 000 friskoleplasser i sin regjeringstid. Uenigheten dreier seg altså ikke om dette, men derimot om hvilke skoler som skal få lov til å starte opp, og hvilke alternativer vi ønsker skal prege friskolesektoren. I dag bestemmes dette av snevre og absolutte kriterier: Religiøse skoler, de som har en forhåndsgodkjent alternativ pedagogikk, idrettsskoler og internasjonale skoler har fått starte under den loven vi i dag har. Som en liten digresjon må jeg påpeke at Arbeiderpartiet i flere kanaler har hevdet at de sammen med Kristelig Folkeparti står for det brede og at denne dispensasjonen er med på å true et slikt kompromiss. La meg da minne om Arbeiderpartiets reaksjon, både i media og i denne sal, på søknaden om én muslimsk skole. Jeg tillater meg å gi et råd til gode venner i Kristelig Folkeparti: Om det er noe som truer det Kristelig Folkeparti er opptatt av, så er det ikke ikke denne dispensasjonsordningen, men Arbeiderpartiets faneflukt vekk fra det kompromisset de hevder de representerer – så snart søknaden fra et trossamfunn som ikke var kristent, kom på bordet. Jeg håper Kristelig Folkeparti fulgte nøye med på den debatten. Men la meg gå tilbake til saken vi nå diskuterer, nemlig dispensasjonsordningen som Stortinget i dag kommer til å vedta. Dagens lov, som stiller disse absolutte kravene til kriterier for å bli godkjent, fører fort til at en del gode alternativer ikke slipper til. For å stille et retorisk spørsmål, men like fullt et spørsmål det er nødvendig å stille motstanderne av en fornyet lov: Kan det hende at det finnes som ville være gode alternativer, men som ikke går inn under disse absolutte kriteriene? Dersom man tror det kan hende, ville det ikke da være interessant å finne ut hvilke alternativer dette er? Regjeringen har varslet at det kommer et forslag til ny friskolelov, men har samtidig sagt at dette er et arbeid man vil ta seg god tid med. Det er klokt ikke å forhaste seg i denne saken, og derfor er en slik dispensasjon en svært god tilnærming til arbeidet med en ny lov. Ved å skape denne smale adgangen for enkeltskoler som i dag representerer et reelt alternativ til både offentlige og allerede godkjente friskoler, gir vi også muligheten for entusiaster der ute til å vise hvilke ideer de har har for et godt tilbud til elevene. Det tjener elevene på, og det gjør norsk utdanningssektor bedre og rikere, fordi flere ideer slipper til. La meg avslutningsvis vise til hva denne dispensasjonsordningen faktisk innebærer. Den betyr at et opplæringskontor som samarbeider tett med bransjen, kan få muligheten til ikke bare å følge opp lærlingene, men å undervise dem Et slikt eksempel – som media har trukket frem – er Lærlingekompaniet i Oslo. De samarbeider med 80 restauranter i byen om å følge opp lærlinger innenfor servitørfag og matfag. De vet en hel del om hva bransjen ser etter, og de har nye måter å lære bort på til sine lærlinger. Med dagens lov vil en søknad fra dem om å få starte opp en liten servitørlinje, i tillegg til å følge opp lærlinger, få avslag automatisk. Men dersom Lærlingekompaniet la inn en morgenandakt og kalte seg en kristen servitørskole, skulle det med dagens lov svært mye til for å nekte dem å starte opp. Dette tror jeg de færreste mener er logisk. Derfor er det også bra at loven skal gjennomgås og tilpasses dagens behov. Dispensasjonsordningen er en god start for å få frem entusiastene

drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet.» Den snevre dispensasjonen som regjeringen foreslår i denne saken, vil gi nyttig informasjon og bedre oversikt over mulige alternative skoler før regjeringen legger fram et endelig forslag til ny privatskolelov i 2015. I denne prøveperioden forventer vi ikke å se resultater av innholdet på de ulike skolene, men det handler om type skoler, og det kan være interessant å se hva som melder seg på banen. Fremskrittspartiet ser positivt på å endre privatskoleloven for å sikre foreldrenes rett til å velge skole i tråd med bestemmelser om utdanning, noe som er nedfelt i menneskerettighetskonvensjoner som Norge er forpliktet av. Vi legger til grunn at en ny privatskolelov skal bidra til et økt mangfold, stimulere til skoleutvikling og sikre høy kvalitet på landets skoletilbud. Vi vil også understreke poenget med at skolene skal være nyskapende. De må bidra til økt mangfold, altså representere noe som er vesentlig annerledes enn det som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente privatskoler. Det aktuelle pedagogiske tilbudet eller organiseringen av undervisningen må videre være egnet til å utvikle erfaringer som kan være nyttige også utover den aktuelle skolen selv. Det er etter vår mening lite raust å innskrenke foreldreretten til kun å gjelde foreldre som ønsker et religiøst eller pedagogisk alternativ for sine barn. Landet vårt trenger flere friskoler som er annerledes enn de offentlige skolene både i organisering, pedagogikk, ideelt grunnlag og eierskap. Samfunnet vårt og demokratiet trenger et mangfold av tilbud i Samfunnet vårt og demokratiet trenger et mangfold av tilbud i skolesektoren. Her vil jeg gjerne sitere Abelias Forum for Friskoler, som støtter forslaget og uttaler at det er positivt med åpninger som gjør det mulig å få godkjent alternative skoler som «kan gjøre en forskjell og bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer. I høringen har departementet konkret nevnt realfagsgymnas og yrkesfagskoler. Språkgymnas kan også være et eksempel på et alternativ som kan dekke kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Det er behov for kompetanse både innen f.eks. kinesisk, koreansk, japansk og russisk, men også innen tysk som alt for få velger med tanke på at Tyskland er en av Norges største handelspartnere». Nytenkning, forbedring, utvikling og kvalitet henger sammen. Friskolene er et viktig supplement til den offentlige skolen og

Samfunnet er ikke statisk, men dynamisk, noe som ikke minst gjelder hva jeg vil kalle utdanningssamfunnet. Nettopp fordi vi tror på framskritt og utvikling framfor trange rammer og politisk styring, vil vi legge forholdene til rette for mangfold, dynamikk og forbedring av skolen. Politikernes oppgave i dette er å legge forholdene til rette for et reelt mangfold, Politikernes oppgave i dette er å legge forholdene til rette for et reelt mangfold, noe regjeringens forslag er et bidrag til. Fremskrittspartiet mener at vi må være åpne og legge til rette for innsats og nytenkning på en rekke områder, og ikke konstruere meningsløse ideologiske sperrer. Vi anser det som et problem at det ikke er mulig å starte friskoler som tilbyr fordypning i teknologi- eller realfag, eller realfag, eller som bygger på alternative pedagogiske prinsipper av nyere dato. Fremskrittspartiet anser det også som både meningsløst og ulogisk at det ikke er lov å starte en helt vanlig friskole som ganske enkelt har som mål å være bedre enn andre skoler. Vi ser ingen grunn til at det skal være slik, og vi mener derfor at regjeringens forslag er et viktig skritt på veien. Debatten om friskoler minner meg ofte litt om debatten i Stortinget om fargefjernsyn tidlig på 1970-tallet. Som Einar Førde sa i den debatten: «Motstanden har også sterke innslag av puritanisme: Me får finne oss i at synda er komen til jorda, men fargar.» Litt på samme måte blir det med motstanden mot et større mangfold i skoletilbudet. Folket kan aller nådigst få lov til å velge mellom «alternativ pedagogikk» og religiøse skoler, men ikke noe annet. Fremskrittspartiet og regjeringen vil derimot ha et fargerikt og mangfoldig tilbud av skoler. Kreative, kunnskapsrike og verdiskapende mennesker bidrar til å bringe verden framover. framover. Slike mennesker tror vi det er mange av også i Utdannings-Norge, og vi vil derfor legge til rette for at de får mulighet til å utfolde seg og skape gode skoler. Det kan også være grunn til å minne om hva som faktisk skjedde under den rød-grønne regjeringen. Hver åttende dag i Stoltenbergs regjeringstid ble en skole nedlagt – totalt 355 skoler. Samtidig har det aldri blitt opprettet så mange privatskoler som under Stoltenbergs regjeringstid. Jeg kan ellers berolige opposisjonen med at det som kommer nå, ikke er noe komplett frislipp av privatskoler, men det er rett og slett en liten oppmyking som vil gi mulighet for reell valgfrihet og reelle alternativer. Vårt utgangspunkt er også at det er foreldrene som har ansvaret for barna sine, og at de fleste foreldrene faktisk ønsker det beste for sine barn. barn. De bør derfor få reelle valgmuligheter om noe så viktig som utdannelsen til sine barn. Det er kvalitet i skolen, elevenes ønske om å lære og foreldrenes frihet til å velge som bør ligge til grunn for skolepolitikken, ikke ønsket om styring og ensretting. Svensk skole er blitt dratt inn i denne debatten. Av erfaringene fra Sverige i utbildningspolitisk utvärdering kommer det tydelig fram at dårligere resultater på nasjonale prøver ikke kan forklare Sveriges nedgang på PISA-testene – at privatskolene ikke kan lastes for det. Skolen i Sverige har i tillegg blitt utsatt som ble innført av venstresiden i 1991, og som ble videreført av senere regjeringer. Denne reformen gjorde det bl.a. lettere å ansette ufaglærte lærere, og karakterkrav på lærerutdanningen forsvant. Det er som kjent ikke en politikk dagens regjering legger opp til – tvert imot. En annen faktor som også gjør at sammenligningene med Sverige halter, er at man i Sverige har åpnet for å ta ut utbytte, noe det som kjent ikke åpnes for i regjeringens forslag. Det er altså ikke aktuell politikk.

Derfor står det også i vårt partiprogram: «Dagens privatskolelov dekker et tilbud med lange tradisjoner som et supplement til fellesskolen.» For Senterpartiet er det viktig at privatskoleloven balanserer hensynet til foreldrenes rett til å velge alternativ opplæring for sine barn og hensynet til fellesskolen. Senterpartiet mener foreldrenes rett til sjøl å velge undervisning for sine barn ivaretas

Departementet uttalte i høringsbrevet at et av formålene med forslaget om en dispensasjonsadgang er å vinne erfaringer med søknader om nye skoler som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler. Vel, med respekt å melde er dette kanskje en litt tynn argumentasjon all den tid statsråden har varslet at forslag til ny privatskolelov vil komme tidlig om vinteren og følgelig allerede er under arbeid. Nye skoler som skal hastegodkjennes etter denne dispensasjonsadgangen, vil knapt rekke å se dagens lys – langt mindre kaste av seg noe som helst av erfaringer – før et nytt lovutkast er behandlet av Stortinget. Jeg slutter meg for øvrig til saksordfører Tyvands gode innlegg om akkurat dette. Vi kan derfor ikke forstå dette på en annen måte enn at regjeringa vil sette en fot i dørsprekken og snike et nytt formålsgrunnlag inn i loven uten en grundig og helhetlig behandling av hele loven. Senterpartiet mener det er uheldig å foreta endringer i loven som vil kunne føre til store konsekvenser for skolestrukturen uten at dette er utredet godt nok. Begrunnelsen for forslaget, å kunne tillate private skoler som gir fagspesialisering eller en annen måte å organisere undervisninga på, vil kunne åpne opp for et svært stort antall skoler. Sjøl med vetorett for kommunene vil det ikke bli snakk om en smal unntaksbestemmelse, som regjeringa prøver å gi inntrykk av, for hvor går grensa for innhold og formål? Hvordan vil regjeringa definere ordet «nyskapende»? Slike generelle og vage begrep er ikke egnet til å styre etter. Resultatet kan fort bli at nye godkjente skoler etter dispensasjonsadgangen kan påvirke dagens skolestruktur og tilbudsstrukturen, særlig i videregående opplæring, som kan ha uheldige konsekvenser for resten av elevene som går i den offentlige fellesskolen. Hvem skal ta en endelig avgjørelse for om det skal opprettes en privat kokkeskole på Gjøvik? Hvordan skal fylkeskommunen dimensjonere tilbudet sitt etter en dispensasjonsordning og holde bredden i det øvrige tilbudet for dem som vil gå i den offentlige skolen, for dem som vil slippe å reise på hybel? For tilbudet lokalt blir begrenset på grunn av denne loven. Senterpartiet ønsker å bevare en privatskolelov med rett til å velge et alternativ, men sier nei til en liberalisering av loven, som vi mener kan gå på bekostning av fellesskolen. Vi mener forslaget til dispensasjonsadgang bidrar til uklarhet om rettstilstanden og skaper usikkerhet for skoleeiere, som er ansvarlig for å gi alle et kvalitativt godt tilbud innenfor fellesskolen. Vi forstår ikke behovet og mener pengene som skal brukes til dette, heller burde blitt brukt til å gjøre det mulig for de offentlige skolene å bli mer nyskapende. Det gjør vi ved å ha en god kommuneøkonomi, og det er det jeg vil at mine skattepenger skal gå I Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013–2017 står det helt klart at vi vil «tillate etablering av friskoler uten religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag». Dette har vi gått til valg på, og det er dette vi vil forsøke å få gjennomslag for på vegne av våre velgere. Samtidig har Venstre en stolt skolehistorie. Det var Venstre som i sin tid innførte fellesskolen, en skole der både fattige og rike satt i samme klasserom. Dette er en del av historien vår, og dette ønsker vi å verne om i det videre. For Venstre er det viktig at den offentlige skolen er det tilbudet som framstår som det naturlige valget for de aller fleste. Det er derfor kunnskap alltid har vært et prioritert område for Venstre. Men vi ser ikke på de private innslagene som noen trussel mot fellesskolen. Tvert imot ser vi på de private skolene som et viktig supplement til den offentlige skolen – de kan bidra med nytenkning og gi oss nye erfaringer rundt pedagogikk og organisasjonsformer. Så har jeg heller ikke oppfattet at de rød-grønne og Kristelig Folkeparti er imot private skoler, for de har jo selv innført dagens lov, som åpnet opp for både religiøse skoler både religiøse skoler og skoler med pedagogiske alternativer. For min del har jeg da litt problemer med å se den helt store forskjellen mellom et kristent gymnas og f.eks. et realfagsgymnas. Det kan ikke være slik at det er greit å starte opp skoler så lenge du fyller dem med religiøst innhold, mens skoler som er opptatt av selve faget og høy kvalitet på undervisningen, ikke skal få tillatelse til å starte opp. Men jeg skal ikke foregripe begivenhetene altfor mye, for denne debatten skal vi ta senere, når regjeringen legger fram forslag om ny friskolelov. I denne omgang er det først og fremst dispensasjonsadgangen som skal debatteres og voteres over. Regjeringen har lagt opp til en snever dispensasjonsadgang i påvente av at ny friskolelov kommer på plass. Det vil ifølge regjeringen selv kunne være aktuelt å gi tillatelse i et fåtall tilfeller. Vi vet at det er mange skoler der ute som ønsker å starte opp, og mange av disse har ventet lenge på at det skulle komme et nytt politisk flertall som gjør det mulig. Denne dispensasjonsadgangen er ikke ment å skulle åpne for at alle disse som nå har ventet i åtte år på og regjeringen har jo selv gitt uttrykk for – og det står også i lovteksten – at det kun er i «særskilde tilfelle» det skal gis dispensasjon. Venstre har i denne runden vært opptatt av at det er en «snever adgang» som dispensasjonsadgangen skal gi hjemmel til å åpne opp for. Vi er derfor glad for at det er en enstemmig som gir uttrykk for at det ikke skal gis dispensasjon i de tilfellene der vertskommuner eller vertsfylker er imot at slik godkjenning skal bli gitt. Hvor stor innflytelse vertskommunene og vertsfylkene skal ha over opprettelsen av privatskoler etter at den nye friskoleloven er på plass, regner vi med vil bli en ganske stor diskusjon når fram. I Venstre har vi også programfestet at vi ønsker oss et regelverk som gir fylker og kommuner kontroll med etableringen av nye skoleplasser. Derfor er det også viktig for oss at statsråden nå ikke gir godkjenning til skoler – med hjemmel i denne dispensasjonsadgangen – som ikke nødvendigvis ville fått tillatelse til å starte opp når ny friskolelov er på plass. Så i de merknadene som flertallet

og at disse erfaringene som søknadsprosessen gir oss, er noe vi kan ta med oss videre inn i arbeidet med ny friskolelov.

Torbjørn Røe Isaksen kalla da Høgre for det nye Arbeidarpartiet, og Erna Solberg forsikra om at det ikkje ville skje nokon store endringar; det ville berre bli nye idear og betre løysingar. Oppsummeringa etter nokre månader med Høgre–Framstegsparti-regjering er at Noreg langsamt blir tatt i feil retning, også i skulepolitikken. Les ein partiprogramma til Høgre og Framstegspartiet, er deira skulepolitiske prosjekt heilt tydeleg – fleire private skular, auka konkurranse. Kunnskapsministeren veit at dette er eit syn som ikkje har brei støtte blant lærarar, elevar og foreldre, og sakte, men sikkert blir norsk skule tatt i blå retning. Det blir ikkje innført karakterar i barneskulen – det blir berre opna for forsøk med karakterar i barneskulen. Og i dag står vi her og debatterer forslaget om ein dispensasjonstilgang for godkjenning av private skular. Krava i privatskuleloven er i dag omfattande og etablerte gjennom eit grundig forarbeid og politiske forhandlingar, og krava har støtte frå eit breitt spekter av partia på Stortinget. Utan tilsvarande forarbeid føreslår Røe Isaksen no å gje seg sjølv fullmakt til å godkjenne private skular etter eige skjøn. Det blir ikkje noko «frislipp», kan statsråden forsikre, det er berre snakk om «en snever dispensasjonstilgang», men på sikt vil Røe Isaksen fjerne dagens krav om «særskilt grunnlag» for å få godkjenning til å starte Derfor er dette det første steget på vegen mot ei privatisering av norsk skule, slik vi ser ønske om i Høgre og Framstegspartiet sine program. Gjennom mange år har Høgre og Framstegspartiet tatt til orde for ei privatisering av norsk skule, med nokre små nyanseforskjellar. Begge vil opne for private skular, begge vil ha såkalla fritt skuleval, og begge vil ha meir testing og opne testresultat for Den største forskjellen mellom desse to er at Framstegspartiet også opnar for at kommersielle skuleeigarar skal kunne ta ut overskotet av skuledrifta, noko Høgre-landsmøtet gjekk imot. Denne politikken er lite kunnskapsbasert og er heller ikkje svar på eit krav om privatisering hos folk flest. Privatisering har liten oppslutning hos lærarane. Utdanningsforbundet kallar forslaget «uheldig og betenkelig». Elevane har ikkje bedt om fleire privatskular. Elevorganisasjonane er «skremt» av forslaget. Det er heller ikkje slik at forskarar eller internasjonale undersøkingar viser at elevar lærer meir i land med mange privatskular. Tvert om har erfaringane frå Sverige vist at systemet med privatskular, konkurranse og fritt skuleval har ført til auka sosial og etnisk skulesegregering, utbreidd juks og svakare læringsresultat. Røe Isaksens privatiseringsiver er ikkje er ideologisk og interessedriven. I dag står det køar av kommersielle aktørar klare til å få ein del av den norske skulekaka. Da kunnskapsministeren overtok som statsråd, var han rask til å roe ned dei som frykta ei omvelting av norsk skule, men det tok altså ikkje lang tid før han ville opne for forsøk med karakterar i skulen og fleire private Med det beviser han at det går fint an å vere kunnskapsminister utan å lytte til verken forskarar, lærarar, foreldre eller elevar. Høgre sine marknadsliberalistar ser ut til å vere impregnerte mot kunnskap om skular og læring. Når det gjeld privatskular, lyttar ikkje kunnskapsministeren til forsking, og erfaringar frå andre land synest heller ikkje å bite på han. Den blåøygde trua på at skal skape betre skule, er utan fagleg støtte og utan fagleg forankring hos dei som arbeider i sektoren. I dag er siste sjanse til å setje ein stoppar for kunnskapsministerens prosjekt. Kristeleg Folkeparti har vore tydeleg frå starten. Det er Venstre som sikrar fleirtal for dette forslaget. Med det vil eg seie at Venstre for alvor har valt side i skulepolitikken. Venstre seier at dei støttar forslaget fordi det berre er snakk om ein snever Eg meiner det er blåøygd av Venstre. Dei vel no å gje statsråden eit stort handlingsrom når dei gjev han tilgang til skjønsmessig å godkjenne private skular. Eg hadde forventa eit meir kunnskapsbasert forsvar for den norske fellesskulen. Det viktigste utgangspunktet for regjeringen er

det som jeg bl.a. har kalt «den norske drømmen», nemlig at alle skal få like muligheter, uavhengig av hvor de kommer fra. Men det er ingen motsetning mellom det å ha en sterk offentlig skole og det å ha supplementer. Det er ikke sånn at den sterke offentlige skolen blir truet dersom noen foreldre i en bygd har lyst til å ha en kristen friskole Det er ikke sånn at den offentlige fellesskolen blir truet dersom noen i en bransje har lyst til å starte en skole fordi de er ekstra opptatt av å rekruttere gode rørleggere for fremtiden og har lyst å bidra i utdanningssystemet på den måten. Det er ikke sånn at den offentlige skolen blir truet av at man har valgfrihet og mangfold. Men utgangspunktet, det viktigste, er å satse på den offentlige skolen. Men privatskoler og friskoler kan være et supplement. Det har allerede blitt nevnt her at det ikke er noe uenighet i Stortinget om at man skal ha nærmest fri adgang til å etablere privatskoler som ikke får offentlig støtte, hvor skolepengene kan beløpe seg til titusenvis av kroner. I dagens regelverk er det i teorien fullt mulig å starte en privatskole som ikke får ett rødt øre i statsstøtte, og som bare er for de aller rikeste. Men det viser nettopp behovet for det som vi kaller «friskoler», og som enkelte, med et litt lengre begrep, kaller «privatskoler som får offentlig støtte». Friskolene har to viktige ting ved seg: For det første gir vi dem støtte. Hvorfor gjør vi det? Jo, nettopp fordi det ikke skal være lommeboken som skal være det avgjørende for hvorvidt du har mulighet til å gå der eller ikke. Nettopp fordi nettopp fordi det skal være gode vilkår for å drive et alternativ, har flertallet på Stortinget også fått inn f.eks. et kapitaltilskudd til friskolene i statsbudsjettet. Utgangspunktet for at vi er for friskoler handler om tre ting: For det første handler det om foreldreretten. Ja, vi skal ha rammer for barns oppvekst i Norge. Det er alle enige om. Men likevel er det en rettighet for foreldrene å kunne velge et alternativ for sine barn, et kristent alternativ eller et pedagogisk alternativ. Utgangspunkt nr. 2 er valgfriheten. Man skal ha mulighet til å velge, og bevisbyrden må ligge på dem som vil begrense valgfriheten, snarere enn hos dem som ønsker å ha valgfrihet som utgangspunkt. Det betyr ikke at valgfriheten skal være total, for i veldig mange tilfeller er det gode grunner til at vi begrenser valgfriheten, av hensyn til det felles beste. Men det betyr at valgfriheten skal ligge til grunn. Det tredje argumentet er at gode krefter må slippe til. Det var vel formann Mao som sa: La de hundre blomster blomstre. Det er ikke så ofte jeg siterer formann Mao, men det var et veldig godt poeng. Vi skal la de gode kreftene slippe til for å lage bedre skoler for alle. Men vi må ha noen forutsetninger, og forutsetningen er for det første at vi er med på spleiselaget herfra, ved at vi ikke lager et skolesystem hvor alle privatskoler må drive med inntekter kun fra foreldrene, men ved at de kan drive på en måte som gjør at de er tilgjengelige for flest mulig. I tillegg må vi regulere og stille krav. Som Høyre-statsråd, og som statsråd i en Høyre–Fremskrittsparti-regjering, er jeg ikke flau over å si at vi må regulere og stille strenge krav til friskolene. Vi skal stille krav om innhold og kvalitet. Vi skal stille krav om at opplæringen er like god som i den offentlige skolen. Vi skal stille krav om at man ikke kan ta ut utbytte og drive kommersiell skole, hvor statsstøtten går til noe annet enn elevene. Alle de kravene skal vi ha. Men vi ser at godkjenningsordningen, eller det som vi ofte kaller formålsgrunnlaget i dagens lov, gir noen urimelige utslag. Det er ikke bare religiøse og pedagogiske alternativer som er lov. Det er f.eks. lov å starte private skoler som er spesielt tilrettelagt for talenter innenfor alpint eller fotball. Men hvis man vil starte en skole som er tilrettelagt for talenter innenfor matematikk, fysikk, kjemi eller yrkesfag, er det strengt forbudt. Det er et urimelig utslag. Derfor ønsker regjeringspartiene at vi skal ha flere friskoler, som kan være supplementer til den offentlige skolen – ikke et frislipp, ikke mangel på reguleringer og ikke

Vi arbeider grundig med forslaget til ny lov og bruker tiden som er nødvendig, for å sikre at gode utredninger ligger til grunn. Det er også bakgrunnen for at vi nå fremmer et forslag om en midlertidig dispensasjonsordning i privatskoleloven. Vi foreslår at det innføres en snever adgang til dispensasjon fra kravet til godkjenningsgrunnlag i tidspunktet frem til en ny friskolelov er på plass. Hjemmelen vil bli praktisert strengt, og det er tydelig presisert i proposisjonen at dispensasjonen kun vil bli gitt i et fåtall tilfeller. Jeg vil også understreke at det kun er kravet til godkjenningsgrunnlag det kan dispenseres fra. Det er altså ingen mulighet for Stortinget med dette lovvedtaket å gi statsråden fullmakt til å godkjenne en hvilken som helst skole. Lovens øvrige krav til skolens innhold og kvalitet må være oppfylt for at dispensasjonen skal gis. Jeg vil også følge opp flertallsmerknaden fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i komiteen, om at det ikke vil bli godkjent skoler etter dispensasjonsbestemmelsen dersom den aktuelle vertskommunen eller vertsfylket går imot en slik godkjenning. Dispensasjonsbestemmelsen vil kun være aktuell for skoler som har et pedagogisk tilbud eller en organisering av undervisningen som er nyskapende, sammenliknet med eksisterende offentlige og private skoler. Vi har også nevnt eksempler på det: et privat og enkelte yrkesfagsskoler. I lovproposisjonen er det presisert at den foreslåtte bestemmelsen kun gir hjemmel til godkjenning av nye skoler og ikke til godkjenning av driftsendringer ved eksisterende skoler. Vi foreslår en smal bestemmelse som skal virke en kort periode. Forutsatt Stortingets tilslutning vil bestemmelsen tre i kraft straks, og ut ifra de søknadene som eventuelt fremmes, håper vi å kunne vinne erfaringer med både aktører og tilbud. erfaringer som kan være nyttige under arbeidet med ny friskolelov. Jeg tar sikte på å legge frem for Stortinget et forslag til en ny lov våren 2015. Selv om vi i dag diskuterer dispensasjonsbestemmelsen, er det verdt å bruke noen ord også på den bredere friskoledebatten. Det er nemlig tre problemer med dagens friskolelov: For det første er formålsbestemmelsen, altså godkjenningsgrunnlaget, under press.

Vi ser også at formålsbestemmelsen kan komme under press ved at det f.eks. kommer veldig mange aktører som søker om nye toppidrettsgymnas. For det andre er det lenge siden denne loven kom. Hovedelementene fra Clemets friskolelov er jo bestemt, men med revideringene som de rød-grønne gjorde, med Kristelig Folkepartis støtte, er det likevel flere år siden. Vi har lært mye siden det, bl.a. fordi det har blitt godkjent opp mot 9 000 nye elevplasser i privatskoler under den forrige regjeringen. Da kan det være rimelig å gå gjennom loven for å se om det er behov for presiseringer av regelverket, og for å se om det kan være behov for innstramminger. For det tredje mener jeg at det politiske forliket om friskoleloven ikke er spesielt tydelig, bl.a. fordi Arbeiderpartiet har luftet sterke betenkninger rundt muligheten til å starte religiøse skoler. Jeg har lyst til å avslutte med å håpe på at debatten om friskoler blir bra, god, konstruktiv og nyttig, og jeg synes også det har vært gode anslag til det. For eksempel var vi jo gjennom en valgkamp hvor Arbeiderpartiet advarte veldig kraftig mot å liberalisere dagens friskolelov, men i Politisk Kvarter i år uttalte representanten Giske at det hørtes flott ut med ny kokkeskole med nye ideer, og at han godt kunne diskutere om vi skal ha et videre begrep på pedagogiske alternativer. Representanten Marianne Aasen har på sin side sagt at disse skolene bidrar til at norsk skole blir bedre. blir bedre. Det skulle jo tilsi at man nettopp kan ha en debatt om ikke også de som vil starte en yrkesfagskole, en realfagsskole eller en bransjeskole, burde kunne etablere seg. Det mener jeg dagens forslag gir et godt utgangspunkt for. Det åpnes for replikkordskifte. Det er en veldig fordel for en god og replikkordskifte. Det er en veldig fordel for en god og konstruktiv debatt at Høyre nå snakker sant om sin egen privatskolepolitikk. I valgkampen var det stikk motsatt budskap som ble framført. Da vi poengterte at man ville åpne for en rett til å starte privatskole med statstilskudd, gitt at man bare oppfylte visse kvalitetskriterier, benektet Høyre dette. Nå snakker statsråden forbilledlig sant. Nå mangler det bare at han slutter å snakke usant om Arbeiderpartiets politikk, så er man i mål. Vi står fast på dagens forlik, så statsråden kan slutte å si noe annet, men hvis det er åpent for et lite justeringsmonn som gjør det mer levelig for statsråden, er vi åpne for å diskutere det. Men det er jo ikke det det er snakk om. Det er snakk om å innføre en rett til statsstøtte i neste omgang, ikke denne dispensasjonsadgangen. Statsråden forsvarer jo dagens privatskolelov fra talerstolen. Mitt spørsmål er: Forstår statsråden at når han innfører en rett til å starte en privatskole med statsstøtte, har han ikke lenger noen kontroll på om dette er et supplement eller ikke, at det da er de private som avgjør det? For det første vil jeg si at det er det? For det første vil jeg si at det er veldig bra at man er åpen for å diskutere om det kan være ting som skal endres med dagens privatskolelov. Jeg ser også veldig frem til at Arbeiderpartiet skal legge frem noe konkret om hva de mener, siden det åpenbart, i forskjellige offentlige debatter, kommer signaler som kan tolkes i forskjellige retninger. Det er ikke snakk om en rett til å starte opp bare fordi man sier at man har lyst til å starte en skole. Det er noen veldig klare krav her, og en av de endringene som vi i Høyre har gjort i vår politikk – jeg kan ikke snakke for det andre regjeringspartiet – er bl.a. at vi har sagt at negative konsekvenser for kommunene og fylkeskommunene skal være en grunn til at man ikke får godkjenning. Tidligere, med bakgrunn i Clemets friskolelov, sa vi «vesentlige negative konsekvenser», men vi har, nettopp av hensyn til debatten og erfaringene vi har hatt, sett at vi bør beholde formuleringen i dagens lov. Det vi mener er urimelig, som får nettopp de utslagene som flere her sier er urimelige. At man kan starte et toppidrettsgymnas, mener jeg er kjempebra, men hvis man vil starte et realfaggymnas, er det i utgangspunktet ikke greit å søke. I sitt innlegg sa statsråd Torbjørn Røe Isaksen at det er

veldig lenge. De er faktisk veldig gode til å lære folk språk og realfag, og det finnes sågar mange videregående skoler rundt omkring i Norge som driver med realfagsfordypning på svært høyt nivå. Det foregår i Drammen. Det foregår i Tromsø. Det foregår i Fredrikstad. Det jeg da lurer på, er: Hvis man kommer med en søknad om en skole som er ganske lik de skolene vi faktisk har – jeg vet bl.a. om en skole i Bærum – hvis vi da har den typen skoler i det offentlige, trenger vi noe supplement, eller vil statsråden mene at dette er så nyskapende, selv om vi har det, at han vil gi tillatelse? For det første er jeg helt enig med representanten i at det skjer utrolig mye spennende i norsk skole, og jeg må også si at jeg synes det er en av de viktigste tingene som står igjen etter Bondevik II-regjeringen, nemlig at man løsnet opp de sentralistiske grepene og den sentralistiske styringen av norsk skole for nettopp å slippe frem lokalt initiativ. Så får vi se, når søknadene kommer, hvorvidt det vil kunne regnes som nyskapende sammenlignet med det offentlige tilbudet. Drammen er et kjempegodt eksempel. De har bl.a. startet en forskerlinje som jeg har hørt veldig mye bra om. Det er også interessant at fylkeskommunen eksplisitt begrunnet det med at en privatskole i Drammen hadde et så godt realfag- og forskningstilbud at de måtte gå inn og konkurrere med denne skolen, og de opprettet en forskerlinje for å trekke elevene til den offentlige skolen. Det synes jeg er et godt eksempel på hvordan flere supplementer kan skape dynamikk i systemet. Først hørte vi representanten systemet. Først hørte vi representanten fra Høyre tidligere i dag tone ned denne saken ved å si at dette dreier seg kun om en svært snever dispensasjonsadgang. I løpet av sitt innlegg hadde kunnskapsministeren en bredt anlagt argumentasjon for liberalisering av privatskoleloven. Jeg syntes det hørtes mindre og mindre snevert ut jo mer han snakket, og det forsterker inntrykket av at det ikke er det å hente erfaringer som er hovedårsaken til denne lovendringa. Vi i Arbeiderpartiet er veldig for kunnskap. Vi er for utredninger, for høringer, for konsekvensutredninger – «you name it» – for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Men å hastegodkjenne nye privatskoler for å få bedre erfaringer med søknadene til privatskoler er å skyte spurv med kanon. Jeg lurer egentlig på hva slags erfaring det er statsråden skal rekke å gjøre seg på de få ukene fra søknadsfristen er ute, til loven skal på høring,

La meg ta et eksempel: Vi vil bl.a. få se hvem det er som søker, hva slags grunnlag de har. La meg ta som eksempel de uttalelsene Arbeiderpartiet selv har kommet med, om at det f.eks. er en flott idé med kokkeskoler. Det ville være interessant hvis Arbeiderpartiet nå åpenbart også mener at det kan være grunn til å se om dagens privatskolelov burde ha rom for f.eks. en kokkeskole. Så kan det være interessant å hente inn erfaringer med hvem det er som søker, hva slags opplegg de skisserer, for å se hvordan en ny friskolelov eventuelt kan bake inn det som et grunnlag. Det er interessant for oss å vite. Det er interessant å se hvem som søker, hvordan de legger det opp, og det er viktig informasjon å ha med seg i arbeidet med ny privatskolelov. Dette er Dette er jo egentlig en sak om dispensasjonsadgangen, men det har blitt til en bredere debatt om privatskoler, og jeg ønsker derfor å stille statsråden et spørsmål om foreldreretten. Han nevnte i sitt innlegg at han er opptatt av foreldreretten i privatskolepolitikken, og da regner jeg med at han mener foreldretten slik den framkommer i internasjonale konvensjoner. Det er faktisk ingen menneskerett å få gå på en realfagskole eller en privat eliteskole, men det er en menneskerett å få sende barna på en skole som er i tråd med egen religiøs, moralsk eller filosofisk overbevisning. Samtidig som statsråden nå ønsker å åpne opp for flere typer privatskoler, varsler han en innstramming der det skal bli vanskeligere å etablere en skole som har negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet på stedet. Jeg frykter at det vil gjøre det vanskeligere å etablere alternative skoler på mindre steder, og at foreldretten der kommer under press. Mitt spørsmål er: Hvordan vil statsråden sørge for at foreldreretten blir ivaretatt også på små steder? For å oppklare en misforståelse, det kan hende jeg var uklar: Det som står i regjeringserklæringen, er «negative konsekvenser» for kommunen eller fylkeskommunen. Tidligere, med bakgrunn i Clemets friskolelov, sto det «vesentlige negative konsekvenser», altså en høyere terskel for at det skulle bli

stilte jeg meg spørsmålet: Hvorfor det? Det mener jeg også statsråden bør gjøre. Når det f.eks. nevnes private yrkesfagskoler, må vi stille spørsmålet: Hvorfor er det noen som ønsker de yrkesfagskolene? Et eksempel fra Møre og Romsdal hørte vi om i høringen. En videregående skole var blitt bygd uten verkstedrom. Det var en ny, stor videregående skole. Det var håpløst for dem da de skulle ta over elevene fra ungdomsskolen inn i yrkesfagene. dem da de skulle ta over elevene fra ungdomsskolen inn i yrkesfagene. Da er spørsmålet: Ser ikke statsråden at det ville være klokt å avvente en endring av privatskoleloven til vi fikk satt inn de tiltakene Stortinget faktisk gjorde vedtak om i fjor når det gjelder yrkesfaglige studieretningene? For de som nå skal ta imot lærlingene, får ikke de lærlingene de ønsker. Ser ikke statsråden at det ville vært klokere?

er bl.a. på grunn av endringen i lovforståelse som gjør at man nå får humanistskoler – iallfall muligheten til å søke om det – og ikke bare f.eks. en kristen skole. Det mener jeg er et pressgrunnlag. Jeg mener også at fordi man så tydelig definerer hvilke godkjenningsgrunnlag som er i loven, kan det bety at f.eks. veldig mange aktører vil søke om å opprette toppidrettsgymnaser, mens man kanskje egentlig har ønske om å starte en litt annen type skole. Da mener jeg det er mer ryddig og renhårig å ha en lov hvor ikke formålet bestemmer om man får starte eller ikke, men innholdet og kvalitetskriterier. Jeg mener at det også kan være rom for å stramme inn noe på enkelte deler av dagens lov. Nå er det et annet politisk flertall enn det det har vært de siste åtte årene, som gjør at det nå er

Men det vi behandler nå, er selve dispensasjonsadgangen som skal gjelde fram til en ny friskolelov kommer på plass. For oss er det viktig at dette er en snever dispensasjonsadgang, og at det ikke er en mulighet til å gi tillatelse til alle dem som de siste åtte årene har hatt et ønske om å starte opp, for de skal vi vurdere etter den nye friskoleloven. Det er kun et fåtall skoler denne adgangen skal være aktuell for. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilket antall ser egentlig statsråden for seg vil få dispensasjon etter denne dispensasjonslovgivningen? Det går ikke an å si et nøyaktig antall, men vi har rammet det inn veldig tydelig for å gi oss grunnlag for å si at det er en svært snever adgang. Det skal være krav til at det er et genuint annerledes tilbud eller et alternativ til det offentlige. Vi har sagt at det skal være fornyelse bak det. Vi har nevnt noen konkrete eksempler. I lovforarbeidene er det en diskusjon om geografisk fordeling, altså hvordan dette eventuelt kan plasseres rundt om i Norges land. Uten at jeg skal forskuttere saksbehandlingen – hvis det kommer en veldig stor mengde søknader, er nok sjansen veldig stor for at det blir flere som får nei enn som Så jeg er ganske sikker på at dette vil være en snever dispensasjonsadgang. Jeg er også ganske sikker på at vi vil få ganske mye nyttig informasjon ut av dette, og ser frem til at vi skal legge frem en ny lov i 2015. Replikkordskiftet er omme. Det legges i dag opp til at vi skal hasteinnføre en dispensasjonsadgang slik at regjeringen skal kunne godkjenne private skoler uten å måtte ta hensyn til formålskriteriene i opplæringsloven. Det er ikke rare Den nye friskoleloven er allerede varslet. Det blir sagt at den har vært under arbeid en stund allerede. Statsråden sier at den blir lagt fram for Stortinget etter alt å dømme våren 2015. I den store privatskoledebatten gjentas argumentene fra de borgerlige ofte. Det blir sagt at man ikke nødvendigvis ønsker å privatisere for privatiseringens skyld. Man ønsker å privatisere for å gi elevene valgfrihet og sikre bredde i skolen. I denne sammenheng blir det eksempelvis nevnt, også i dag, oppstart av realfagsgymnas og enkelte yrkesfagskoler i privat regi. Elever har ulike behov og ønsker. Derfor har vi allerede i dag en privatskolelov som åpner for eksempelvis skoler som tilbyr en helhetlig, alternativ pedagogikk. Men elever har også ulike behov og ønsker som favner langt bredere enn den alternative pedagogikken, elever som går i og har planer om å gå i fellesskolen. Derfor er det viktig at vi har en åpen og nysgjerrig skole som prøver ut nye undervisningsformer og tilrettelagte opplegg. Min oppfatning er at skolene gjør sitt beste for å møte elevenes behov. Min tidligere ungdomsskole, f.eks., hadde i mange år en egen naturfagsklasse, med vekt på natur og friluftsliv. Min tidligere videregående skole, og mange med den, har etablert internasjonale studieløp. Naboskolen, Skien videregående skole, har etablert en egen forskerlinje. Lunde vidaregåande skule i Nome har satt mye av den yrkesfaglige undervisningen ut til hjørnestensbedriften Bandak. Dette er noen eksempler i en liten omkrets rundt mitt liv. Likevel skulle også jeg ønske meg enda større bredde enn hva vi klarer å tilby i skolen i dag av metoder, Men forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre er at vi mener det er fullt mulig og best å legge til rette for dette i offentlig regi. Det finnes flere eksempler som viser at dette er mulig. Ruseløkka skole i Oslo, f.eks., tilbyr et tilrettelagt opplegg for elever ved Ballettskolen. Vi mener at slike tilbud med fordel bør forsøkes ved flere offentlige norske skoler. Representanten Kristin Vinje skriver på sin blogg 7. februar som svar på spørsmålet: Hvorfor endre friskoleloven? «Regjeringen har vært krystallklar på én ting: Kvalitet og kunnskap i den offentlige skolen er en av regjeringens viktigste politiske prosjekter. Friskoler skal gi oss mangfold og supplement og bidra til utvikling som gir bredde i skoletilbudet for å kunne møte de ulike elevers ønsker og behov. Da må vi justere loven slik at krav til formål må erstattes med krav til innhold og kvalitet.» Arbeiderpartiet mener at regjeringen abdiserer i skolepolitikken når man antyder at man må privatisere skolen for å sikre bredde i skolen. Jeg mener det er motsatt. Bredden og valgfriheten sikres når den er tilgjengelig for flest mulig. Kommersielle skoleaktører har i Sverige ført til karakterpress og dårlig sammenheng mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Private skoleaktører i Danmark har ført til at man har liten kontroll på innholdet i skolen, og det er eksempler på siling av sterke og svake elever ved inntak allerede i barneskolealder. Og vi har private skoleaktører i Norge, der flertallet, to tredjedeler, er tatt for juks med budsjetter i forhold til utbytte. Vi kan ta sjansen og tro at alt blir annerledes denne gangen. Men hvorfor skal vi det? La oss heller utnytte potensialet i den offentlige skolen – som de fleste barna i Norge allerede går på – enda bedre enn det vi klarer i dag, med større bredde for å møte elevenes ulike behov. Det er fullt mulig. Men da må blikket rettes mot nettopp den offentlige skolen.

skole. Det samme gjelder et sitat fra Trond Giske. Han skal liksom ha sagt at det kan være fint å opprette noen kokkeskoler, eller noe i den duren. Det kan Trond Giske godt ha sagt, men poenget er at det er ikke det vi snakker om. Om man skal opprette noen kokkeplasser her eller noen realfagsplasser der, utgjør ikke noe problem i seg selv – heller ikke at vi har montessori- og steinerskole, som vi har lært mye av opp gjennom mange år. Det handler om hvorvidt vi skal endre norsk skolesystem i et mye større og lengre perspektiv. Det er det denne debatten handler om – fordi flere privatskoler er en fanesak for Høyre, det er det ikke for Arbeiderpartiet. Det går et ideologisk skille mellom høyre- og venstresida i dette spørsmålet, og det handler i det store om hvorvidt vi skal slå ring om fellesskolen eller ikke. Vil vi at det offentlige skal drive de aller fleste skoler i Norge eller ikke? Mener vi at skole er en sak som det offentlige skal ha hovedansvaret for eller ikke? Den lille lovendringen som vi nå ser, kan være begynnelsen på en stor endring. Det er derfor vi er sånn på vakt. Vi skjønner også at det kan handle om en og annen kokkeskole og et eller annet mindre grep, men det er ikke det som er den store faren – om en får et realfagsgymnas i Bærum. Den store endringen det kan medføre, er at en på sikt endrer skolen, slik vi har sett i våre naboland. Derfor er det en større sak enn det som faller i smak hos mange av Høyres representanter. Jeg blir ikke noe mindre urolig av å høre debatten for øvrig heller, verken det som Fremskrittspartiets Bente Thorsen sa, eller det svært ideologiske innlegget fra statsråd Røe Isaksen. Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet er mot alle private skoler. Debatten har pågått så lenge at det burde de aller fleste ha fått med seg. Vi har omtrent 5 pst. private skoler i Norge i dag, og det bør vi ha. Det er passe. Forliket med Kristelig Folkeparti er bra. Alt det Anders Tyvand sa i innlegget sitt, støtter jeg. Religiøse eller pedagogiske alternativer samt noen spesialskoler med hovedfokus på toppidrett kombinert med skolegang tillates, men her setter vi opp grensen. Og det er det vi diskuterer: Hvor skal grensen gå? Jeg er med på at det kan by på noen utfordringer. Derfor må vi også kunne diskutere f.eks. grendeskoler og det at det opprettes en del private skoler fordi den lokale skolen legges ned. Men i sum handler det om at Arbeiderpartiet ønsker en skole hvor vi alle møtes på tvers av forskjeller og ulikheter, enten det skyldes religion, økonomi eller foreldres ressurser på andre måter. Det er et viktig mål i seg selv. Vi må slå ring om den lokale skolen i by og bygd omkring i hele landet og hindre at vi får en slik utvikling når det gjelder skole som vi ser i Sverige, og som vi har skole som vi ser i Sverige, og som vi har sett i Danmark. Dagens dispensasjon kan være alvorlig isolert sett, men heldigvis har vi fått inn en vetorett, takket være et godt arbeid i komiteen. Men det bekymrer meg at man firer på kravet til formål, for det åpner slusene for noe vi ikke vet hva er. Jeg føler heller ikke vi har fått noe svar på dette i løpet av debatten. Hvilke skoler får ja, og hvilke får nei – og hvorfor det? Og hvem skal kunne starte skole? I valgkampen fikk vi høre fra Høyres representanter at det var gode skoler – hva nå det er som kan defineres som det. Jeg mener det er naivt å tro at ikke kommersielle interesser finner norsk skolemarked – for det er det vi da vil få – interessant. Forbud mot profitt er veldig bra – og de fleste av oss er heldigvis enige om det, inklusiv Høyre men det utfordres av folk som lager kreative selskapssystemer, og driver kreativ bokføring. Skal man hindre det, må man ha et ganske stort og svært kompetent byråkrati, som er ressurssterkt, for å passe på at dette ikke jukses med. Til sist vil jeg poengtere dette med språklig eller pedagogisk eller pedagogisk utvikling når det gjelder språkskoler, realfagskoler eller andre typer skoler: Men det er jo det skolen driver med. Som jeg sa i min replikk også: Den norske skolen er god på det, og det skjer veldig mye god utvikling der. Derfor synes jeg det er underlig at representanten Bente Thorsen sier at dagens offentlige skole har så trange rammer og er så statisk styrt. Vel, Høyre og Fremskrittspartiet har sammen med partier her på Stortinget – de borgerlige partiene – makt til å gjøre noe med det, så jeg skjønner ikke hvorfor man ikke gjør det, i stedet for å åpne opp for noe som kan bli en ganske massiv privatisering. La meg først gi honnør til statsråden for utvetydig, klar tale. Et så varmt, ideologisk forsvar for en privatisering av norsk skole tror jeg nesten bare Fremskrittspartiet har framført hittil. Vi får en veldig tydelig linje fra statsråden. Det gir grunnlag for gode debatter i denne sal. La det så ligge at argumentasjonen om å høste erfaring før man skal legge fram et lovforslag om noen måneder, er så tynn at den ikke står til troende. Dette er selvsagt første skritt mot det som statsråden selv skriver i proposisjonen, nemlig en rett til statsstøtte. Ordet «rett» er ikke noe Arbeiderpartiet har oppfunnet, det står både i regjeringserklæringen og i proposisjonen – selvsagt ved oppfyllelse av visse kvalitetskriterier, i likhet med at man må følge regnskapsloven, arbeidsmiljøloven osv., slik som andre virksomheter. La det også ligge at man forsøker å tillegge Arbeiderpartiet helt andre standpunkter ved å vri og vende på sitater. Når vi sier: Vel, hvis det er sånn at formålene er for snevre, la oss diskutere disse formålene, hvis det er sånn at den offentlige skolen trenger en privat kokkeskole fordi det offentlige ikke klarer å levere det. Det blir omtrent som at hvis Høyre var for en eller annen avgift, skulle vi påstå at Høyre var for å øke avgiftene generelt i Norge. Selvfølgelig er det ikke slik, og det tror jeg statsråden vet godt. Dette er et nytt system. Det er et system som vi kjenner fra andre land, hvor man gjør tre ting samtidig. For det første innfører man en rett til statsstøtte for privatskoler, som får etablere seg fritt, gitt visse kvalitetskriterier, men – som statsråden understreker – med en mulighet for kommune og fylkeskommune til å protestere. Vi så hvordan det gikk med disse protestene under Clemet. Om det var vesentlige eller mindre vesentlige innvendinger, ble omtrent alle fylker overkjørt i sitt nei til videregående private skoler i sine fylker – regjeringen sa likevel ja. Det andre prinsippet er at elevene selvsagt skal konkurrere om plassene på disse skolene. Fritt skolevalg gjelder bare for dem som har gode nok karakterer, eller evner og anlegg – som de ser på i Storbritannia når de intervjuer fem–seks-åringer som skal inn i de private barneskolene. De andre får velge de skolene de ikke, kanskje, hadde som sitt førsteønske. Det tredje som må til for å få dette systemet til å fungere, en rangering av skolene, slik at en får en dynamisk konkurranse om formodentlig å løfte kvaliteten. Problemet er at dette systemet ikke virker. Hvis vi skal ha en kunnskapsbasert, vitenskapsbasert skolepolitikk, må vi se på de land som har innført dette systemet. systemet. La oss ta vårt naboland Sverige. Det ble sagt her fra representanten fra Fremskrittspartiet at det var ikke bevist at det var privatiseringen som hadde medført den kraftige nivåsenkningen i svensk skole. Nei, men det vi i hvert fall helt sikkert kan si at den ikke har ført til, er nivåheving. Den har definitivt ført til større forskjeller. Det er empirisk bevist. Men vi hørte også den kjente svenske skoleforskeren Jonas Vlachos si på et seminar nylig i Oslo si på et seminar nylig i Oslo at det var mye som tydet på at privatiseringen også hadde bidratt til nivåsenkningen, bl.a. fordi man fikk utydeligere eierskap og mindre helhetlige og konsise krav til kvalitet i skolen i Sverige. Men hvis man vet at det i hvert fall ikke fører til nivåheving, hvorfor sette dette som sin store kampsak innenfor skolepolitikken? Hvorfor ikke heller gjøre de tingene som vi vet gir en bedre skole for alle: sørge for at vi kan ha en felles skole hvor vi kan gjøre løft for etter- og videreutdanning for alle lærere – og ikke ha ett lag her og ett lag der – sørge for at vi kan gjennomføre tidlig innsats, sørge for å utvikle læremateriell, sørge for bedre skoleledelse, sørge for de støttefunksjonene vi ønsker, som skolehelsetjeneste, rådgivning osv., sørge for gode skolebygg, sørge for sammenheng mellom skole og yrkesliv, som vi ikke minst trenger for å få flere gjennom videregående skole. Vi vet mye mer enn vi gjorde for ti og tjue år siden hva som virker i skolepolitikken. Vi vet også at privatisering ikke virker. Det skaper større forskjeller, og det løfter ikke kvaliteten – tvert imot er det mye som tyder på at det senker kvaliteten. Jeg tror statsråden er smertelig klar over at dette er en linje som har liten støtte i det norske folk. Kommunene vet at hver eneste krone som går til de private skolene, hentes fra de offentlige kommunebudsjettene, som må skjæres i når de private skolene oppstår. Jeg tror også at det langt inn i partiet Venstre er mange som ønsker å stå sammen med Kristelig Folkeparti og de rød-grønne om å slå ring om dagens politikk, som satser på den offentlige fellesskolen, og som gir et rom for noen private supplementer – slik også representanten for Venstre snakket om i sitt innlegg. Heldigvis er det stor og bred enighet om de store linjene i norsk skolepolitikk. Faktisk er

Fortsatt finansieres privatskoler med lavere tilskudd enn de offentlige skolene. Fortsatt hindrer loven at man kan tjene penger på privatskoledrift. De som da tar steget og vil skape noe for norsk skole, må kunne kalles ildsjeler. For disse ildsjelene må det være litt forvirrende å lytte til debatten her i dag. I politiske taler hyller vi ildsjelene i samfunnet vårt – de som går foran, som strekker seg litt ekstra, og som på mange områder bidrar positivt. Når det gjelder skolen, er bildet annerledes for enkelte her i salen. Når vi vet om de mange som ikke fullfører eller ikke består vårt 13-årige skoleløp, er det utfordrende å forstå at enkelte kan hevde at vi ikke trenger å utfordre dagens måter norsk skole er skrudd sammen på. Enkelte foreldre og ungdommer som velger annerledes, gjør det trolig med gode grunner. Med mange skoleeiere rundt omkring i Norge er skoleutvikling så mangt. Et mangfold i Skole-Norge gjennom privatskoleloven bidrar ikke bare til utvikling, men sikrer valgmulighet for dem som har behov for det. Samtidig gjelder hensynet til lokalsamfunnet. Skoler som gir vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen, vil ikke bli godkjent. I gårsdagens Nordlys sto representanten Martin Henriksen fram og varslet at vi med dagens endring får Coca Cola videregående skole. Ikke bare er det useriøst, det er også en total skivebom med hensyn til hva denne saken dreier seg om. Den handler nemlig om ildsjelene som brenner for noe nytt. Den handler om mangfold, og den handler om å av og til være vanskelig å få tak i hva Arbeiderpartiet egentlig ønsker med privatskoler. Da Henriksens parti selv satt i posisjon, hadde man et langt mer pragmatisk forhold til spørsmålet. Jeg kan like seriøst si at de rød-grønne synes det er helt ok med Coca Cola skole – bare den bygger på montessoripedagogikk eller kanskje har toppidrettslinje. Det seriøse poenget er like fullt: En rekke private skoler ble godkjent også i den rød-grønne stortingsperioden – faktisk godt og vel 9 000. Hvorfor det da ikke skal være mulig å utvikle nye pedagogiske skoleopplegg, eller hvorfor det er ok med privatskoler så lenge det er å legge til rette for noen som har talent innenfor fysikk, kjemi, matematikk eller – for den saks skyld – språk, plutselig er så kritisk at det truer hele den norske skolemodellen, står ikke til troende. Når statsråden i tillegg understreker at hjemmelen skal praktiseres strengt, og at det i proposisjonen er tydelig presisert at dispensasjon kun skal bli kan det bare bety at vi gjennom søknadene får fram eksempler som vil berike norsk skole, og som vil kunne gjøre vårt arbeid med en ny lov til høsten og utpå vårparten mye, mye bedre. Jeg hilser derfor velkommen dagens marginale, men viktige dispensasjonsadgang i for de mange skoleildsjelene rundt omkring i Norge som vil vise hvordan nettopp de kan løfte fram nye ideer og bedre løsninger for norsk
Statsråden sa i sitt innlegg at formålsbestemmelsen er under press, og framstiller det som et problem at det nå også åpnes for humanistskoler i Norge. I Kristelig Folkeparti anser vi ikke det i seg selv som noe problem. Vi er opptatt av foreldreretten. Den må gjelde for alle, uansett religion eller livssyn – også for foreldre med et sekulært livssyn. Jeg er enig i at det er en risiko for at lovverket kan uthules av aktører som egentlig ikke er opptatt av å utgjøre et alternativ, som egentlig ikke er opptatt av å bidra til å oppfylle foreldreretten, men som bare er opptatt av å få drive skole. Det er et problem, men vi løser ikke dette problemet ved å gi disse aktørene en lovfestet rett til å drive skole. Jeg synes det er interessant at representanten Henrik Asheim tidligere i debatten ba om en avklaring med hensyn til Arbeiderpartiets standpunkt i privatskolepolitikken, og at Høyre åpenbart har behov for å trekke inn en større debatt om privatskolene når vi i dag skal diskutere dispensasjonsadgangen. Jeg er helt enig, jeg har også behov for å diskutere privatskolepolitikk med Arbeiderpartiet. Jeg reagerte også på uttalelsene om en mulig muslimskole i Norge. Jeg er glad for at Trond Giske i dag ga en tydelig avklaring: Arbeiderpartiet står fast på forliket med Kristelig Folkeparti. Men når Henrik Asheim advarer Kristelig Folkeparti mot Arbeiderpartiet, må jeg si at jeg merket meg også Fremskrittspartiets motstand mot en muslimskole. Det er altså slik jeg opplever det – mangel på prinsipiell tenkning i disse spørsmålene langt inn i regjeringens rekker. Jeg er helt enig, vi trenger en debatt. Vi trenger en avklaring når det gjelder hvor partiene står. Vi trenger en stor debatt om hva slags privatskolepolitikk vi skal ha i Norge – og vi trenger den debatten før vi gir grønt lys for nye privatskoler i Norge. Nettopp derfor blir det helt feil å gå inn for å gi adgang til dispensasjon i dag, slik at statsråden skal kunne godkjenne nye privatskoler, når Stortinget først til høsten får se hvilke endringer i privatskoleloven regjeringen ser for seg, og først neste vår skal ta den debatten. Jeg sier tusen takk for debatten og vil bare presisere to ting. Når det gjelder humanistskoler, formulerte representanten Tyvand det jeg mente å formulere – det er mulig jeg var uklar. Problemet er ikke at man i seg selv har lyst til å starte en humanistskole, men det legger selvfølgelig et press på begrensningene i dagens godkjenningsgrunnlag. Det man risikerer å få med et slikt økt press, er skoler som – i verste fall – er vanskeligere å kontrollere. Jeg har lyst til bare å understreke: Representanten Giske sa at midlene til privatskoler trekkes krone for krone ut av kommunebudsjettene. Jeg skal forsøke ikke å være polemisk og nevne at det må jo også ha vært tilfellet for de ca. 9 000 plassene som ble godkjent de åtte foregående årene, men isteden si at det er viktig å ha med seg at en av de tingene som alle privatskoler påpeker, er at de får 85 pst. av kostnaden for en elev. Dette er et ganske stort og ganske komplisert system – det er flere faktorer som spiller inn – men privatskolene får altså mindre penger per elev. Frem til 2014 fikk man heller ikke noe kapitaltilskudd. Kostnadene for bygg osv. har de måttet ta på egen kappe. Mens jeg satt og hørte på debatten om endringene som er foreslått i privatskoleloven, kom jeg til å tenke på en bok som ble utgitt for en del år siden, om framveksten av privatskolene. Boka hadde tittelen «Friskolen – enhetsskolens gjøkunge?». Tittelen er god og på mange måter også betegnende for de spørsmål som For min del ser jeg ikke på disse skolene som gjøkunger. Alle partiene her er for en sterk og god offentlig skole. Den målsettinga deler vi. I Høyre har vi vært krystallklare på at vi vil ha en offentlig skole som skal være så god at ingen skal ønske seg eller velge noe annet på grunn av manglende kvalitet. Det er vår første og største utdanningspolitiske oppgave. Videre ser det også ut som alle partiene er for et visst innslag av friskoler, og da er det underlig for meg at temperaturen stiger til de store høyder når vi drøfter dette tross alt begrensede endringsforslaget. Arbeiderpartiet bruker storparten av tida til å snakke om hvordan vi kan legge begrensninger for de 3 pst. av elevene i grunnskolen og 7 pst. av elevene i den videregående skole som går på en friskole, å legge til rette for dem som av en eller annen grunn ikke finner det tilbudet de trenger i fellesskolen. Representanten Aasen problematiserer bruken av hennes sitat i Klassekampen tidligere i år, der hun sier: «Vi i Arbeiderpartiet er ikke imot privatskoler. Vi har tvert imot inngått et forlik med KrF om at det skal være mulig å starte privatskoler, og vi mener disse skolene bidrar til at norsk skole blir bedre». Det kan så være, men når vi har hørt representanten Martin Henriksens innlegg tidligere i dag, blir budskapet uklart, og da må Arbeiderpartiet også tåle at det stilles spørsmål ved hvor man står i friskoledebatten. Har en skiftet standpunkt eller står en ved det en tidligere har sagt og gjort? Formålsbestemmelsene kan gi urimelige utslag som det er vanskelig å forsvare, og det er det vi ønsker å gjøre noe med i denne lovendringen. Til representanten Christian Tynning Bjørnø: Regjeringen abdiserer ikke skolepolitikken. Skal vi realisere kunnskapsnasjonen Norge, må det være rom for noe variasjon i skoletilbudet, og det er det det

«Det er størrelse og perspektiv på dette. Norge skal bli verdensledende på offshore vind.» Næringsminister Giske var ikke snau han heller: «Det er noen ganger i politikken man føler man er med på noe som er virkelig retningsgivende. Norge skal være med på det neste store industrieventyret til havs.» Stortingets behandling av klimameldingen i 2008 hadde fyrt av startskuddet for en norsk havvindsatsing. Det skulle satses på havvindforskning, utarbeides juridisk rammeverk og lages en havvindstrategi. Det ble etablert forskningssentre for miljøvennlig energi og finansiert pilotprosjekter gjennom Enova. 735 mill. kr er ifølge informasjon fra statsråd Lien brukt til forskning osv. på havvind siden 2008. I 2010 la NVE fram rapporten Havvind – forslag til utredningsområder. Der ble det gjort en konsekvensutredning om åpning av havvindområder for konsesjonssøknader. De to konkrete norske demoprosjektene for offshore havvind, Sway og Hywind, prøvde ut banebrytende teknologi og tiltrakk seg stor internasjonal oppmerksomhet. Det juridiske rammeverket for havvind kom på plass gjennom havvindloven i 2010. Men så løyet det brått i havvindpolitikken. Etter halvannet år trakk General Electric seg ut igjen. Begrunnelsen var mangel på hjemmemarked for havvind i Norge. Tildelingen av prosjekter i åpnede havvindområder stoppet opp, havvindstrategien er ikke laget, Sway er avviklet – eller iallfall under salg og en eller annen form for omsetning – og Statoils Hywind hører vi knapt om. Statoil signaliserer at de ikke har noen spesielle satsingsplaner der. Forskningssentrene begynner å signalisere tegn til forvitring. Fravær av politisk prioritering og forutsigbare rammevilkår for havvindsatsing for næringslivet fører naturlig nok til at både forskere og investorer spør seg om det er verdt å satse. En forklaring på at havvindsatsingen i Norge har stagnert, er at den eneste viktige fornybarsatsingen vi har hatt i Norge de siste årene, er fullstendig motproduktiv når det gjelder havvind. De teknologinøytrale grønne sertifikatene gir subsidiene til den eldste og billigste teknologien, nemlig vannkraft. Havvind er den store taperen og får ingenting. De grønne sertifikatene har dessverre blitt en politisk sovepute som har svekket utviklingen av nye, fornybare teknologier kraftig. En annen forklaring er selvfølgelig høykonjunkturen i oljeindustrien. Pengene følger satsing og rammevilkår. Det er tildelt konsesjoner, f.eks. havvindkonsesjoner utenfor Møre og Romsdal, på Havsul, men det prosjektet mangler finansiering. Vi er i en situasjon som begynner å minne bekymringsfullt mye om utviklingen i karbonfangstprosjektet på Mongstad: først store visjoner og stor satsing, og så lekker lufta stille ut av ballongen. Derfor haster det med en politisk avklaring. Internasjonalt skjer havvindsatsingen nå. Det er allerede bygd ut mer enn 6 GW havvind i Europa, 50 GW er planlagt innen 2020, Kina planlegger 30 GW innen 2020, osv. Dette skjer, men stadig større deler av norsk politikk og næringsliv uttrykker bekymring for ensidig oljeavhengighet. De fleste – om ikke samtlige – partier sier at den store satsingen på neste generasjons bærekraftig norsk næringsliv må i gang. Det er vel ikke særlig diskutabelt at denne utviklingen av et næringsliv som skal sikre norsk livskvalitet om 20 og 50 år, faktisk må innebære aktiv politisk prioritering av nye løsninger, betydelig økonomisk satsing, reell risikovilje når nye løsninger skal prøves ut og vilje til å lage forutsigbare rammevilkår som gjør det meningsfullt for næringsliv og forskning å satse. Skal vi utvikle en næringspolitikk for havvind, må vi ville det. Det kommer helt sikkert ikke til å skje av seg selv. Med den banebrytende elektrifiseringen vi får på Utsira, som vedtas i Stortinget om et øyeblikk – eller om en stund – i dag, åpner det seg plutselig helt nye muligheter for å tenke havvindsatsing. Miljøpartiet De Grønne fremmer derfor denne interpellasjonen for å utfordre olje- og energiministeren og Stortinget til å gripe denne muligheten, enten gjennom en ambisiøs og forpliktende satsing på havvindutvikling knyttet direkte til Utsirahøyden, eller gjennom bedre alternativer, hvis de finnes. Uansett er Utsira-vedtaket vi nå skal gjøre, en mulighet vi må bruke. Vil vi noe med havvind i Norge, eller skal også denne fornybarteknologien støve ned i en skuff sammen med bølgekraft og andre forspilte muligheter? Vi har visst lenge at Norge rår over de beste havvindressursene i Europa, vi har visst lenge at Norge har forutsetninger og et industrielt behov som gjør havvind til et naturlig område i hvert fall å utforske, og sannsynligvis satse på. Vi har visst lenge at det tekniske potensialet for norsk havvind er i og at det kommersielle potensialet i hvert fall ligger rundt 300 TWh. NVE har anbefalt å se på 10 pst. av det, altså rundt 30 TWh – selv det er et stort tall. I dag tar Stortinget lærdom av Mongstad. Det gode ved Mongstad var politisk og økonomisk satsingsvilje, det dårlige var uvilje mot reell forpliktelse og faktisk vedtar Stortinget konkrete og forpliktende føringer som sikrer at elektrifisering blir gjennomført selv om det har kostnader. Denne lærdommen må vi nå ta videre til norsk havvindsatsing. NVE har trukket fram Utsira som et av de mest lovende havvindfeltene. Forskere ved Chr. Michelsens institutt mener det er mulig å realisere en testvindpark på Utsira allerede innen 2022, NTNU har presentert lignende løsninger, og Statoil har signalisert at noe slikt er teknisk gjennomførbart. Utsira-området får nå en infrastruktur med kabler og andre installasjoner. Det er nettopp mangler som dette som hittil har vært en årsak og en viktig begrunnelse for manglende havvindsatsing. På Utsira-feltet finnes det potensielle kjøpere av kraft, og en havvindpark ved Utsirahøyden kan dermed bli det første knutepunktet i en framtidig fornybar infrastruktur til havs i Norge. En slik løsning kan også, i hvert fall til en viss grad, gjøre virkelighet av de stadige løftene om at norsk oljeteknologi skal være plattform og fødselshjelper for framtidas energiproduksjon og fornybar infrastruktur. Miljøpartiet De Grønne ber derfor regjeringen benytte den forskningen som er produsert ved hjelp av store bevilgninger, til å utrede en pilotpark for havvind og energilagring på Utsirahøyden. Pilotparken bør brukes til å utvikle en teknologi, identifisere og løse utfordringer og å åpne nye muligheter for bedrifter, som i dag leverer til oljeindustrien. En testpark vil selvfølgelig også kunne fungere som et utstillingsvindu med tanke på teknologieksport senere. Et annet alternativ som man også må se nærmere på, er selvfølgelig å bruke modellen fra det tyske Energiewende, med innmatnings- eller feed-in-tariffer. Havvind kommer til å være dyrt en god stund før det blir billig. Sånn var det også med landvind, sånn var det med sol og sånn er det med all annen ny teknologi. De tyske feed-in-tariffene har altså produsert, som vi nå vet, flere hundre tusen jobber, 50 GW ny kapasitet og fått prisene på vind, og særlig sol, dramatisk ned. Norge kan tenke tilsvarende når det gjelder havvind. Hvis Norge noen gang skal finne ut om havvind har en framtid, må vi gjøre det nå. Vi må avklare om vi vil bruke mulighetene som elektrifisering av Utsira vil by på, eller om det finnes enda bedre løsninger. Svarer vi nei til begge deler, er det vanskelig å se at det er noen vei framover for havvindkraft i Norge. Det er liten grunn til å tro at det plutselig skulle oppstå nyere og bedre muligheter i en eller annen ukjent framtid hvis vi ikke holder koken. Ikke bare vil det å la være å bruke Utsira-muligheten være et problem for videre satsing på norsk havvind, det er også fare for at vi dermed vil dra teppet vekk under resten av den videre utviklingen av all norsk vindkraft fordi det vil være veldig få perspektiver igjen etter 2020 ved utgangen av den grønne sertifikat-ordningen. Havvind i Norge, kombinert med økt overføringskapasitet for kraft, kan bli et næringspolitisk kinderegg i Norge. Vi kan bidra ytterligere til utfasing av fossil energibruk og klimagassutslipp i Norge. Vi kan bidra til økt fornybarandel i Europa og skape arbeidsplasser, og det er liten tvil om at havvind før eller senere må bli en viktig del av fornybare kraftsystemer. Vi er kjent med at den kommende reviderte strategien for klimavennlig energiteknologi, som jeg tror statsråden skal motta denne måneden, antas å ville anbefale en eller annen form for testpark for havvind. Det er i så fall lovende. Spørsmålet er nå hvordan regjeringen vil ta disse havvindmulighetene videre, og om det – for å gå tilbake til Riis-Johansen og Giske – blir størrelse og perspektiv på norsk havvindsatsing. Takk til representanten Hansson for et godt innlegg. er nå en gang slik at selv om det er riktig at vindforholdene i Norge, også på sokkelen, er gode – og det er ikke minst også forholdsvis mye havareal å ta av så er det, som representanten Hansson peker på, veldig store kostnader knyttet til utvikling av vindkraft til havs – vesentlig høyere enn til vind på land og selvfølgelig veldig mye høyere enn til vannkraften. Noe vi har med oss, er nettopp vannkraften. Norge skiller seg fra andre land i Europa og resten av verden ved at vi har nesten utelukkende fornybar kraftproduksjon i vårt energisystem. Den er i all hovedsak hentet fra våre store, verdifulle vannressurser, som i stor grad ikke bare gir fornybar kraft, men også regulerbar kraft i tillegg til gode vindressurser på land. Andre land i Europa og resten av verden har en betydelig andel fossil energiproduksjon, som på sikt skal erstattes med fornybare og utslippsfrie energikilder. Flere av disse landene har begrenset mulighet til å bygge ut fornybar kraftproduksjon på land og har derfor innført støtteordninger for havvind i et sånt omfang at utbyggingen faktisk blir realisert. Dette har man bl.a. gjort for å oppfylle kravene fra Brussel og EU i det såkalte fornybardirektivet. Dette har bidratt til svært store kostnadsøkninger for europeiske strømbrukere. I Norge gjenstår et stort potensial for landbasert kraftutbygging i form av både vann- og vindkraft, som vil være langt billigere å bygge ut enn havvind med den teknologien vi kjenner til i dag. Gjennom sertifikatsystemet med Sverige er det lagt til rette for en betydelig utbygging av fornybar kraftproduksjon fram mot 2020. Jeg ser det ikke som realistisk at kommersielle havvindprosjekter i norske havområder kan realiseres innenfor rammen av sertifikatsystemet. Hvorvidt det er realistisk med vindkraft i norske havområder i et ti til tjue års perspektiv, vil ikke minst avhenge av framtidige kraftpriser, men også av teknologi og kostnadsutvikling. Et viktig arbeid for å legge til rette for havenergi på sikt er allerede gjort, som representanten Hansson var inne på, gjennom havenergiloven, som trådte i kraft 1. juli 2010. Av loven framgår det at etablering av fornybar energiproduksjon til havs kun kan skje etter at staten har åpnet bestemte områder for søknader om konsesjon. For å kunne åpne et område for vindkraft må det etter havenergiloven også gjennomføres en strategisk konsekvensutredning. Et viktig formål bak arbeidet med havenergiloven var å legge rammebetingelsene i god tid før eventuell utbygging og å ha kontroll med Som oppfølging av loven ble det først satt ned en direktoratsgruppe, ledet av NVE. Den foretok en grovsiling av norske havområder og pekte ut 15 områder som kunne være aktuelle for vindkraft til havs. I 2011 startet NVE opp et videre arbeid med å utrede de 15 områdene som var utpekt av konsekvensutredningen ble overlevert departementet i januar 2013 og ble sendt på høring våren 2013. Regjeringen tar, som komiteen og Stortinget vil være kjent med, sikte på å legge fram en stortingsmelding om energipolitikken. I en langsiktig, helhetlig strategi for energipolitikken vil det være naturlig å inkludere vurderinger av vindkraft til havs. Siden jeg ikke vurderer det som realistisk med utbygging av vindkraft til havs i større, industriell skala de nærmeste årene, vil jeg komme tilbake til spørsmålet om åpning av områder i forbindelse med energimeldingsarbeidet. Så snakket representanten Hansson mye om forskning, utvikling og demonstrasjon. Da har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på at det i havenergiloven departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene om åpning av areal ved tilrettelegging for demonstrasjons- og pilotprosjekter. Det vil altså si at det kan gis konsesjon til mindre prosjekter til havs uten at områdene har gått gjennom en strategisk konsekvensutredning. Det ville selvfølgelig være aktuelt i forbindelse med pilot- og er det slik at Enova er et annet viktig verktøy for å stimulere til en målrettet omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Enova tilbyr investeringsstøtte til fullskala demonstrasjonsprosjekter under reelle driftsforhold. Prosjekter innenfor fornybar kraftproduksjon, herunder havvindprosjekter, kan søke Enova om støtte. Så representanten Hansson at havvind ikke har nytte av grønne sertifikater. Det er selvfølgelig ikke riktig. Det er derimot riktig, som representanten Hansson sa innledningsvis, at den grønne sertifikatordningen er teknologinøytral og vil selvfølgelig også gi støtte til havvind gjennom den ordningen. Regjeringen har i sin plattform også sagt at den vil satse på forskning på fornybare energikilder. Dette inkluderer selvfølgelig vindkraft til havs. Norge har sterke fagmiljøer. Den norske kompetansen på petroleumsaktivitet offshore samt maritim virksomhet gir gode forutsetninger for norsk næringsliv på det internasjonale markedet for havvind. At havvind siden 2011 har vært et av seks prioriterte områder i Energi21 – den nasjonale FoU-strategien på energiområdet – gjenspeiler dette. Forskning og teknologiutvikling bidrar til økt kostnadseffektivitet, bedre teknologiske løsninger og en styrket norsk konkurransekraft på området. Norske miljøer har særlig fortrinn innen utvikling av forbedrede løsninger for installasjon og fundamentering av turbiner til havs samt innen effektive drifts- og vedlikeholdssystemer. Prosjekter innenfor temaet vindkraft til havs har derfor fått god uttelling i konkurransen om offentlige forskningsbevilgninger. Disse midlene har i hovedsak gått gjennom forskningsprogrammet ENERGIX i tillegg til de to forskningssentrene for miljøvennlig energi – FME-ene – innen havvind som heter Norcowe og Nowitech. Forskningsrådet ga i 2013 forskningsstøtte til et bredt spekter Disse omfatter både videreutvikling av flytende betongplattformer for vindturbiner, modellering av vind og bølger og undervanns pumpekraftverk som kan tilknyttes vindparker til havs. Dagens situasjon tilsier at kommersiell vindkraft til havs i Norge ikke er realistisk på kort sikt. Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å åpne arealer nå. I den kommende om energipolitikken vil det være naturlig å vurdere denne politikken også. Samtidig arbeider vi med sikte på å finne løsninger som kan øke mulighetene til å utnytte vindressursene til havs. I dag kan det søkes om støtte fra Enova til fullskala demo. Regjeringen vil også satse på forskning for å få ned kostnadene, og det er etablert gode forskningsmiljøer for havvindrelaterte prosjekter.

at regjeringen ikke har noen planer om selv å foreta seg noe aktivt for å legge til rette for konkret vindkraftsatsing til havs utover forskning. Er det noe vi har lært i løpet av de siste 20 åra, er det at utvikling av ny klima- og miljøvennlig teknologi ikke kommer av seg selv. Og den kommer ikke ut av forskningslaboratoriene uten at det skjer noe mer enn forskning. Det som gjør forskjellen, er hvorvidt det bygges opp markeder hvor det kan produseres store nok volumer av denne teknologien til at man får erfaring, får effektivitet, får etterspørsel og begynner å få prisene ned. ikke minst elbiler, som vi har et godt eksempel med her hjemme. Det vi hører fra regjeringen, er med andre ord en forventning om at det nå skal gå en lang periode uten aktive tiltak og uten satsing fra regjeringens side på å få flyttet havvindkunnskapen ut av de laboratoriene hvor den har vært ganske lenge, og ut til praktisk bruk hvor man kan begynne prosessen med kommersialisering, som vil være like nødvendig og like tung om 20 år som den vil bli nå. Så spørsmålene jeg må stille statsråden, er: Har regjeringen en forventning om at det vil være mye lettere å få havvind kommersielt hvis vi venter en stund – en eller annen udefinert tidsperiode – som regjeringen, så vidt jeg forstår, legger opp til? For det andre: Mener regjeringen det er hensiktsmessig at den store satsingen, som nå har vært gjort siden 2008, skal fortsette uten et nytt trinn – uten en ny fase – inntil et eller annet skjer som gjør at man satser på å få havvind bokstavelig talt til havs? For det tredje: Hvordan ser statsråden på Norges rolle i en periode hvor andre land faktisk satser kommersielt og praktisk på å få havvind til å gå, mens vi ikke gjør det? Jeg har lyst til å si en ting først – om hundrevis av millioner. Det er i regi av Norges forskningsråd brukt 364 mill. kr på havvindforskning. Enova har brukt 245 mill. kr og Innovasjon Norge 126 mill. kr. Så for det første: Det gjøres noe hele tiden. Dette er jo tall fra 2008 og fram til i dag. Myndighetene gjør noe på dette området. Jeg har også lyst til å kommentere betraktningen om at dette er forskningsresultater som blir på laboratoriet. Det er jeg ikke enig i. For det første er det mye generisk kompetanse her som i dag brukes på landbaserte vindkraftprosjekter i Norge. Det er det ene, og det andre er at dette er teknologi som tas i bruk i de landene man har valgt andre subsidiesystemer enn vi har gjort, i Storbritannia. Denne kunnskapen brukes i dag til å produsere ny, fornybar energi, og den brukes også av norske selskaper i utlandet. Så det synes jeg vi må ha med oss i denne settingen. Jeg vet at Miljøpartiet De Grønne ikke har vært med på å gjøre disse vedtakene i Stortinget, men det er et enstemmig storting som har sluttet seg til prinsippene om de grønne sertifikatene – om å lage et støttesystem som er teknologinøytralt og markedsbasert. Det har det ikke bare vært flertall for i denne sal. Det har vært enstemmighet rundt de prinsippene. Det er nettopp for å sørge for at vi skal få mest mulig kraft ut av de midlene vi bruker, for jeg tror vi er enig om at det er ved å redusere bruken av fossilt basert kraft og øke bruken av fornybar kraft vi faktisk bidrar til å redusere CO2-utslippene fra den europeiske energimiksen. Så til spørsmålet om det vil lønne seg å vente: Ja, det synes jeg representanten Hansson selv på en glimrende måte illustrerte. Det er åpenbart at det vil lønne seg å vente. Det er mye billigere med sol i dag, nettopp pga. de forholdene som representanten Hanssen selv trakk opp. Og det er mye billigere å bygge vindkraftverk i dag enn det var for noen få år siden. Selvfølgelig vil det være tilfelle også for havvind. Så lenge det utvikles prosjekter og man får industriell erfaring med å bygge havvind, vil det selvfølgelig bli billigere å gjøre dette også i Norge. Så synes jeg på en måte også at representanten Hansson er litt urimelig. Jeg har for det første sagt hva vi gjør innen forskning. Det er også systemer i dag som gir mulighet for støtte til demonstrasjonsprosjekter og pilotprosjekter på Representanten Hansson reflekterer en utålmodighet som vi også møter mange andre steder utenfor det politiske miljø, spesielt i de miljøene som jobber prisverdig for å få fram gode teknologier for energiproduksjon, enten det er vindkraft generelt, havvind eller andre teknologier som det jobbes med. Det er åpenbart et stort teknisk potensial i norske farvann for vindkraft til havs. Globalt er det stort potensial for dette, og det blir sett på som en stor og viktig energiressurs for framtiden. Problemet ligger selvfølgelig i kostnadene. Det er en av de aller dyreste fornybarteknologier per i dag. Det er faktisk også en teknologi som har blitt dyrere de siste årene, i motsetning til all annen teknologi som blir billigere. Så er spørsmålet: Hvorfor får vi ikke gjort noe med det, og hva kan vi gjøre med det? Jeg synes statsråden har redegjort glimrende for hva vi gjør med det. Jeg mener det norske politiske miljøet, og som statsråden selv poengterte, er det tverrpolitisk vilje bak dette, har satset på grønne sertifikater, på havvindloven og det arbeidet som ble gjort i den retningen, og det har blitt gitt betydelig forskningsstøtte til utviklingen av denne teknologien. Det er ikke noe hjemmemarked for denne teknologien i Norge – nei, det er ikke det. Vi er i den situasjonen at vi har nær 100 pst. av vår kraftproduksjon basert på fornybare kilder. Vi styrer mot et kraftoverskudd i Norden. Det er ikke sånn at vi har et desperat behov for denne fornybare energien for å konvertere fra fossil til Det har andre land, og andre land satser også mer på havvind – i den enkleste formen foreløpig. Jeg vil også tro at det etter hvert vil komme flytende havvindanlegg på kommersiell basis andre steder, betalt med feed-in derfra. Da synes jeg det er viktig at norsk teknologi også blir brukt der. Vi ser i dag at norsk teknologi blir i andre europeiske land. Norske selskaper er inne og produserer deler til havvind. Norske selskaper er inne og eier og driver – Statoil og Statkraft er inne på Sheringham Shoal i England. Man skal også fatte investeringsbeslutning når det gjelder Doggerbank, som kan blir Europas største havvindanlegg i framtiden. Det er bra, for da bruker man den teknologien og den kompetansen som man har fra norsk offshore-, olje- og gassvirksomhet, og man tjener penger på det. Det er også en vesentlig sak i det. Men når disse landene bruker penger på havvind, er ikke det først og fremst ut fra en teknologisk betraktning. Det er ut fra at man må ha fornybar energi inn for å erstatte fossil energi. Det er veldig bra. Totalt sett mener jeg at klimapolitikken både nasjonalt og globalt er best tjent med at vi går for de rimeligste løsningene så langt som det går, for å oppnå det som er målet, nemlig å få ned klimagassutslippene. Dersom vi i Norge skal bruke masse penger på å produsere en energi som vi allerede har overskudd av, og så selge den videre til Europa, hvilket det ikke er noen automatikk i at vi får til heller, er det dårlig bruk av ressurser som vi heller kunne satt inn på langt mer givende prosjekter som gir større klimagevinst. forskning og utvikling på dette, og jeg hører med interesse på de planene som har vært om demoparker for å teste ut ny teknologi. Jeg er enig med representanten Hansson i at det kan være et godt utstillingsvindu for norsk teknologi, men at havvind i overskuelig framtid vil spille noen rolle i norsk energiforsyning, har jeg veldig liten tro på. Men jeg har tro på at norske selskaper kan spille en stor rolle i teknologiutviklingen og styring, drift og eierskap i denne typen prosjekter andre steder, hvor det er behov for den energien. Jeg tror at det er den beste måten å tenke på denne typen teknologi på i framtiden fra Norges side. Jeg må først få si at jeg er enig i veldig mye av det den forrige representanten

er imidlertid situasjonen at Norge styrer mot et betydelig kraftoverskudd, kraftprisene er historisk lave, utbyttene fra kraftselskapene reduseres eller uteblir. Eierne av kraftselskapene, som stort sett er offentlige, merker at inntektsstrømmen reduseres. Svært mange kraftselskap opplever at det ikke er økonomi i å bygge ut ny kraft, til tross for elsertifikatmarkedet. I denne situasjonen er det ikke aktuelt å satse på utbygging av storskala vindparker til havs. I stedet må vi gjøre mer for å anvende kraften vi allerede har. Det gjør vi best gjennom å erstatte fossil energi med fornybar energi der det er mulig og hensiktsmessig, gjennom å legge til rette for mer eksport av kraft i fast form, dvs. miljøvennlig industriproduksjon, og ved å bygge flere mellomlandsforbindelser der det er lønnsomt. Dette vil bidra til mer forutsigbare kraftpriser og et bedre klimaregnskap både hjemme og i våre europeiske naboland. Vi bør imidlertid fortsette å støtte piloter og demonstrasjonsanlegg for havvind og legge til rette for at norsk kompetanse fra olje- og gassektoren kommer til nytte i videreutviklingen av havvindteknologi. Det kan både gjøre det mulig for norsk leverandørindustri og norske teknologimiljøer å delta i utbyggingen av havvindprosjekter i andre land, der rammevilkårene og kraftsituasjonen er annerledes enn i Norge, og det kan bidra til å gjøre havvind mer konkurransedyktig i Norge Det er dyrt nok å redde verden som det er, om ikke vi skal satse på storstilt utbygging av havvind nå. Det stemmer, som interpellanten er inne på, at vi har gode vindforhold i norske farvatn, og at havområda dekkjer store areal som ein kunne brukt. Og ja, der er mange næringsmiljø som peiker på moglegheitene som ligg i havvindressursane og ønskjer å delta i næringssamanheng i denne aktiviteten. Men når same næringsmiljø blir spurt om å kjøpe krafta til kostpris, er forstår ein – vi ser i dag at det er låg pris på kraft, og vi er på veg mot eit kraftoverskot, som fleire har vore inne på. Kostnadane for vindkraft til havs er nemleg vesentleg høgare enn for vindkraft og vasskraft på land. Dagens situasjon tilseier derfor at kommersiell vindkraft til havs i Noreg ikkje er realistisk verken på kort eller mellomlang sikt. Forsking og utvikling for å få ned kostnadane er heilt nødvendig, og heldigvis er det etablert gode forskingsmiljø òg på havvindrelaterte prosjekt. I stortingsmeldinga om energipolitikken vil det vere naturleg å vurdere politikken òg på dette området i ein overordna kontekst. Men når det er sagt, er det òg andre fortrinn som legg føringar for kvar det er fornuftig å satse. Noreg skil seg frå andre europeiske land ved at så godt som all kraftproduksjon er fornybar. Vi har verdifulle vassressursar som òg er regulerbare og gode vindressursar på land. Så det er først og fremst der vi må satse vidare, og det gjer denne regjeringa. Europa og andre energikrevjande regionar har andre utfordringar og vil nok i større grad ha behov for å sjå på energiproduksjon òg til havs som Til slutt nokre ord om petroleumssektoren som Miljøpartiet Dei Grøne ønskjer å fjerne. Nettopp denne sektoren har vore avgjerande på å utvikle teknologi som er avgjerande for havvindsatsinga så vel som innanfor samferdselssektoren, der mange prosjekt no blir lanserte for å løyse fjordkryssingar og andre utfordringar. Det viser at ting heng saman, og ein kan ikkje sjå bort frå det eine utan at det går ut over andre ting ein i utgangspunktet ikkje såg. Takk til interpellanten som løfter dette temaet og klart viser til den utålmodigheten og den gryende pessimismen som er i havvindmiljøet. Vi har det juridiske rammeverket klart, forsknings- og kompetansemiljøene er der, og jeg har forventninger til at statsråden løfter dette videre i arbeidet med kommende energimelding. Oljen i Nordsjøen har gitt oss enorme verdier og bidratt sterkt til utviklinga av vårt velferdssamfunn. Det er det grunn til å være takknemlig for. Samtidig ser vi at oljeressursene skaper store utfordringer. av olje og andre fossile energikilder er med på å ødelegge for klimaet på kloden gjennom å bidra sterkt til global oppvarming. Derfor er det ikke ønskelig at alt tas opp, og at alt skal brukes. Bruk av fossil energi står for om lag 70 pst. av klimagassutslippene globalt, samtidig øker etterspørselen og bruken av energi i verden i takt med folketallet og bedret levestandard. Økt produksjon av fornybar energi vil derfor være et viktig bidrag til bedre miljø globalt. Det må investeres over 900 mill. dollar årlig for å nå togradersmålet. Havvindkraft vil derfor kunne gi et betydelig tilskudd til den fornybare energien som produseres, også her i Norge. Derfor er det viktig at ikke investeringene nå stopper opp. Det er en alvorlig problemstilling som interpellanten reiser, som tidligere nevnt, at den store optimismen i havvindmiljøene er blitt snudd til pessimisme. Dessverre er ikke situasjonen unik for Norge. Flere land har allerede satset betydelig på utvikling av havenergi, og da spesielt på offshore vindmøller som faste installasjoner relativt små dyp. Men finanskrisen har bremset utbygginga av havvindmøller over hele verden. Det er vanskelig å forutbestemme fremtida, men jeg har et håp om at dagens fossile energiproduksjon på sikt blir erstattet av fornybar, også i Nordsjøen, og at dagens oljeinstallasjoner i Nordsjøen om en del år – kanskje blir det mange kan bli erstattet av vindmøller og andre fornybare energiteknologier. Satsing på havbasert fornybar energi vil representere muligheter for norske bedrifter og kompetansemiljøer. Det globale markedet for vindkraft til havs vil kunne øke raskt. Dette kan norske bedrifter bli en del av. Vi har allerede betydelig kompetanse fra petroleumsvirksomhet til havs og kraftproduksjon på land, og vi har i aller høyeste grad mye havvind, noe som samlet kan gi unike muligheter også innen fornybar energiproduksjon til havs. Norge har i dag en viktig posisjon som energileverandør til Europa. Ved å satse ytterligere på energiproduksjon, vil vi videreutvikle Norges rolle som
Neste taler er representanten

dit. Det som gjør det så fascinerende, er denne koblingen mellom de rike naturressursene som dette landet sitter på, også når det gjelder fornybare energiressurser, og teknologi. Den koblingen har vist seg veldig god for Norge i mange sammenhenger. Olje- og gassnæringen er fundert på det samme, maritim næring er fundert på det samme, sjømatnæringen er også fundert på det samme, og jeg tror at også utvikling og det å ta i bruk fornybar energi kommer til å være koblet nettopp mellom teknologi og naturressurs. Det har Norge også gjort på en god måte, i den forstand at vi har klart å få til klynger av både forskning, utvikling og teknologi knyttet til disse industrigrenene. Det bør vi også ha som ambisjon å gjøre på både onshore og offshore vindkraft, og det bør vi også ha som ambisjon å gjøre på andre fornybare energikilder. Men jeg tror nok at vi skal erkjenne at det er en lang veg å gå. Det bør imidlertid ikke hindre at regjeringen i den varslede energimeldingen, som en har sagt skal legges fram, kommer tilbake og gir en bred omtale når det gjelder teknologiutviklingen knyttet til havvind, men også mulighetene for å klarlegge ambisjonene vi kan ha, og også den strategien vi bør følge framover. Så jeg er glad for at statsråden sier at dette vil bli tatt opp i energimeldingen, og jeg tror at spørsmålet om åpning av areal, men også spørsmålet om demonstrasjonsteknologi, og også den videre retning og strategi, er ganske viktig i så måte. Jeg tror at en er nødt til å erkjenne to ting. Det ene er at jeg syns det er uheldig, som jeg følte at interpellanten var inne på, å sette ulike fornybare energikilder opp mot hverandre. Jeg mener at det er bra at en bygger ut småkraft, jeg mener at det er bra at en bygger ut vindkraft på land, jeg mener en bør bygge ut mer solkraft i Norge, og så mener jeg også at en bør satse videre på havvind. Men vi må erkjenne at en del av de andre teknologiene er billigere og har kommet lenger enn det havvind har gjort. De vil bli bygd ut først, men Norge som fornybarnasjon i framtida, bør ha som mål å kunne satse på alle disse områdene. Det som stopper oss i dag, er, som mange har vært inne på, først og fremst at vi har et kraftmarked med svært lave kraftpriser, og at vi i årene framover kommer til å ha et kraftoverskudd som kan holde prisene nede, og som gjør at de som vil investere i dette, vegrer seg for å gjøre de investeringene. Da er det viktig for oss at vi diskuterer gjennom og anvendelsesmulighetene for fornybar kraft i Norge. Det er jo nettopp det vi skal ta med når vi skal diskutere elektrifiseringen av Utsirahøyden senere i dag. Men vi burde også diskutere om det er andre anvendelsesmuligheter for norsk fornybar energi, som vil være klimamessig svært viktig, men som også kan medføre at en får en større fart i utviklingen av fornybare energikilder. Det kan være industriell utvikling, industrielle anvendelsesområder, eller det kan være eksport av fornybar energi til land omkring oss. Sjøl om dette er en interpellasjon helt konkret om havvind, må jeg likevel i denne sammenhengen få lov til å nevne at jeg nesten syns det som nå skjer med vindkraft på land, er mer presserende. Der må vi i gang i løpet av de neste seks årene, der må vi komme oss innenfor det grønne sertifikatmarkedet, og der må vi unngå at det blir Sverige som bygger ut fornybar energi med en teknologi som vi i Norge har alle forutsetninger for å ha, og der vi også har naturgitte forutsetninger gjennom gode vindforhold. Det faktisk å få de konsesjonene som er gitt på landbasert kraft, de utbyggerne som skal investere der, trygge på at de investeringene er mulige og lønnsomme. Det er den utfordringen som regjeringen og statsråden i første omgang bør ta tak i. Så bør de i energimeldingen komme tilbake til og legge til rette for en bredere diskusjon også om framtidig mål og strategi når det gjelder Jeg vil også først begynne med å takke interpellanten for en veldig interessant interpellasjon, og også takke for en interessant diskusjon og debatt om temaet havvind, hvor det er helt riktig, som man sier, at det ikke er noen endring – hvor det står stille. Først vil jeg slå fast at jeg mener det ikke kan være noen tvil om at det er i sterk norsk egeninteresse at vi er med på å utvikle havvind, ikke først og fremst fordi vi trenger havvindkraften i Norge – her har vi nok fornybar energi – men fordi dette er et område hvor vi virkelig kan bruke den kompetansen som er bygget innenfor petroleumsnæringen, til å utvikle og utnytte den i en annen næring. Det satses mye på havvind i Storbritannia, og det satses mye på havvind i Japan. Det er klart at det er viktig at Norge er med på den satsingen, som en mulighet for norsk industri, og da må vi også bygge opp de rammevilkårene som gjør at det er mulig. Så er det riktig, som representanten Arnstad påpekte, at det ikke bare er til havs vi har et problem, det er også på land. Det står stille også når det gjelder utvikling av vindkraft på land. Der trenger vi å gjøre Det er ikke vanskelig, og det er ikke fordi det er motstand mot vindkraft – det er det enkelte steder. Grunnen til at det ikke bygges ut, er altså ikke motstand, det er ganske enkelt fordi det er mer lønnsomt i Sverige. Da må vi endre avskrivningsreglene, sånn at det blir likere konkurransevilkår, og vi må lage en større fleksibilitet opp mot sluttpunktet for de grønne sertifikatene i 2020, sånn at vi får muligheten til å få den utviklingen også i Norge. Så er det, som flere har pekt på, klart at vi har mange støtteordninger for å drive forskning på havvind. Det må forsterkes. Vi har også støtteordninger for å få opp demonstrasjonsprosjekter på havvind. Det bør også forsterkes. Dette handler i veldig stor grad om hvor stor vilje man har til å bruke de nødvendige ressursene for å dra opp og det er definitivt noe som vi i Venstre kommer til å komme tilbake til når vi skal gå inn på de prioriteringene man gjør i framtidige budsjetter i årene framover. Dette gjelder heller ikke bare havvind; det gjelder også bølgekraft, det gjelder kraft fra tidevann – det er mange områder hvor vi trenger å utvikle ny teknologi, hvor vi må se mulighetene i et langsiktig perspektiv, ikke minst for norsk industri, og i en situasjon hvor grønne sertifikater eller markedet alene ikke vil være nok for å få i gang denne produksjonen. Men så synes jeg det er interessant at man også skal se på hvilke områder – hvordan man kan strekke seg – hvor det kan finnes et marked for havvind. Det er når en kobler havvind med olje- og gassproduksjon. Det er klart at gir en de samme rammevilkårene for vindkraft til havs som en har for annen energiproduksjon til havs – med de samme avskrivningsreglene, med de samme rammebetingelsene – nærmer en seg det som vil kunne være et marked, og med på å elektrifisere plattformer med havvind og med en avtale som knytter den havvindproduksjonen direkte til en elektrifisering av offshorenæringen. Jeg sier ikke at det er nok til å dra opp en utvikling, men det vil i hvert fall være med på å gjøre det enklere. Og en kan strekke seg mot de første stedene, hvor en kan få – nettopp det også statsråden etterlyser – en kommersiell utvikling av havvind også i Norge. Jeg synes sammenligningen med elbilen, som er dratt fram av interpellanten, Rasmus Hansson, er et godt eksempel. Man laget et rammeverk, som man var veldig tidlig ute med, sett i forhold til det man kunne oppnå. Slik er det også med havvind – vi er veldig tidlig ute, vi må bruke mye ressurser på forskning, vi må bruke mye ressurser på å utvikle teknologien og få opp demonstrasjonsprosjektene. Men samtidig trenger vi også å være kreative – lage et rammeverk som gjør at man kan strekke seg for å få på plass de første kommersielle havvindprosjektene. Da å ha en likebehandling av energiproduksjon med havvind som annen energiproduksjon offshore

Jeg føler behov for å pumpe litt kaldt sjøvann inn i saken og si noen ord, komme med noen betraktninger – fra en fisker til representantene. Det er veldig bra at vi har forskning på dette. Vi har sett på og fått utviklet en del alternative løsninger, vi har fått bedre teknologi og bedre effektivitet. Vindmøller til sjøs kombinert med olje- og gassproduksjon kan, som forrige taler nevnte, være en god tanke, en god løsning. Vi kommer ikke forbi at vi strever imot òg i naturen. Havet er sterkest. Det er mange flere krefter som råder der. Vi har korrosjon, vi har vind, vi har bårer – eller bølger, som noen sier – vi har salt, og vi har strøm, altså forflytning av tidevann. Dette er svære krefter. Det ser vi som lever på havet. Det er mye mer kostnader ved det enn ved anlegg som er plassert på land. Vi vet også at det er veldig mye kostnader knyttet til de vindkraftverkene som er i de områdene der det er veldig mye byger, der det er veksling i vind. Det er en kjent sak at fiskerne er bekymret for de tankene som vi har – også i denne salen. Det er klart at det blir billigere å plassere disse vindkraftverkene som er tenkt til sjøs, på grunnere havområder. Nordsjøen er kanskje 50–70 meter dyp mange plasser. Lenger nord, i Barentshavet, er 300 meter vanlig dybde. Der tenkes det plassert vindmøller på grunnområdene, altså på havgrunnene, og det er jo der fiskerne fisker. Da får vi en konflikt: Hvem skal bruke havet? Dette er en realitet fiskeriorganisasjonene har spilt inn, og det må vi ta alvorlig, for det krever en del plass, og det skal også være en del sikkerhetssoner. Jeg hadde bare lyst til å si det. Det er en del av det saltvannet jeg har lyst til å pumpe inn i saken, for det er høyst reelt pluss at det er kostnader som ikke minst vi fiskere er klar over ved å ha anlegg på sjøen. Vi har alternativer. Noen har vi latt gå fra oss – tidevannskraftverk. Vi har sjøvann som forflytter seg med opptil 6–7 knop – det er 13–14 kilometer – i timen i enkelte områder. Og vi hadde et prosjekt i Finnmark, lot patentet gå til Skottland. Der sov hele Stortinget – vi skulle ha utnyttet det, det er små anlegg som ikke tar så stor plass i naturen. Vi har – i likhet med tidevannet – en evigvarende kraft, nemlig bølger, bårer, som vi også kan utnytte og forske på. Det tar heller ikke så mye plass. Så her er det også snakk om Hvem skal bruke naturen? Da kommer vi til syvende og sist, slik jeg ser det, til den viktigste og største naturloven – og det er at naturen er størst. Skal vi plassere vindmøller til sjøs, er jeg redd for at det kommer til å koste mer enn det smaker. Da er vi inne på en annen lov, en økonomisk lov, og det kommer til å koste for mye for oss. Johnny Ingebrigtsen fra Finnmark var inne på og det kommer til å koste for mye for oss. Johnny Ingebrigtsen fra Finnmark var inne på noen av de tingene som det er viktig å ta med seg i en diskusjon om hvordan vi sørger for at kartleggingen er god nok. Erfaringene fra Storbritannia, da man la til rette for den storsatsingen på offshore vind som de har, er at da man begynte med planlegging og utbygging av offshore vind, oppdaget man at det fantes konflikter på en rekke områder. Derfor er det opplagt viktig å ha en helhetlig kartlegging når man skal sørge for å sette i gang med offshore vind. Jeg tar ordet fordi jeg vil rose interpellanten, som tar opp spørsmålet om hvordan vi kan se framover, se de behovene som finnes, nemlig behovene for tilgang på mer fornybar energi. Jeg er – i motsetning til Per Rune Henriksen, som tok dette opp i sitt innlegg – mindre bekymret for kraftoverskudd, men mer opptatt av, som flere har vært inne på, å sette den kraften vi skaper, i bruk til å erstatte det fossile. Nå skal vi like etterpå diskutere en sak der, etter min oppfatning, nettopp ministeren har vist uvilje til å gjøre nettopp det, men det er altså et samlet storting som står bak det å sette i gang og erstatte fossil bruk av kraft med fornybar bruk av kraft. Vi har et behov for å erstatte fossil kraft bare i Norge, fordi mesteparten av kraften som vi benytter i Norge i dag, er fossilt produsert. Før vi kommer oss til det nullutslippssamfunnet som vi vet det er nødvendig å komme seg til, vil vi på veien framover ha mulighet til å være med på å utvikle norsk industri – eller vi kan la den muligheten glippe for oss. Min oppfatning, som jeg deler med interpellanten og flere av de andre som sitter i salen, er at vi burde bruke muligheten til å utvikle en ny industri i Norge. Da vil jeg gjerne understreke det som Tord Lien sa. Han sa de grønne sertifikatene selvsagt kan brukes for offshore vind – og det kan de jo, selvfølgelig, for de er teknologinøytrale. Problemet er bare at hvis en skal utvikle teknologi, koster det mer i begynnelsen. Det vil alltid være slik at ny teknologi koster mer. Det vi i Norge har i dag, er et system som – akkurat som Tord Lien sa – får mest mulig kraft for minst mulig penger. Men det er altså ikke det vi trenger, hvis vi skal utvikle en ny industri. man utviklet solcelleindustrien og vi så at prisen på solceller og vindmøller falt, er ikke det noe markedet har løst av seg selv. Det er noe som er kommet fordi andre valgte å være modige for å subsidiere den teknologien, slik at en fikk de læringskurvene som gjorde at prisen gikk ned for alle. I dag er solceller konkurransedyktig med fossil kraft for flertallet av verdens innbyggere. Da er spørsmålet: Skal vi benytte den muligheten vi har gjennom den offshore-clusteren vi har i Norge, gjennom den kompetansen vi har på strømstyring, til å utvikle en ny næring? Jeg vil oppfordre Tord Lien til å svare mer positivt på det. Jeg mener ja, og jeg mener at vi ikke bør vente. For hvis vi venter, glipper muligheten til å være først ute. La meg gi noen eksempler. Flere har vært inne på at i Japan er det helt åpenbart at skal de gradvis fase ut både atomkraft og den fossile kraften de har, er de avhengige av vindmøller, og de vil komme til å være flytende offshore i stor grad. I dag er Norge helt i front når det gjelder flytende offshore. Det vil vi ikke være hvis vi venter ti år med å bygge opp et hjemmemarked. Da er sjansen glippet for oss. Mange her i salen husker de debattene vi har hatt der man nevner at GSM hadde vi først i Norge, men vi tok det ikke i bruk og lot veldig mye av det industrielle potensialet gå til andre land. Det samme bør vi ikke gjøre med offshoresatsingen vår. Utfordringen min til Tord Lien er følgende: En av de tingene vi vet vi må ha på plass for å sikre offshoresatsing, er et nettverk av kabler til havs. Er Tord Lien villig til å gå foran og si at det trengs regulatoriske endringer, tilrettelegging av et nettverk til havs, f.eks. gjennom at Statnett tar et større ansvar til havs, eller at andre bygger opp den typen nettstruktur? Er Tord Lien villig til f.eks. å pålegge framtidige oljeinstallasjoner å bygge ut kraft bl.a. hentet fra havvind? Presidenten er helt sikker på at det er statsråd Tord Lien som får alle disse utfordringene fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås. Denne saken handler om et potensielt stort virkemiddel i norsk klimapolitikk, og den handler om hvilke signaler Stortinget og regjeringen sender til det norske folk, til norsk næringsliv og til norsk forskningsmiljø om klimapolitiske satsinger. Jeg minner om det jeg innledet med, nemlig statsrådene Trond Giske og Terje Riis-Johansen. Terje Riis-Johansen sa altså for tre og et halvt år siden at Norge skal bli verdensledende på offshore vind. Og hva var det næringsminister Giske fra Arbeiderpartiet sa? «Norge skal være med på det neste store industrieventyret til havs.» Det er altså ganske andre toner vi hører i salen i dag. Spørsmålet i interpellasjonen er: Hvilken strategi har statsråden for videre satsing – for det var en satsing vi fikk presentert i 2010 – på havvind i Norge? På det svarer statsråden grovt sett ingen. Det skal være en videreføring av eksisterende virkemidler, ellers ikke noe – som vi representanten Per Rune Henriksen fra Arbeiderpartiet sier seg helt enig med olje- og energiministeren fra Fremskrittspartiet og slår nærmest kategorisk fast at noen satsing på havvind her i Norge skal vi av forskjellige grunner ikke ha noe av. Og representanten Astrup fra Høyre er veldig fornøyd med å slå fast at det er dyrt nok å redde verden som det er, om vi ikke også skal holde på med havvind. Men vi hadde altså en havvindsatsing i Norge, og vi har brukt 735 mill. kr på forskning og stimuleringstiltak. Spørsmålet jeg stilte, var ganske enkelt: Hvordan skal vi ta dette videre? Svaret så langt er ikke spesielt oppmuntrende, men vi lar oss ikke «nedmuntre» altfor mye, selvfølgelig, for nå er problemstillingen tatt opp, og jeg vil oppfordre de partiene og de representantene som tidligere har vært med på både et klimaforlik og å vedta klimameldinger, nettopp signaliserer en helt annen vilje til offensiv satsing på utvikling av teknologi – som selvfølgelig er dyr nå, som selvfølgelig fungerer dårlig nå, som selvfølgelig ikke er kommersiell nå, men som må bli det ved at man satser på å ta den i bruk – til å komme tilbake til den satsingsviljen og den forpliktelsesviljen som vi så for noen få år siden. Jeg tror jeg må forsøke meg på å si litt om hvordan virkeligheten er i Norge og i utlandet – det store utlandet. Det er mange av representantene som har vært inne på det. Mange av landene rundt oss har en utfordret kraftsituasjon og en energimiks som i stor grad er basert på fossile energikilder og i alle fall på ikke-fornybare kilder, først og fremst atomkraft. Vi har en helt motsatt situasjon i Skandinavia, hvor vi har et økende – til dels kraftig økende – kraftoverskudd og en energimiks som for Norges del er fornybar og for Skandinavias del fossilfri. er enig med de mange – bl.a. representanten Arnstad – som sier at vi har brukt hundrevis av millioner, til og med milliarder, på landbasert vind, og vi ser at konsesjonene dessverre blir liggende: Det blir ikke kraft av konsesjoner, det blir kraft av vindmøller. Mitt utgangspunkt er at det koster ca. en tredjedel å produsere 1 KWh vindkraft basert på landbasert vind, sammenlignet med havvind. Likevel ser vi at det ikke blir bygd ut. Ola Elvestuen sa at vi skal bruke kompetansen, og det er jeg helt enig i. Vi har brukt mye midler på det. Vi bruker kompetansen i dag. Norske aktører er både og leverandører, ikke minst, til havvindanlegg i resten av verden, særlig i Storbritannia. Det er bra. Så må jeg bare igjen si at det har vært bred enighet om hva som skal flytte ting inn i markedet. Det er grønne sertifikater. Jeg har også opplevd at det har vært bred enighet om at vi i tillegg til det må satse på universitetene, på forskningsinstituttene og i næringslivet, ved hjelp av statlige midler til forskning, utvikling og demonstrasjon. Det gjør vi. Sammen med universitetene og næringslivet bidrar vi fra regjeringens og Stortingets side til å utvikle ny teknologi og til å demonstrere og pilotere ny teknologi.

15 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. I tillegg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 Jeg må innrømme at jeg har sett fram til denne debatten om en kraft fra land-løsning til Utsirahøyden. Aller først – la meg benytte anledningen til å takke komiteen for et godt samarbeid og ikke minst viljen til å finne fram til en felles enighet. At komiteen nå både gjennom merknader og vedtak er samstemt, gir oss en robust sak og en tydelighet om tiden framover. Går en kort tid tilbake, skulle en tro at akkurat det var umulig, men det viser seg at det var mulig. Jeg er veldig glad for og takker komiteen for det. Dette er et av vår tids aller største industriprosjekter. Det skal investeres opp mot 120 mrd. kr. Jeg har hørt tall som sier at det skal skapes verdier for antatt 2 000 mrd. kr. Tidshorisonten vi snakker om, er i hvert fall 50 år, og det er grunn til å anta at den kan bli lengre. Det handler om Framtids-Norge, om dagens og morgendagens muligheter og begrensninger. Dimensjonene som ligger i saken, handler om klimautfordringene og våre forpliktelser på den ene siden og arbeidsplasser og muligheter for verdiskaping på den andre siden. Uten en elektrifisering av som nå Stortinget stiller som vilkår, ville målsettinger fastsatt i Stortinget gjennom klimaforliket om reduksjoner av klimagassutslipp ikke kunne nås – ja, de ville vært helt umulig å nå, tror jeg. Det handler først og fremst om å kutte utslipp der vi kan. Det handler om å erstatte fossil energi med fornybar energi der vi kan. Utsirahøyden er et område hvor dette med enkelhet kan gjøres. På den andre siden handler det om arbeidsplasser, vekstmuligheter, posisjoner for oljeselskapene og ikke minst – og kanskje det aller viktigste akkurat nå – om viktige oppdrag som leverandørindustrien i Norge kan konkurrere om. Jeg vil understreke at Stortinget normalt ikke legger rammene for petroleumsutvinning på denne måten. Det gjøres i forbindelse med de ordinære behandlinger Stortinget har den generelle innretningen av petroleumspolitikken og gjennom vedtak knyttet til utbyggingssaker Stortinget får seg forelagt. Så det er litt uvanlig at Stortinget gjennom et Dokument 8-forslag stiller så tydelige krav som en nå gjør om utbygginger på enkeltområder på norsk sokkel. Vi understreker gjennom komitébehandlingen at dette ikke betyr at Stortinget endrer praksis for andre utbygginger på norsk sokkel, og heller ikke for resten av prosessen knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Når det er sagt, har jeg lyst til å understreke at det var helt nødvendig å gå inn i Dokument 8-forslaget på den måten komiteen har gjort. Helt fram til 16. mai var det veldig utydelig hvordan denne saken skulle rammes inn av et samlet politisk Norge. Det var mye diskusjon, utydeligheten var stor, og usikkerhetens slør spredte seg over en stor og viktig sak. Vi opplevde frustrasjon rundt manglende informasjon, det var sprik i kostnadsanalyser og rapporter som ble laget for tiltakskostnader, og det var også vanskelig å få tilstrekkelig informasjon inn mot Stortinget i tilknytning til den usikkerheten som lå der. Så var det forholdsvis tydelig at olje- og energiministeren, i hvert fall slik som undertegnede oppfattet det, egentlig argumenterte imot en områdeløsning, samtidig som en klar opposisjon, som utgjorde et bredt flertall, var for en områdeløsning. Det er nå avklart, så vi behøver ikke egentlig å diskutere historien, men med det som bakteppe ville det egentlig vært uansvarlig ikke å avklare viktige vilkår for et så stort prosjekt. Det var riktig og er riktig at Stortinget nå stiller vilkår i denne saken. Det er også slik at det kan ikke komme overraskende på noen at et flertall i Stortinget, og nå et samlet storting, stiller vilkår. Det har ligget der i tilknytning til utbyggingen på Utsirahøyden hele tiden. Ikke minst er det stadfestet gjennom klimaforliket og gjennom petroleumsmeldingen at en ønsker områdeløsning der det teknisk er mulig, og der det er gjennomførbart. Utsirahøyden er et godt svar på akkurat det. I har det vært viktig å unngå en utsettelse av første byggetrinn for Johan Sverdrup, samtidig som det har vært veldig viktig for komiteen å realisere en samordnet kraft fra land-løsning som omfatter alle feltene i området, så raskt det lar seg gjøre. Vi klargjør nå rammevilkårene, og vi skaper forutsigbarhet for den videre behandlingen. Kravene som nå stilles gjennom denne innstillingen, er helt Hele områdets kraftbehov skal dekkes av kraft fra land. Det skal etableres en områdeløsning så raskt som mulig, og senest i 2022. Det skal heller ikke gis tillatelse til produksjonsstart for byggetrinn 2 på Johan Sverdrup-feltet eller nye satellitter som ikke er omtalt i stortingsproposisjonen for første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet, uten at områdeløsningen for kraft fra land er satt i drift. Kabelforbindelsen, som har vært mye omdiskutert, skal etableres så tidlig som mulig, og det skal utarbeides en faglig vurdering fra Oljedirektoratet om hvor raskt kabelforbindelsene mellom feltene kan komme på plass. I tillegg har vi slått fast veldig tydelig at landanlegget som skal bygges for å forsyne Utsirahøyden med kraft fra land, skal gjennomføres i første byggetrinn. Dette er gode og viktige vilkår, som avklares nå rundt et stort og viktig utbyggingsprosjekt. Det er viktige avklaringer det vi nå gjør. Alle partiene har uttrykt at de er fornøyd. Olje- og energiministeren tror jeg bør erkjenne takknemlighet for viktige avklaringer. Miljøbevegelsen sier at dette er bra, Statoil framstår som og leverandørindustrien ser nå med spenning fram til en anbudsprosess for et av vår tids største industriprosjekter. Så i sum må dette være helt glimrende. Så litt til fortsettelsen og litt om forutsigbarheten. Oppstartstidspunktet for utbyggingen av første trinn for Johan Sverdrup har vært viktig. Ja, jeg understreker at leveranser på tid og budsjett er viktige. I lys av andre saker og andre utbygginger kan det være grunn også i denne saken til å minne om at dette ikke handler bare om oppstartstidspunktet, men om ferdigstillelsestidspunktet og de samlede kostnadsbildene ved utbygging på norsk sokkel. Det er særdeles viktig for Stortinget at det som ligger av rammer, faktisk blir fulgt. Så tror jeg det er en annen tilleggsdimensjon når vi nå har avklart de tydelige vilkårene i tilknytning til Utsirahøyden. Det er forholdet til den usikkerheten leverandørindustrien faktisk lever med i konkurranseforholdet opp mot de kontraktene som skal komme ut av anbudsprosessen. Jeg mener det er helt nødvendig at vi nøye tenker gjennom, alle som en, hvordan en i større grad kan etablere en bedre, viktigere og riktigere forutsigbarhet for norsk leverandørindustri. Det er kanskje den viktigste kompetanseklyngen Norge sitter på i framtiden. Da er det helt nødvendig at det også der skapes tilstrekkelig forutsigbarhet. Der er dessverre Stortinget i en slik posisjon at vi ikke kan være så tydelige som vi er på Men når vi er tydelige overfor olje- og gasselskapene, må vi forvente at også de lytter til hva Stortinget faktisk mener om forutsigbarheten for norsk leverandørindustri. La meg først få takke saksordføreren, Terje Aasland, og de andre partiene i komiteen for at vi kom i mål med en enstemmig komitébeslutning. Regjeringspartiene er tilfreds med at opposisjonen kommer oss i møte og bidrar til at Stortinget i dag ikke fatter vedtak som kan føre til at Johan Sverdrups første byggetrinn blir utsatt. Dette byggetrinnet har en investeringsramme på og er dermed det største industriprosjektet i Norge i moderne tid. Svært mange arbeidsplasser langs kysten er avhengig av å vinne kontrakter i dette prosjektet i årene fremover. En samlet industri og fagbevegelse uttrykte sterk bekymring over den enigheten opposisjonen la frem i vandrehallen i Stortinget 16. mai. Opposisjonen var i ferd med å sette politisk spill over hensynet til forutsigbarheten, ansvarligheten og langsiktigheten som har preget myndighetsarbeidet i petroleumssektoren de siste 40 årene, og som har tjent Norge og fellesskapet på en svært god måte. Jeg er glad for at bekymringsmeldingene fra bl.a. fagbevegelsen nådde frem til Arbeiderpartiet til slutt, og at saksordføreren bidro til å lande denne saken på en forsvarlig måte. Det var en prisverdig snuoperasjon. Kanskje har noen nå lært at når vi behandler viktige saker for fellesskapet og Norge, bør vi behandle dem i komiteen først og avholde pressekonferanse La meg understreke at regjeringen hele tiden har hatt som mål å få til en områdeelektrifisering av Utsirahøyden i tråd med klimaforliket. Imidlertid har vi ment at det riktige tidspunktet å ta stilling til områdeelektrifisering ville være i stortingsproposisjonen om utbyggingen av Johan Sverdrups første byggetrinn, som kommer til behandling våren 2015. Da vet vi langt mer om kostnader, kraftbehov og tekniske løsninger enn det vi gjør gjennom å ta stilling til områdeelektrifisering i et tilfeldig privat forslag fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås. Når opposisjonen likevel bestemte seg for å forskuttere behandlingen av plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup, falt det på regjeringspartiene å bidra til å eliminere usikkerhet knyttet til Johan Sverdrups første byggetrinn. Jeg mener det er avgjørende at Stortinget ikke gjør det til en vane å endre vesentlige rammevilkår for petroleumsnæringen gjennom behandling av Dokument 8-forslag i Stortinget. Utsirahøyden er et ekstraordinært tilfelle, og en samlet komité understreker i innstillingen at alle andre utbygginger på norsk sokkel skal behandles på ordinær måte. Det er en svært viktig presisering. I dagens vedtak vil Stortinget definere at en områdeløsning med kraft fra land skal være på plass så raskt som mulig, men senest innen utgangen av 2022. Det gir rettighetshaverne på Utsirahøyden tid til å finne gode tekniske løsninger som gjør det mulig å realisere en områdeløsning på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. 2022 samsvarer med Statoils egen plan for utbygging av byggetrinn 2 på noe som gjør det mulig å bygge nødvendig teknisk infrastruktur til havs i tilknytning til nye installasjoner i byggetrinn 2. Samtidig understreker komiteen at alle installasjoner som bygges på land i forbindelse med byggetrinn 1, skal bidra til å realisere en områdeløsning med kraft fra land til alle feltene på Utsirahøyden innen utgangen av 2022. Hva er så klimaeffekten av det Stortinget nå vedtar? Det kommer an på hvilket tidsperspektiv vi legger til grunn. Klimaforlikets mål strekker seg til 2020. Ettersom Johan Sverdrups første byggetrinn skal starte produksjon sent i 2019, og utslippene fra de tre andre feltene, Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen, er relativt sett små i tidsrommet før 2020, har tidspunktet for områdeelektrifisering begrenset innvirkning på Norges evne til å nå klimamålene innen 2020. Norges utslipp fra petroleumssektoren er også underlagt EUs kvotesystem, og dermed fører utslipp fra Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg i perioden fra 2020 til 2022 ikke til økte utslipp i Europa, dersom EU nå blir enige om å videreføre kvotemarkedet fra 2020 til 2030 med de innstramningene EU-kommisjonen har foreslått. I et lengre tidsperspektiv stiller saken seg helt annerledes. Det er ikke forenlig med Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 at vi bygger nye, store utslippskilder som vil slippe ut titalls millioner tonn CO2 de neste 50, 60, 70 årene. Vi vet også lite om hvordan karbonprisen utvikler seg. Dersom EU skal nå målet om å redusere utslippene i Europa med 80–95 pst. innen 2050, kan vi imidlertid legge til grunn at karbonprisen vil øke, og at store punktutslipp må renses, fases ut eller erstattes med miljøvennlige alternativer over tid. Dagens vedtak er derfor en langsiktig investering i fremtidens lavutslippssamfunn. Verden kommer fortsatt til å trenge olje og gass i tiårene Norge har de høyeste karbonprisene og de strengeste miljøkravene for oljeproduksjon i verden. Det gjør oss godt stilt til å være en leverandør av olje og gass også i et marked der karbonprisene stiger og utslippskravene strammes inn. Verden kommer ikke til å slutte å etterspørre olje og gass fordi land som Norge lar være å produsere. Det er nok hydrokarboner til å dekke opp for Norges produksjon. Etterspørselen etter fossil energi vil bare avta dersom vi lykkes i å utvikle konkurransedyktige alternativer innen Petroleumssektoren gir oss finansielle muskler til å bidra til dette grønne skiftet. Stortinget behandlar i dag eit Dokument 8-forslag frå SVs representantar Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om elektrifisering av Utsirahøgda. Det er sjeldan at ein ser at eit representantforslag får den merksemda og har den betydninga som nettopp det vi debatterer i dag. Forslaget går i korte trekk ut på at oljeselskapa på Utsirahøgda blir pålagde å gå for ei felles kraft frå land-løysing til Johan Sverdrup vidare til Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog frå dag éin. På denne måten ønskjer forslagsstillarane å fullelektrifisere den såkalla Utsirahøgda med nemnde petroleumsfunn samla. Bakgrunnen er dei store utsleppa av klimagassar frå petroleumsaktiviteten på sokkelen. Dette har bekymra fleire over tid, og derfor er bransjen pålagd eit avgiftsnivå på om utslepp, for på denne måten å ha eit incitament til utsleppsreduksjon. Derfor er det viktig å understreke at regjeringa heile tida har hatt som mål å elektrifisere det store funnet, Johan Sverdrup, som ville ha resultert i reduserte områdeutslepp på om lag 70 pst. innanfor eit kostnadsnivå som ville vere akseptabelt for dei fleste. Så skal det også understrekast at Stortinget aldri tidlegare har gått inn i ei utbygging i ein så tidleg fase og lagt detaljerte krav for utbygginga, utanom dei generelle krava som går fram av stortingsmeldinga med det gode namnet En næring for framtida. Trass i at den førre regjeringa med SV som medforslagsstillar relativt nyleg har lagt rammene for denne viktige næringa med nettopp denne meldinga, vel ein no å fremje forslag som for femte gong på relativt kort tid endrar rammevilkåra og den føreseielegheita ein burde kunne forvente for landets viktigaste næring. Det er svært uheldig, spesielt når utbygginga i seg sjølv er så betydeleg og set så utruleg mange arbeidsplassar i spel. Det er den største industrielle satsinga på norsk sokkel på lang tid, og betydelege ressursar er brukte av tiltakshavarane på prosjekteringssida. Mange frykta for at desse mange var kasta vekk, og at ein måtte starte opp på ny. Heldigvis unngjekk vi dette ved at ein samla komité i dag legg rammene for utbygginga av heile Utsirahøgda. Det gler meg, spesielt på bakgrunn av dei mange kontaktane frå fagrørsle og andre som vi opplevde i den tida dette gjekk føre seg. Framstegspartiet er også glad for at ein samla komité understrekar at dette ikkje betyr at Stortinget endrar praksis for andre utbyggingar på norsk Med unntak av dei spørsmåla som her blir omtalte, vil også den vidare behandlinga av plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup skje etter ordinær saksbehandlingsprosess. Det er heller inga hemmelegheit at forliket som ein samla komité står bak i dag, ikkje er Framstegspartiets primærpolitikk. Men for å unngå ei utsetjing som set tusenvis av arbeidsplassar i og gir eit noverditap på 20 mrd. kr, har vi akseptert ei områdeløysing som vil innebere at heile områdets kraftbehov skal dekkjast med kraft frå land. I samband med utarbeidinga av vilkåra i plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet blir det stilt krav om at kabelsamband mellom dei ulike installasjonane på Utsirahøgda blir etablert i Johan Sverdrups oppstarttrinn 2. Også anlegg som blir bygde på land for framføring av kraft gjer det mogleg å forsyne heile området med kraft frå land, blir gjennomførde allereie i samband med første byggjetrinn av Johan Sverdrup, for å synleggjere at ein ønskjer å vise forpliktingane. Elles ber komiteen om at andre viktige løysingar og krav blir klargjorde i PUD-en som vil bli behandla her i Stortinget våren 2015. I den samanheng blir det stilt krav om at heile områdets av kraft frå land så raskt som mogleg og seinast i 2022. Men i sum eit forlik som er til å leve med når innsatsfaktoren er eit kjempefunn som vil gi store inntekter og bidreg til gode arbeidsplassar og økonomi i mange tiår framover. Klimaeffekten, derimot, vil vere positiv for Noreg, men det må vere lov å setje spørsmålsteikn ved kost–nytteeffekten og om dette ville hatt større effekt andre stader, kanskje i Europa, som ville ha redusert dei globale utsleppa, og det er vel det som er målet. Å redusere dei globale utsleppa er vel viktigast. Dette er en ekstraordinær behandling, og det er en ekstraordinær sak. Det er et viktig industriprosjekt, men det er Det er et viktig industriprosjekt, men det er også et viktig miljøprosjekt som vi nå ender opp med. Jeg tenkte jeg skulle si litt om historien. I denne sal har en behandlet tre PUD-er allerede for tre av plattformene som er bygd ut, eller skal bygges ut, på Utsirahøyden. I hver enkelt plan for utbygging og drift er det stilt vilkår om at de skal kobles til kraft fra land, og det Det er også til og med blitt gjort tilpasninger med hundrevis av millioner kroner for at det skal skje. I plan for utbygging og drift av Edvard Grieg fant operatøren prisen per tonn CO2, altså tiltakskosten, for kraft fra land til hele feltet Edvard Grieg, Gina Krog, daværende Dagny, og Ivar Aasen, daværende til å være om lag 700 kr. Det er interessant når en ser tilbake, at det var 700 kr. Til sammenligning har operatøren for Johan Sverdrup og hele Utsirahøyden beregnet det til et sted mellom 975 og 2 300 kr. Hadde det blitt gjort da, bare for de tre feltene, hadde det kostet 700 kr. Det har vært store forventninger om at kraft fra land skal komme til alle feltene. Det har blitt nevnt i klimaforliket, og også i andre settinger. Jeg vil også stille spørsmål ved oppfølginga fra den forrige regjeringa når det gjelder hvor vi står i dag. Undertegnede – pluss flere – stilte flere spørsmål etter behandlinga av Edvard Grieg, og også etter Gina Krog, i denne salen, nettopp fordi vi så tegn som tydet på at prosjektene, med et felles prosjekt for å sikre utbygging av kraft fra land til hele Utsirahøyden, ikke gikk som det skulle. Derfor vil jeg også si, i starten av behandlinga av saken, at når den nåværende regjeringa overtok saken og fikk